Anne Helene Sandum , og for Østfold fylke Monica Carmen Gåsvatn , har tatt sete. Fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe foreligger søknad om sykepermisjon for representanten Tor André Johnsen fra og med tirsdag 10. oktober og inntil videre. Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet: Søknaden behandles straks og innvilges. Vararepresentanten Johan Aas innkalles for å møte i permisjonstiden. Johan Aas er til stede og vil ta sete. Presidenten skal meddele at valget av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen, som ble foretatt i Stortingets konstituerende møte lørdag 7. oktober, hadde som resultat at samtlige foreslåtte medlemmer og varamedlemmer ble valgt med 169 stemmer. Presidenten vil senere innkalle valgkomiteen til dens første møte. Statsråd Ine M. Eriksen Søreide overbrakte 12 kgl. proposisjoner:

endringer i folketrygdloven (Prop. 168 L om endringer i barnevernloven mv. (Prop. 169 L om lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (Prop. 165 L om endringer i barnehageloven (Prop. 170 L om samtykke til å sette i kraft avtaler mellom Norge og enkelte andre land til endring av virkningstidspunktet for OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker til å sette i kraft en avtale mellom Norge og Sveits til endring av virkningstidspunktet i OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker (Prop. 163 S om finansiering av Nordhordlandspakken i Hordaland (Prop. 164 S om lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer Proposisjonene vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Representanten Marit Arnstad vil fremsette tre representantforslag. På vegne av representantene Marit Knutsdatter Strand, Åslaug Sem-Jacobsen, Siv Mossleth og meg sjøl vil jeg framsette et forslag om å sikre at lærere som er utdannet før 2014, fortsatt beholder full undervisningskompetanse. På vegne av representantene Heidi Greni, Jenny Klinge, Liv Signe Navarsete, Willfred Nordlund, Siv Mossleth, Sandra Borch, Sigbjørn Gjelsvik, Ole André Myhrvold og meg sjøl vil jeg framsette et forslag om anledning til å omgjøre vedtak om tvangssammenslåing av kommuner. Til slutt vil jeg på vegne av representantene Jenny Klinge, Emilie Enger Mehl, Sigbjørn Gjelsvik og meg sjøl framsette et forslag om styrking av det lokale politiet. Representanten Kjersti Toppe vil fremsette tre representantforslag. Kjersti Toppe vil fremsette tre representantforslag. Eg skal fremja eit forslag på vegner av Willfred Nordlund, Ivar Odnes, Per Olaf Lundteigen og meg sjølv om å styrkja rekruttering til og finansiering av fastelegeordninga, i tråd med intensjonane i samhandlingsreforma. Så vil eg fremja eit forslag på vegner av representantane Ole André Myhrvold, Heidi Greni, Willfred Nordlund og meg sjølv om å styrkja finansieringsordningane for etablering av sjukeheimar, omsorgsbustader og dagaktivitetstilbod. Så har eg æra av å fremja eit siste representantforslag på vegner av representantane Marit Knutsdatter Strand, Åslaug Sem-Jacobsen, Marit Arnstad og meg sjølv om å innføra ei ordning som sikrar elevar på 1.–10. trinn minst éin time fysisk aktivitet kvar dag. Representanten Trygve Slagsvold Vedum vil fremsette Trygve Slagsvold Vedum vil fremsette et representantforslag. Jeg har den ære å fremme et representantforslag på vegne av Heidi Greni, Åslaug Sem-Jacobsen, Ivar Odnes, Marit Knutsdatter Strand, Kjersti Toppe, Nils T. Bjørke, Liv Signe Navarsete, Sandra Borch, Geir Adelsten Iversen og meg selv om omgjøring av vedtak om ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå. Representanten Maria-Karine Aasen-Svensrud vil fremsette et representantforslag.

Sigbjørn Gjelsvik vil fremsette et representantforslag. Jeg vil på vegne av representantene Liv Signe Navarsete, Geir Pollestad, Geir Adelsten Iversen og meg selv legge fram representantforslag om nedsetting av et offentlig utvalg som skal foreta en gjennomgang av konsekvensene av at Storbritannia går ut av EU og Norges alternativ til EØS-avtalen. Representanten Per Olaf Lundteigen vil fremsette Per Olaf Lundteigen vil fremsette et representantforslag. På vegne av representantene Trygve Slagsvold Vedum, Geir Adelsten Iversen, Sandra Borch og meg sjøl vil jeg legge fram forslag om retten til å få pensjonsslipp tilsendt i posten. Representanten Trine Skei Grande vil fremsette et representantforslag.

Ingalill Olsen vil fremsette et representantforslag. På vegne av representanten Runar Sjåstad og meg selv vil jeg fremme et forslag om at fylkene Finnmark og Troms ikke tvinges til å slå seg sammen til én region. Representanten Tore Storehaug vil fremsette et representantforslag. Tore Storehaug vil fremsette et representantforslag. På vegner av representantane Olaug V. Bollestad, Geir Jørgen Bekkevold, Torhild Bransdal og meg sjølv vil eg leggje fram eit forslag om utjamning av nettariffane. Representanten Hans Fredrik Grøvan vil fremsette et representantforslag. På vegne av representantene Torhild Bransdal, Tore Storehaug, Steinar Reiten og meg selv har jeg gleden av å representantforslag. På vegne av representantene Torhild Bransdal, Tore Storehaug, Steinar Reiten og meg selv har jeg gleden av å fremme forslag om å innføre lærernorm, at nye kompetansekrav ikke gis tilbakevirkende kraft og endre karakterkravet i matematikk for opptak til lærerutdanningen. Representanten Audun Lysbakken vil fremsette hele ti representantforslag. Lysbakken vil fremsette hele ti representantforslag. President – jeg håper du er klar. Disse forslagene er viktig for alle de angår. På vegne av representantene Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Torgeir Knag Fylkesnes og meg selv vil jeg framsette forslag om å gjennomføre Stortingets mål i klimaforliket om å kutte norske klimagassutslipp fram mot 2020. På vegne av representantene Solfrid Lerbrekk, Nicholas Wilkinson og meg selv vil jeg sette fram forslag om å sikre økonomisk trygghet for foreldre til alvorlig syke barn gjennom pleiepengeordningen. På vegne av representantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen og meg selv vil jeg framsette forslag om å sikre et trygt og stabilt barnevern uten profitt. På vegne av representantene Mona Lill Fagerås, Solfrid Lerbrekk og meg selv vil jeg sette fram forslag om profittfri barnehage. På vegne av representantene Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes og meg selv vil jeg sette fram forslag om at det ikke skal gjøres strukturendringer i fiskeriene før etter at Stortinget har gjennomført en helhetlig gjennomgang av strukturpolitikken. På vegne av representantene Kari Elisabeth Kaski, Freddy André Øvstegård, Karin Andersen og meg selv vil jeg sette fram forslag om rettferdig og fattigdomsbekjempende barnetrygd. På vegne av representanten Petter Eide og meg selv vil jeg sette fram forslag om å stanse eksport av våpen og forsvarsmateriell og flerbruksvarer til landene som intervenerer i Jemen, og ta initiativer for å ansvarliggjøre partene i krigen for brudd på humanitærretten og eventuelle På vegne av representantene Mona Lill Fagerås, Nicholas Wilkinson og meg selv vil jeg framsette forslag om flere lærere i skolen – mer likeverdig og tilpasset opplæring for elevene. På vegne av representantene Mona Lill Fagerås, Freddy André Øvstegård og meg selv vil jeg sette fram forslag om kompetansekrav for undervisning uten tilbakevirkende kraft.

Gunnes vil fremsette et representantforslag. På vegne av representanten Carl-Erik Grimstad og meg selv vil jeg fremme et representantforslag om innføring av lobbyregister. Representanten Une Bastholm vil fremsette fem representantforslag. Representanten Une Bastholm vil fremsette fem representantforslag. På vegne av meg selv har jeg gleden av å fremme følgende fem forslag: om en nærnaturlov som gir varig vern av bymarker, byfjell og naturen i nærheten av der folk bor om en rusreform for å sikre skadeforebygging og individuell helsehjelp til rusavhengige om å stanse tildeling av nye letetillatelser på norsk sokkel om et løft for norsk sirkulærøkonomi gjennom gjenvinning av avfall for næringsaktører og kommuner om å fase ut bruk av miljøgifter i forbrukerprodukter Forslagene vil bli behandlet på
til behandling, vil presidenten opplyse at møtet i dag fortsetter utover kl. 16 og avsluttes senest kl. 22. Trontaledebatten fortsetter i morgen.

slik: Debatten går over to dager og starter med innlegg fra parlamentariske ledere på inntil 10 minutter, med etterfølgende replikkrunde på inntil seks replikker. Deretter 44 innlegg på inntil 5 minutter som avvikles i sin helhet på første debattdag og fordeles slik mellom partiene: Arbeiderpartiet 13 innlegg, Høyre 12 innlegg, Fremskrittspartiet 7 innlegg, Senterpartiet 5 innlegg, Sosialistisk Venstreparti 3 innlegg, Venstre 2 innlegg og Kristelig Folkeparti 2 innlegg. Det åpnes for inntil fire replikker på hvert innlegg etter to av innleggene fra Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet og etter ett av innleggene fra og etter ett av innleggene fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Kristelig Folkeparti. Fem statsråder gis en taletid på inntil 5 minutter hver, med en etterfølgende replikkrunde på inntil seks replikker. Etter avvikling av fordelt taletid åpnes det for innlegg på inntil 3 minutter. Onsdagens møte settes kl. 10 og starter med et innlegg fra statsministeren på inntil 15 minutter, med etterfølgende replikkrunde på inntil 14 replikker. Deretter eventuelle resterende 3-minuttersinnlegg fra dagens møte samt de som melder seg under tirsdagens debatt. – Det anses vedtatt. President – gratulerer! Noen av de største utfordringene Norge har stått overfor de siste tiårene, rykker nærmere nå. Det preger inngangen til denne stortingsperioden. Vi må snu trenden med stadig flere unge mennesker som ikke får jobb, eller som kun får utrygge jobber. Det haster. En fallende andel av oss er i arbeid, vi opplever økende utenforskap, som svekker selve grunnmuren for vår samfunnsmodell trygt arbeid og velferd til alle. Vi må gi omsorg av bedre kvalitet til flere eldre. Det haster, for økningen i antall eldre vil skyte fart i årene som kommer. Vi må, i denne stortingsperioden, komme i gang med vesentlige kutt i klimagassutslippene. Vi må, på overtid, få på plass en avtale med EU og få til kutt som monner i Norge. Det haster – om vi skal nå Stortingets mål om 40 pst. kutt innen 2030.

ga vi dette løftet: «Vi skal gjøre det viktigste for Norge til det viktigste i norsk politikk.» Det vil være vår rettesnor også etter valget, i den stortingsperioden som nå begynner. Valget ga et annet resultat for Arbeiderpartiet enn vi ønsket. Jeg vil gratulere statsminister Erna Solberg med et resultat som gjør at hun fortsetter som statsminister. Samtidig er det slik: Den rød-grønne siden i politikken styrket seg ved dette stortingsvalget. De såkalte Nydalen-partiene fikk lavere oppslutning ved dette valget enn i 2005 og 2009. Sammensetningen av det nye Stortinget, med en svekket høyreside, gir derfor nye muligheter for nye flertall i mange saker. Politikken kan framover dreies i en mer rettferdig, klimavennlig og ansvarlig retning enn i forrige periode. Arbeiderpartiet vil jobbe iherdig for at det skjer, på områder som arbeidsliv, likestilling og familiepolitikk, på områder som distriktspolitikk og næringspolitikk, hvor et nytt storting gir mulighet for en politikk for hele landet. Skal vi møte og løse de krevende oppgavene som nå venter, må vi bygge på det beste ved Norge: høy tillit og små forskjeller, sterke fellesskap og grunnleggende trygghet i en tid med omstillinger. Bygger vi på disse særtrekkene ved landet vårt, er det neppe noe land som er bedre rustet til å møte eldrebølgen, redusere utenforskapet i arbeidslivet eller makte overgangen til et klimavennlig samfunn. La meg gi noen eksempler på hva dette betyr: Å bygge på det beste ved Norge betyr å styrke det organiserte arbeidslivet, ikke svekke det, slik vi har sett de siste årene. Det er avgjørende for å bevare den norske samfunnsmodellen. Derfor ber vi i dag regjeringen legge fram forslag om å endre arbeidsmiljøloven for å begrense bruken av tidsbegrenset innleie for å sikre et tryggere arbeidsliv. Å bygge på det beste ved Norge betyr at flere praksissterke unge mennesker kommer raskt inn i arbeidslivet. Slik kan vi bidra til at utenforskapet i Norge blir mindre, ikke stadig større, slik det har blitt de siste årene. På vårt beste tar vi i Norge et felles ansvar for å gi alle muligheter til å skaffe seg kompetanse og komme i jobb. Derfor ber vi i dag regjeringen legge fram tiltak som sikrer at alle kvalifiserte søkere med ungdomsrett sikres tilbud om læreplass etter videregående trinn 2. Å bygge på det beste ved Norge betyr at vi som fellesskap tar ansvar for at vi når våre klimamål innen 2030. Noe av det aller beste ved Norge er at vi makter å gjennomføre store samfunnsendringer i bredt samarbeid på tvers av sektorer. Det er det som må til i klimapolitikken. Vårt forslag om at staten skal bidra med inntil 70 pst. av investeringskostnadene i store kollektivutbygginger i storbyene,

om å øke fedrekvoten til 14 uker, for å gi barn og fedre tid sammen og bidra til likestilling i arbeidslivet. Vi vil styrke trekk ved vårt samfunn, som små forskjeller. Derfor vil Arbeiderpartiet fortsette kampen mot store skattekutt fra Fremskrittspartiet og Høyre, som øker forskjellene nettopp på et tidspunkt hvor protestene, sinnet, i mange land rundt oss viser hvor galt det går når

De skrev at «en stor svakhet i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet er at det mangler koordinering og lederskap» fra regjeringen. Det er fortjent kritikk – som vi raskt vil ta inn i denne sal, med nye forslag til tiltak og med det alvoret denne saken fortjener. Vi skal som et stort og ansvarlig opposisjonsparti bidra til å finne gode løsninger for Norge. Det påhviler regjeringen et eget ansvar for å bidra ikke bare til at slike løsninger kan forankres i Stortinget, men at de følges opp på en god og inkluderende måte i etterkant. I en mer uforutsigbar verden er det spesielt viktig med bred oppslutning om hovedlinjene i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. EØS-avtalen og norsk NATO-medlemskap utgjør fundamentene for denne politikken. Norge skal kjennes igjen som en forsvarer av folkeretten, en støttespiller til FN og en pådriver for menneskerettigheter og nedrustning. Ja, hovedlinjene ligger fast. Samtidig er verden rundt oss i stor forandring. Vi må ha takhøyde for åpent å diskutere disse forandringene og konsekvensene de får for norske interesser. Vi vil være konstruktive og kritiske i opposisjon. Samtidig skal vi som det største opposisjonspartiet være et klart alternativ til høyrepartienes politikk. I neste stortingsperiode, og med basis her i Stortinget, skal vi utvikle det alternativet videre. Vi skal utvikle arbeids- og kompetansepolitikken – utvikle nye og effektive grep som gjør at den store teknologiske revolusjonen som nå slår inn i arbeidslivet vårt, som varehandelen, får sitt politiske motsvar i ny politikk for livslang læring. Vi skal utvikle innvandrings- og integreringspolitikken. Vi skal stå ved det brede forliket i Stortinget fra 2015. Vi skal stå opp mot dem som sprer fremmedfrykt og splid og gjør minoritetene utrygge. Vi skal utvikle integreringspolitikken slik at vi får flere innvandrere i jobb og inn i samfunnet vårt. Vi skal utvikle distriktspolitikken. Vi skal formulere nye svar på hvordan vi sikrer økt framtidstro og vekst i hele landet – uten at nødvendige endringer stopper opp, og uten at by settes på kollisjonskurs med land i sak etter sak, slik vi har sett de siste årene. Vi skal utvikle næringspolitikken for å utnytte norske fortrinn, naturressurser og eierskap og legge grunnlag for nye jobber i årene som kommer. Når vi i denne sal i de neste fire årene skal finne sammen om svar på de store utfordringene Norge står overfor, er det enda tydeligere enn i forrige periode at det ikke er til høyre for partiet Høyre flertallet og de gode løsningene ligger. Arbeiderpartiet skal som det største opposisjonspartiet gjøre det som står i vår makt for å trekke politikken i et endret storting inn mot sentrum–venstre. Bare slik kan vi møte store utfordringer i samfunnet med en politikk som bygger på det beste ved Norge, som små forskjeller og sterke fellesskapsløsninger. Med dette tar jeg opp forslagene fra Arbeiderpartiet. Representanten Jonas Gahr Støre har tatt opp de forslagene han refererte til. Det blir replikkordskifte. Etter en lang og spennende valgkamp og etter mange runder med evalueringer og diskusjoner om hva som gikk galt for

som alle, iallfall mange av dem, har store kostnadssider. Hvis vi nå skal være mer påholdne med oljepengebruken, må vi gjøre noe for å effektivisere offentlig sektor, få offentlig sektor til å jobbe smartere, få offentlig sektor til å få mer ut av kronene. kronene. Da er spørsmålet til Arbeiderpartiet: Vil Jonas Gahr Støre bidra til nødvendige reformer, forlik og samarbeid for å bidra til at offentlig sektor jobber smartere, slik at vi kan gi mer rom for et bærekraftig velferdssamfunn? I likhet med representanten gleder jeg meg over høstflommen av gode forslag, som skal få positiv behandling i dette stortinget med nye konstellasjoner. Ordet «reform» betyr å gjøre ting bedre. bedre. Representanten kan være trygg på at Arbeiderpartiet vil være en pådriver for å gjøre ting bedre i hele vårt samfunn for å utnytte ressursene bedre, slippe fram folks initiativ og kunnskap og ha respekt for det. I offentlig sektor må vi fortsette arbeidet med å ta i bruk ny teknologi for å kunne gjøre ting på en bedre måte, slik vi hadde lang erfaring med i vår regjering – digitalisering, effektivisering. Men framfor alt tror jeg det er viktig å spille på lag med dem som jobber i denne ikke styre dem ned til minste detalj, slik at de opplever at de blir rammet inne av byråkratiske, krevende og fordyrende løsninger. Vi har den fremste ressursen i dem som jobber der, og da tror jeg at det er å kaste bort tiden med reformer for strukturendringer, med en regionreform som jeg i valgkampen kalte et makkverk av en reform – jeg mener det fortsatt er det – og med andre reformer som stort sett byråkratiserer framfor å gjøre ting mer

De videregående skolene ligger der, men det er administrasjonen, det å ha mer samordnet realpolitikk osv., som blir viktig. Det å øke skattene kan vi gjøre bare en gang, og Arbeiderpartiet hadde forslag i valgkampen om å øke skattene med 15 mrd. kr. Etter vår mening er det et uttrykk for politisk latskap og kortsiktig tenkning. Det er ingen løsning å gå fra å bruke oljepenger til å bruke folks sparepenger, og derfor må en effektivisere. Hvorfor starter da Arbeiderpartiet denne sesjonen med å reversere regionreform som de selv før har jobbet aktivt for å få til uten å ha lykkes? Dette er en reform som representanten egentlig er imot. Han er imot det nivået, han er imot de regionene og har aldri brent for dem. Jeg skal komme tilbake senere i denne debatten og påpeke en del svakheter ved dem. Jeg mener det er et makkverk, for det skaper et veldig ubalansert Norge, og det er også en regionreform som nesten ikke har innhold for hva disse nye regionene skal gjøre. Derfor må vi gjøre dette på den måten som de har vist vei på i Trøndelag: To fylker har slått seg sammen etter gode og grundige prosesser nedenfra. De ser ut til å lykkes med noe av det samme i Agder, og det kan komme i noen andre deler. Arbeiderpartiet er helhjertet for og også pådriver. Så skal vi ha en skatte- og fordelingspolitikk som er både rettferdig og nødvendig. Og nå får vi se på torsdag, når statsbudsjettet kommer, hvilken evne regjeringen viser til å prioritere innenfor ansvarlige rammer og samtidig gjøre det viktigste for Norge til det viktigste i politikken, også i budsjettpolitikken. Da skal vi nok se på hvordan fordelingen skal bidra til at vi opprettholder gode tjenester, fornyer Norge og gjør det på en måte som folk kjenner seg igjen i, og hvor de også kan yte sitt beste. Et ordnet og velorganisert arbeidsliv er Et ordnet og velorganisert arbeidsliv er en grunnpilar i det norske samfunnet. Dette er nå under press. I hundre år har registrerte havnearbeidere hatt avtalefestet fortrinnsrett til lossing og lasting i norske havner, men den 18. september i år ble det enighet om en ny tariffavtale for havnearbeid. Til ABC Nyheter 21. september sier leder i Transportarbeiderforbundet, Lars Johnsen: «EØS-avtalen tilsidesetter vår forrige avtale. Vi ønsker selvfølgelig en tariffavtale som gir fortrinnsrett for registrerte havnearbeidere. Her er det en innblanding i den frie forhandlingsretten i Norge fra EØS.» Er representanten enig i at det er EØS-avtalen som har tvunget transportarbeiderne til å inngå en tariffavtale der fortrinnsretten for de registrerte havnearbeiderne blir fjernet, og vil Arbeiderpartiet støtte initiativet i Stortinget for å sikre havnearbeidernes fortrinnsrett, i tråd med ILO-konvensjon nr. 137?

EØS-avtalen har gjennomgående vist seg å være godt i tråd med å nå mål for norsk arbeidsliv. Den store utredningen vi hadde i 2012, viste at det gjennomgående var skjedd et løft for norske arbeidstakere, både på rettighetssiden, på inntektssiden og på de fleste andre områder. Så er det utfordringer som vi skal møte offensivt, men Arbeiderpartiet har tro på at vi kan gjøre det godt innenfor rammen av denne avtalen. En vei som skulle tilsi at vi sier opp avtalen eller går ut av den – som representanten tar til orde for vil gjøre norske arbeidstakere mer utrygge og mer usikre når det gjelder både arbeid og rettigheter. Arbeiderpartiet var med på en del forlik i Stortinget i forrige periode. Blant annet ble det et forlik om skattereformen, hvor det ble etablert enighet om å redusere skattesatser både for bedrifter og for personer og også redusere formuesskatten på arbeidende kapital – mens Arbeiderpartiet i valgkampen jo lovet at de ville øke skattene med 15 mrd. kr, nettopp det motsatte av hva skattereformen egentlig legger opp til. Kan vi tolke det som et signal om at Arbeiderpartiet ikke lenger vil bidra til en bred enighet i saker og på områder som er svært viktige – både for norske bedrifter, for norske skattebetalere og for verdiskapingen i Norge? Det er en stor feilslutning fra representanten Limi – som jeg har mistanke om at han egentlig er klar over. Det skatteforliket som kom i Stortinget, hadde Arbeiderpartiet et vesentlig ansvar for, både for forslagene som ble fremmet, og for det som det ble flertall for. Vi skal selvfølgelig stå ved det. Da levde vi opp til noe fint i norsk politikk, nemlig at vi er enige om strukturen for skattesystemet. Vi kan ha litt ulikt syn på nivå. For øvrig hadde Arbeiderpartiet i sitt opplegg redusert verdifastsettelsen av såkalt arbeidende kapital til 80 pst. – mer enn det regjeringspartiene gjorde – for å gi en støtte til bedriftene som dette gjaldt. Vi skal gjennomføre skatteforliket, i tråd med avtalen. Vi har, som sagt, et annet syn på fordelingseffekten. Vi kan ha den samme strukturen for formuesskatten, selv om vi mener at satsene skal gjenspeile at de av oss med sterkest skuldre betaler noe mer. mer. Derfor er skatteopplegget som vi gikk til valg på, og det vi står for her i Stortinget, helt i tråd med forliket. Det vil også representanten kjenne igjen når våre forslag kommer. Som vi er

for å finne en konstruktiv rolle for Norge for hvordan vi kan bidra til at verden kvitter seg med atomvåpen. Når dette stortinget begynner sitt arbeid, vil Arbeiderpartiet gjennom arbeid i komiteene påse at det kommer en klar forventning til regjeringen om å vise hvordan den vil arbeide for nedrustning på et bredt felt, også på atomfeltet. Det skjedde i forrige periode, og skal skje også nå. Fordi Norge valgte å tre ut av det initiativet som den forrige regjeringen startet opp, og som jeg var aktiv i, ble resultatet av den prosessen, den traktaten som er vedtatt i FN, en annen enn den kunne blitt. Den er, slik den er i dag, ikke av en slik karakter at Arbeiderpartiet vil gå inn for signering av den. Men det betyr ikke at vi skal være passive på området atomnedrustning, hvor det trengs initiativ, også fra land som Norge. Derfor vil vi møte forslag som kommer i komiteen, på en konstruktiv måte. SVs forslag har per i dag i sin åpningstekst «signering og ratifisering». Det er vi ikke for. Men arbeidet for at vi skal være en pådriver innenfor dette området, er vi for, og vi kommer til å stille både krav og forventninger om dette. Jeg tror stortingsflertallet kommer til å vise regjeringen at den må stramme seg opp og komme med ny innsats på dette feltet.

Støre enig i kritikken fra sine egne om at miljø- og klimapolitikken har hengt etter? Og: Kan vi få se en ny klima- og miljøpolitikk fra Arbeiderpartiet i den kommende perioden? Svaret på det første spørsmålet er nei, og svaret på det andre er ja. Det er kortversjonen. Jeg mener Arbeiderpartiet la fram mye viktig miljøpolitikk i valgkampen. Jeg nevnte noe på talerstolen, bl.a. finansiering av kollektivtransport i de store byene. Vi la fram forslag angående kyst og hav, fergeutbytting, nye oppdrag ved norske verft, å bruke miljøteknologipenger til også å skape arbeidsplasser innen ny teknologi og å få til løsninger som er bra både for miljø og klima. Så skal vi ta lærdom av hvordan valgkampen ga oss tilbakemeldinger. Men vi hadde klima som ett av våre hovedsatsingsfelt. Ja, det kommer ny politikk i neste periode, slik det gjorde i forrige slik Arbeiderpartiet var pådriver for å få oljefondet ut av kull, slik Arbeiderpartiet medvirket til nye flertall på dette området. Det ble forsinket et år på grunn av representanten Skei Grande – dessverre, det skal sies. Men vi kommer til å komme med nye forslag, og vi kommer til å få en fraksjon og talspersoner for klima og miljø som kommer til å få Skei Grande til å bli målløs. Det får vi nå se på. Replikkordskiftet er omme.

men vi har alle til felles at vi ønsker å gjøre Norge enda bedre. Vi har akkurat lagt bak oss en krevende valgkamp. Der har vi sikkert sagt ting til hverandre som er litt spissere enn det vi normalt er komfortable med. Da er det godt å komme tilbake til vanlig arbeid i Stortinget, der vi kan starte med blanke ark og jobbe for et bedre Norge. For andre gang etter annen verdenskrig har en Høyre-ledet regjering blitt gjenvalgt. Det er en tillitserklæring fra velgerne. Jeg tror velgerne har gitt Erna Solberg fornyet tillit fordi regjeringen har gode resultater å vise til og klare visjoner for hvor Norge skal videre. I 2013 stemte velgerne for kortere helsekøer, mer læring i skolen, flere veier og reformer i offentlig sektor. Det handlet ikke bare om nye ansikter, slik Arbeiderpartiet hevdet, men om nye ideer og bedre løsninger. Velgerne fikk det de ba om, og svarte med å gi regjeringen fornyet tillit. Politikk i regjering handler nettopp om å forvalte tillit på en god måte og gjøre det en sier en skal gjøre. Derfor blir det viktig for regjeringen å levere når det gjelder våre valgløfter. Det handler om å skape flere jobber, fortrinnsvis jobber som bidrar til inntektssiden av statsbudsjettet, ikke flere jobber som lever av statsbudsjettet. Det vil være helt avgjørende for å kunne fortsette styrkingen av velferden i Norge, for det er arbeidstakerne og bedriftene som betaler for den fantastiske velferdsmodellen Norge er. Det handler også om å satse på tidlig innsats i skolen og sørge for at elvene våre lærer mer, og at færre faller fra. Videre skal vi skape pasientenes helsetjeneste med kortere helsekøer og mer forutsigbar behandling samt gjennomføre en kvalitetsreform i eldreomsorgen: Leve hele livet. Ikke minst skal vi skape et tryggere Norge ved å satse på forsvar, politi og beredskap. Vi er heldige som får være stortingsrepresentanter i Norge. Vår nasjonalforsamling har som tradisjon å jobbe godt sammen for å skape et bedre samfunn. Ser vi på landene rundt oss, ser vi tegn til økende polarisering i politikken. Politisk gjennomslag blir erstattet med politisk konflikt, og det gjør at flere land havner i politisk stampe. Det gjør at tilliten til det politiske systemet faller, og at de gode politiske løsningene ikke finner veien til overflaten. Norge er ikke der i dag. Tvert om er vår store styrke som nasjon at vi har stått sammen om viktige grep for å skape det velferdssamfunnet vi er i dag. På mange måter er vi enige om mange av de viktige målene i politikken. Vi ønsker små forskjeller, et arbeidsliv med plass til alle og en skole som gir folk muligheter i sitt liv. Vi har vært flinke til å ta det beste fra to verdener: Vi har f.eks. både en fri markedsøkonomi og en effektiv politikk for å motvirke utenforskap. I Stortinget har dette gitt seg uttrykk i bred enighet om flere viktige pilarer i vårt samfunn, slik som trygdesystemet og utenriks- og forsvarspolitikken. Bare de siste 15 årene har Stortinget samlet seg om pensjonsforlik, skatteforlik, forsvarsforlik, innvandringsforlik og barnehageforlik, for å nevne noe. Dette er en stor styrke ved det norske demokratiet og en egenskap som mange andre land misunner oss. Jeg velger å benytte anledningen i dag til å minne om dette, fordi dette er en verdi ved det norske I en verden med sosiale medier og klikkmedier blir vi som politikere stadig etterspurt klarere tale og mer konflikt. Men i en slik verden må vi minne oss selv på de gode politiske prosessene Det norske storting er kjent for, fordi dette er prosesser vi er tjent med å holde ved like. Særlig blir dette viktig når vi går trangere tider i møte. Omstillingen av vår viktigste næring, olje- og gassnæringen, er ikke ferdig selv om ledigheten nå går ned, veksten går opp, og flere kommer i arbeid. Vi må fortsatt skape flere jobber, særlig i privat sektor. På samme tid vil digitaliseringen og automatiseringen gjøre det nødvendig at vi som storting har et særlig fokus på at befolkningen har den kompetansen de trenger til de nye jobbene. Dette krever et løft for yrkesfagene, for digital kompetanse og for å sørge for at

med de forpliktelsene Stortinget allerede har gitt innenfor samferdsel og forsvar, for å nevne noe, vil handlingsrommet i norsk økonomi bli trangere. Det krever at politikere fra alle partier blir litt flinkere til å si hvordan gode intensjoner skal betales, ikke bare hva de vil gi mer penger til. Og jeg håper at vi som politikere kan være litt mer kreative enn kun å kreve inn mer På mange måter vil Norge gå inn i en ny normalsituasjon, hvor en må sette tæring etter næring. Gode ideer til hvordan skattekronene kan brukes smartere, slik at en får mer velferd for pengene, vil være etterspurt. Ikke minst vil det bli behov for politikere som evner å reformere og modernisere, ikke bare reversere. Som Norges største regjeringsparti vil Høyre ta ansvar for at vi får et Norge som er på sitt beste. Vi vil stemme for politikk som gjør et godt Norge enda bedre. Når utfordringene krever det, vil Høyre invitere partiene på Stortinget til å komme sammen for å løse de utfordringene vi som nasjon står overfor. Jeg håper på Stortingets tilslutning til nye nødvendige reformer og forlik, som kan bidra til å ta vare på Norge som verdens beste land å bo i. Det vil være nok av utfordringer å ta fatt i. Eldrebølgen og digitaliseringen er allerede nevnt, men jeg vil også trekke fram behovet for å adressere utenforskapet i Norge, nemlig å sørge for at de som kan jobbe, får jobbe. Når vi som storting skal ta vare på velferden i Norge, krever det ikke bare at vi har en bærekraftig velferd økonomisk, men også klimamessig. Norge skal møte sine forpliktelser overfor EU og kutte utslippene med om lag 40 pst. i ikke-kvotepliktig sektor fram mot 2030. Når en observerer de enorme teknologiske framskrittene verden har tatt innenfor lavutslippsbiler og lavutslippsfartøy til sjøs de siste fire årene, blir jeg optimist med tanke på at dette er mulig. Det er imidlertid viktig for Høyre at vi gjennomfører denne overgangen på en smidig måte, uten at vi mister tilliten hos befolkningen eller næringslivet. Alle de innenrikspolitiske ambisjonene dette stortinget har for å skape et bedre Norge, hviler på en grunnleggende forutsetning om at Norge er trygt. Derfor er det en viktig prioritet for denne regjeringen å styrke forsvaret og beredskapen i Norge. Det er nemlig vår aller viktigste forpliktelse til velgerne i Norge, det å holde Norge trygt. Vi kommer trolig også de kommende årene til å se et uforutsigbart og sammensatt trussel- og kriminalitetsbilde. Terroren vi så sist uke i USA, og den krevende situasjonen på Korea-halvøya minner oss om det. Nettopp derfor er det så viktig at Stortinget følger opp enigheten fra langtidsplanen for forsvaret og fullfører politireformen. Uavhengig av hvem som styrer landet, skal Norge være blant verdens tryggeste land å bo i og verdens beste land å bo i. Det er Stortingets fremste oppgave. Det vil kreve at vi både tar vare på det som er bra og samtidig utvikler ny politikk. Jeg ser fram til en ny Jeg ser fram til en ny regjeringsperiode og en ny stortingssesjon med gode politiske kamper der vi hele tiden jobber for å gjøre Norge enda bedre. Det blir replikkordskifte. Jeg har merket meg at både representanten Helleland og jeg har bilde av Hallingskarvet på kontoret vårt. Det

det. Siden han er så opptatt av at dette skal bli bra for styringen av Norge og effektiviteten i Norge, skal vi nå organisere den videregående skolen fra Ål til Halden, Moss, Fredrikstad, samordne og få nærhet der. 1,2 millioner mennesker skal inn i denne regionen, dobbelt så stor i antall mennesker som neste region. Er dette en god struktur for Norge? Norge? Siden Hellelands innlegg var gjennomsyret av at nå skal vi alle være så konstruktive – og jeg har sagt at vi skal være et konstruktivt opposisjonsparti – er spørsmålet: Hvor konstruktivt flertallsparti er Høyre? Vil Høyre være med og se på dette på nytt, slik at vi får et Norge som vi kan være stolte av, av måten vi er organisert og innrettet på? Det er riktig at når en er på toppen av Hallingskarvet, på
men om en ser til Halden, er jeg ikke helt sikker på. Det jeg er sikker på, er at den konstruksjonen som er valgt, handler ikke om Halden og Haugastøl. Den handler om at den byen vi er i nå, er et gravitasjonsfelt for både Østfold og Buskerud. Jeg vil minne om at det var fylkesordfører Ole Haabeth i Østfold og fylkesordfører Roger Ryberg i Buskerud, begge fra Arbeiderpartiet, som så det må ha vært tenkt tanker i Buskerud Arbeiderparti og Østfold Arbeiderparti som åpenbart er blitt overkjørt av partiledelsen. Vi skal være konstruktive, men når vi har inngått en skriftlig avtale med tre andre partier om en regioninndeling i Norge, regner jeg med at den avtalen står. Slik er det også når det gjelder Gahr Støre, jeg håper at de avtalene vi har inngått, kan videreføres. Så får vi diskutere det vi ikke har Dette var et typisk Høyre-svar. Jeg spurte om hva Helleland mente, og så kom han med hva Haabeth og Ryberg mener. Dem kan jeg snakke med, men fylkestingene i de tre fylkene har sagt nei. De har stemt nei til denne ordningen, de er imot den. Representanten Hareide, en av partnerne bak dette vedtaket, har sagt at dette er langt fra en perfekt reform, man må se nærmere på den. nærmere på den. I den tonen som representanten Helleland trakk opp, som jeg synes var både mild og vennlig som representanten selv, ligger det at la oss sette oss ned og se på denne løsningen. Det kan ikke være slik vi ordner Norge rundt hovedstaden, med 1,2 millioner mennesker, når man attpåtil har satt seg imot. Spørsmålet mitt er igjen: Hva mener egentlig Høyre? Jeg vet jo at man ivret ikke for det tredje nivået. Nå er det en mulighet til å ta tak i dette igjen, gjøre det funksjonelt, ordne det slik at folk kjenner seg igjen i det. De forslagene ligger her i Stortinget. Vil representanten, i tråd med det innlegget han holdt, stille opp på den dugnaden? Høyre mener det Arbeiderpartiet mente helt til partipisken smalt. I Buskerud var det et bredt flertall i fylkestinget for å gå inn for Viken. Så skjedde det et eller annet som gjorde at plutselig hadde alle snudd. Jeg tror det var et representantskapsmøte, det er vel ofte det som avgjør sakene i Arbeiderpartiet. Men fylkestingsgruppen var tydelig. Fylkestinget i Buskerud var tydelig. Jeg har ingen problemer med å forsvare Viken – heller det enn kunstige konstruksjoner. Arbeiderpartiet har jo egentlig ingen konstruksjoner, de vil bare tilbake til det gamle, dagens fylkesinndeling. Hvis vi skal ha en effektivisering av offentlig sektor, er jeg ikke redd for at de som søker seg inn på Ål videregående skole, blir sendt til Halden. Vi i Høyre er tilhengere av fritt skolevalg. Det gjør at en kan gå på videregående skole på Gol, i Det gjør at en kan gå på videregående skole på Gol, i Numedal, på Ål. En trenger ikke reise til Østfold, selv om det sikkert er hyggelig å reise dit også. Det kan hende de har noen linjer og noen tilbud som vi ikke har i Buskerud, og det vil være positivt. Neste replikant er Kjersti Toppe. Helleland må nok stå litt til.

kvarandre. Senterpartiets reform for offentleg sektor er at vi vil ha ein leiarkultur der vi stolar på folk som gjer jobben i førstelinjeteneste. Regjeringas kurs er å sentralisera. Det gjeld politi, det gjeld Nav, kommune og fylke, og folk reagerer på denne kursen. Høgres parlamentariske leiar, Trond Helleland, sa i Hallingdølen 30. juli at det vart for mange Helleland viste sjølverkjenning, men han mista sjølvsagt tillit. Regjeringa køyrer gjennom reformer med tvang, mot fleirtalet av dei folkevalde i kommunar og fylke. Spørsmålet mitt er: Vil Høgre etter valet visa same sjølverkjenning og stoppa sentraliseringsarbeidet der ein set system føre menneske i offentleg

distriktspolitikken. Der har vi litt ulike utgangspunkt, men jeg mener at samferdsel, det å satse på veibygging, binde landet sammen, det å stole på at privat næringsliv i distriktene klarer å skape nye jobber, viser seg å gi resultater. Reiselivet i Norge går så det suser, det er fantastisk utvikling i sjømatnæringen, distriktsnæringene går bra. De fylkene som er de typiske distriktsfylkene, har den laveste arbeidsledigheten, så der har vi en juvel som vi skal polere videre. Men det betyr ikke at vi kan si at offentlig sektor ikke skal gjennomgå endringer, og det er der vi opplever at Senterpartiet er litt bakstreverske. Men jeg mener at Senterpartiet har gitt veldig gode signaler nå etter valget, senest i Vårt Land, og jeg ser fram til et samarbeid med Senterpartiet i denne perioden, om reformer vi kan enes om. Først hadde jeg lyst til å si at jeg alltid har oppfattet Høyre som et næringsparti. Innbyggerne i Lofoten, der jeg kommer fra, er tydelig på hva de mener om oljeboring i våre nærområder. Hele 76 pst. sa i valgkampen nei til oljeboring i disse sårbare områdene. Bakgrunnen for at dette synet står så sterkt, er hensynet til eksisterende og da spesielt fiskerinæringen, som jo er Norges nest største eksportnæring. Når hele 76 pst. av innbyggerne i Lofoten sier nei til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, er mitt spørsmål til representanten Helleland: Gjør slike tall inntrykk på den parlamentariske eller er ikke hensynet til fiskerinæringen så viktig for representanten Helleland så lenge det er snakk om å åpne LoVeSe for oljeindustrien? Det er klart det gjør inntrykk på meg som Høyres parlamentariske leder at så mange sier nei til oljeboring i Lofoten. Det er nettopp derfor Høyre har vært tilhenger av å ha en konsekvensutredning. Det å vite hva en går til hvis en eventuelt skal starte oljeboring, må jo være noe som faktisk er ganske viktig. Vi er veldig opptatt av – som jeg var inne på i det forrige innlegget – både reiseliv og fisk. Lofoten er virkelig en juvel som har alle forutsetninger for å lykkes, og det er ingen som vil sette det på spill. Poenget med norsk oljesektor er at den er verdens sikreste og har utviklet seg stadig. Men det vi mener, er veldig enkelt. Vi ønsker å konsekvensutrede. Så vil det bli diskusjoner her i huset om det faktisk blir mulig å få til. Jeg legger til grunn at Høyre fortsatt kan ha interesse av at det er

oppvarmingen og å oppfylle Paris-avtalen og forsterke den. Venstre er veldig glad for at det i trontaledebatten ble tatt opp at vi ønsker en enighet med EU om å redusere våre utslipp med 40 pst. fram mot 2030. I siste periode har vi hatt et godt samarbeid, og vi har ambisiøse mål: bare nullutslippskjøretøy skal selges i 2025, det er satsing på kollektivtransport, vi har støtte til grønn omstilling, enten det er Enova, Fornybar Men Helleland mener også at vi står overfor trangere økonomiske rammer. Da blir mitt spørsmål: Er Høyre likevel innstilt på at vi må ha det samme høye ambisjonsnivået for å nå klimamålene i Norge, og en lederrolle for å få til grønn omstilling, også Svaret kunne vært veldig enkelt: Ja, det er vi innstilt på. Gjennom denne fireårsperioden som vi har bak oss, har vi virkelig utviklet klima- og miljøpolitikken i et godt samarbeid med Venstre og Kristelig Folkeparti. Det har vært et av de mest dynamiske områdene, der veldig mye har skjedd. Mye har vært skapt underveis fordi vi har utviklet nye virkemidler, men vi ser hvordan den teknologioptimistiske tilnærmingen vi har på mange områder, nå gir resultater; elbilpolitikken, utslippspolitikken knyttet til ferger osv. Ny teknologi utvikles hele tiden. Vi står fullt og helt bak dette og mener det er smart for Norge å satse på en klimavennlig politikk, for det vil også være en viktig næring

norske menn. Eg har lyst til å leggje at for eigen del tok eg ut 14 veker, frivillig. Kristeleg Folkeparti har ei veldig god løysing her: Me går til 14 veker, så utvider vi talet med fire nye veker, sånn at det ikkje går på kostnad av valfridomen til familiane. Er det ei løysing som Høgre synest

god: fifty–fifty. Det er mulig å få til. Men jeg ønsker at far skal ta et større ansvar, og det er det viktigste. Så må vi se hvordan vi kan få lagt til rette for det. Nå ligger det mange forslag på bordet, men det har en økonomisk kostnad, som jeg håper Kristelig Folkeparti vil være med og vurdere. Den 11. september gikk det norske folk til valglokalene og

Det manglet ikke på advarsler om hva som ville skje hvis Fremskrittspartiet slapp inn i regjeringskontorene. Det ble påstått at det ville rasere skolen, barnehagene, landbruket og arbeidslivet, og oljefondet – det skulle tømmes. Alle påstander har blitt grundig tilbakevist. Det har vært fire gode, men krevende år mens vi har sittet i regjering. Norge har opplevd det største oljeprisfallet på 30 år, noe som førte til at titusener mistet jobben i oljenæringen. Særlig var situasjonen vanskelig på Sør- og Vestlandet. Dette måtte møtes med målrettede tiltak. Vi kuttet skattene for næringslivet, vi lanserte en tiltakspakke på nær 10 mrd. kr, og vi har økt samferdselsbudsjettet med omtrent 50 pst. siden vi inntok regjeringskontorene i 2013. Mens Fremskrittspartiet har sittet i regjering, er det blitt skapt Vi sørger for trygghet i hverdagen til folk flest. Vår politikk virker. Det har vært utfordringer som vi sammen med Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre har løst på en god måte – ikke alltid lett, men sammen har vi klart å finne gode løsninger. Krig, uroligheter og fattigdom i Afrika og Midtøsten har sendt millioner av mennesker på flukt mot Europa. Europas asylinstitutt var ikke klart eller laget for det antallet migranter som kom i Norge var nødt til å stramme inn for bl.a. å sikre en god integrering. Resultatet har vært klart og tydelig. I 2016 kom det laveste antallet asylsøkere til Norge på 20 år, og vi er blant de beste på integrering. Politikken virker. Fremskrittspartiet har vist seg som et handlekraftig og styringsdyktig parti. Dette faktum har også velgerne fått med seg. Jeg skal innrømme at det er litt deilig å være ferdig med valgkampen. valgkampen. Det tror jeg velgerne også synes – en valgkamp som mange mener besto av politikere som ofte snakket i munnen på hverandre og fokuserte på hva motstanderne gjorde og sa, i stedet for på egne løsninger. Det skal ikke være noen tvil om hva Fremskrittspartiet tar med seg i forhandlingene om en ny regjeringsplattform, og hva vi ønsker å gjennomføre i denne perioden. Innbyggerne har sett hva som har skjedd de siste årene. De har sett hvordan skatter og avgifter reduseres, hvordan helsekøene går ned, og hvordan infrastruktur bygges og vedlikeholdes. Folk har ikke kjent seg igjen i svartmalingen av Norge, i fortellingen om hvor dårlig alt går, og hvorfor skattene bør økes. Sannheten er jo at de fleste piler peker i riktig retning for norsk økonomi. Dette er også grunnen til at velgerne valgte å gi Høyre og Fremskrittspartiet fornyet tillit ved årets valg. I forrige periode ble skatter og avgifter senket med 22 mrd. kr. Det er mye penger. Og 8 000 kr i skattelette kommer godt med for mange familier. Opposisjonen har ment at dette er småpenger, og det er det kanskje for mange i Arbeiderpartiet, men ikke for folk flest. Også i år har Fremskrittspartiet gått til valg på å senke skatter og avgifter. For oss er det viktig at skattereduksjonene kommer folk til gode. Det er viktig å kutte i inntektsskatten ved å heve bunnfradraget og ved å senke satsen. Dette vil motivere til å jobbe mer, noe som er helt nødvendig i årene som kommer. Men lavere skatt har også en verdi i seg selv ved at innbyggerne får beholde litt mer av sin egen inntekt. Dette er å flytte makt fra politikere og byråkrater til folket, og dette er å gi folk frihet til å bestemme mer over egne penger og egne liv. Eiendomsskatten er en usosial skatt, som Fremskrittspartiet ønsker å avvikle. Den tar ikke hensyn til verken inntekt eller gjeld. Vi var ganske mange som ble provosert av historien om Marianne i Bodø og den store skatteregningen hun fikk fra kommunen. Enkelte kommuner har i dag store overskudd og kan enkelt kutte ut eiendomsskatten. Andre kommuner må gjøre andre prioriteringer og effektivisere driften sin. Kommunene må i fremtiden drive mer rasjonelt enn i dag. Dette gjelder også innenfor de områdene som er politisk prioritert. Jeg er samtidig ikke i tvil om at kommunene kommer til å klare dette arbeidet. Eiendomsskatten bør fjernes gradvis og ikke komme som et sjokk på kommunene. For Fremskrittspartiet har det alltid vært en selvfølge at alle skal få rask helsehjelp. Det er grunnleggende galt at man i lang tid har latt mennesker stå i helsekø hos offentlige institusjoner samtidig som private institusjoner har hatt ledig kapasitet. Det som betyr mest for hver og en av oss når vi blir syke, er tross alt at vi kan være trygge på at vi får best mulig behandling raskest mulig. Et av de viktigste tiltakene i regjering har derfor vært å øke stykkprisfinansieringen og innføre fritt behandlingsvalg, nettopp for å sikre at den ledige kapasiteten i hele Helse-Norge blir tatt i bruk. For oss handler dette om å sette pasienten foran systemet. Ikke bare har fritt behandlingsvalg skapt større forutsigbarhet for den enkelte, det har også skapt en valgfrihet som vi vet vil være helt avgjørende for veldig mange. For vi må ikke glemme at det tilbudet det offentlige helsevesenet tilbyr, ikke nødvendigvis er det som passer for alle. Fritt behandlingsvalg setter pasientenes behov først. I perspektivmeldingen fra i vår

Jeg håper dette er noe også Arbeiderpartiet og de andre partiene på Stortinget vil være med på i denne perioden. Det forventes en eldrebølge i årene som kommer. Særlig fra 2030 vil vi få svært mange pensjonister over 80 år, og disse vil trenge flere helsetjenester. Mange vil nok også forvente mer enn generasjonen før. For de fleste i denne salen er det forhåpentligvis mange år til de selv trenger denne type tjenester, men mange av oss kan nok kjenne oss igjen i at vi kommer til å kreve langt mer enn våre foreldre og besteforeldre har gjort. Arbeidet med eldrebølgen og kostnaden ved denne må starte nå. For å løse dette trenger vi ikke bare å effektivisere driften i det offentlige, vi er også fullstendig avhengige av lønnsomme bransjer i fremtiden. Vi har vært heldige med det norske oljeeventyret og utnyttet disse ressursene veldig godt. Statens pensjonsfond utland er rekordstort – dette til tross for at vi har vært nødt til å bruke mer oljepenger i en veldig krevende periode. Selv om jeg tror det er lenge til vi ikke tjener penger på olje, er vi nødt til å omstille oss og finne andre næringer i tillegg. Vi trenger derfor en høyt kompetent og utdannet arbeidsstyrke for å utvikle disse næringene. Derfor er det så viktig å satse videre på forskning og utdanning, og derfor vil regjeringen skape best mulige rammebetingelser for norsk næringsliv – både eksisterende og nye næringer. Det handler om vår felles fremtid og vår velferd. Jeg vil nok en gang takke velgerne for tilliten ved årets valg. Det var et valg om vi skulle øke skattene eller senke dem ytterligere, og om vi skulle ha en liberal eller streng innvandringspolitikk. Årets valg var et verdivalg – et valg om hvilken retning vi ønsker at Norge skal gå i. Velgerne har nå gitt sitt mandat til et ikke-sosialistisk flertall, som Fremskrittspartiet skal være med på å ivareta til det beste for folket. Det blir replikkordskifte.

De lovet opp mot 50 mrd. kr i skattekutt i valgkampen og å avvikle eiendomsskatten uten kompensasjon til kommunene. Så har han i tillegg nå dratt opp scenarioer med ganske store oppgaver vi skal løse. Eldrebølgen kommer ikke fra 2030, den kommer fra 2020, tidlig i det tiåret, og man må begynne nå. Så spørsmålet mitt til representanten er: Hvordan har han tenkt å finne løsninger for samfunnet – og for kommunene – for å møte disse store oppgavene, samtidig som så store deler av inntektene skal bortfalle? Er det da et nytt syn etter fjorårets enighet når det gjelder ansvarlig bruk av oljepenger, for å bruke mer av dem, eller har han andre grep i såkalt effektiviserende retning? Det er jo slik at det ved inngangen av ny periode skal utformes ny politikk, og det foregår jo også noen samtaler på ikke-sosialistisk side. Det tar vi i tur og orden. Fremskrittspartiet har ikke lovet 50 mrd. kr i skattelette – det er nok andre som har lovet det på våre vegne. Men det er helt klart at vi ønsker å redusere skattenivået i Norge, og vi ønsker å avvikle eiendomsskatten. eiendomsskatten. Eiendomsskatten utgjør en veldig liten del av kommunenes samlede inntekt, og vi vet at kommunene har hatt veldig gode resultater både i 2015 og i 2016, så det bør være fullt mulig å avvikle eiendomsskatten over tid. Dette er ikke noe som skjer sånn over natten, men over tid, slik at kommunene får anledning til å tilpasse seg et lavere skattenivå. Nå er det jo slik at når flere kommuner har tydd til eiendomsskatt, er det fordi de har funnet det helt nødvendig for å løse grunnleggende oppgaver knyttet til skole og eldreomsorg allerede. Jeg hører ofte representanten snakke om at kommuneøkonomien ble bedre i 2015 og 2016. Det snakkes ikke så mye om 2017 – for ikke å snakke om hva som kan komme i 2018 og 2019. Så jeg utfordrer fortsatt på det bildet av at man kan kutte eiendomsskatten og de andre store skattene – 50 mrd. kr var summen av de forslagene Fremskrittspartiet fremmet. Hvis man regner det ut, kommer man omtrent til det. Derfor mener jeg at det fortsatt er et uttrykk for en samfunnsretning som er stikk i strid med det representanten Helleland trakk opp – et samfunn med små forskjeller, med muligheter for alle og like muligheter til utvikling over hele landet – når man fjerner inntektsgrunnlaget for kommunene til å løse sine praktiske oppgaver. Så igjen: Hvordan har representanten Limi tenkt å løse de grunnleggende velferdsoppgavene når inntektsgrunnlaget for å løse dem forsvinner?

Det gjenstår å se, men vi vet at kommuneøkonomien per i dag er veldig bra, og vi vet at kommuner som har overskudd og et positivt driftsresultat, også har innført eiendomsskatt, uten at det egentlig er nødvendig, for å kunne utføre det som er de høyest prioriterte oppgavene – å levere tjenester til innbyggerne. Senterpartiet er

ble irettesatt og korrigert nok ganger i valgkampen på denne påstanden om sentraliseringspolitikk. Den ble erklært død opptil flere ganger, selv om det ble hevdet at det var en politisk påstand som ikke kunne faktasjekkes. Er det noe Høyre og Fremskrittspartiet har gjort i foregående periode, i samarbeid med Venstre og Kristelig Folkeparti, er det nettopp å styrke beredskapen, bevilge mer penger til flomsikring, til rassikring, til utbedring av tunneler, osv. Det har vært en høyt prioritert oppgave. Det har blitt bevilget penger over statsbudsjettet, og dette er selvfølgelig noe som gjøres i samarbeid med kommuner og fylker, for det er ofte de som har det operative ansvaret. Men det skal ikke være noen tvil om at ansvaret for å bevilge penger ligger her,

seg eit berekraftig velferdssamfunn? Er «berekraftig» eit fint ord for velferdskutt? Og er «effektivisering» eit fint ord for nedbemanning? Dei tilsette i eldreomsorga seier sjølve at dei i dag treng ei norm for auka bemanning. Dei opplever at dei allereie i dag er for få tilsette på jobb. Det same ser me i skulen, på sjukehusa og i barnehagen. Denne regjeringa har til no stått for ei rekkje usosiale kutt i velferda. Meiner de at det er berekraftig for samfunnet som heilskap å kutta i den sosiale tryggleiken til det norske folk? Absolutt ikke. Det er nettopp det at vi

ikke blir mindre rammer, så blir det en litt annen budsjettsituasjon, og det betyr at vi må tørre å tenke litt nytt. Vi må se på hvordan vi kan utnytte disse ressursene våre bedre for å få bedre resultat, og kanskje bruke mindre penger. Jeg er veldig uenig i det som til tider synes å være opplest og vedtatt i norsk politikk, at man hele tiden skal fokusere på bevilgningenes størrelse, men svært lite på resultatene, og det er vi nødt til å snu.

Vi har også vedtatt at elbilfordelene skal vare fram til 2020, og det er et mål at alle nye biler solgt i 2025 skal være nullutslippskjøretøy. Da blir mitt spørsmål: Er Fremskrittspartiet innstilt på at elbilfordelene, altså fordelene for andre nullutslippskjøretøy, må vi holde fast ved lenge nok, sånn at vi sikrer at vi når målsettingen om at det bare skal selges nullutslippskjøretøy i

Nå har vi i foregående periode, sammen med Venstre, fått gjennomført endringer i engangsavgiften, nettopp for å premiere biler med lave utslipp, ikke nødvendigvis null, men lave utslipp, og det har kommet norske forbrukere og norske bilkjøpere til gode. Så har det aldri vært meningen at elbilfordelene skulle vare evig. Det er i første omgang avgrenset til 2020. Jeg tror at vi er nødt til å forberede oss på den situasjonen som vil oppstå ved at man fortsatt skal premiere biler med lave utslipp, men det er ikke sikkert at det avgiftssystemet blir utformet på samme måte som i dag.

til Framstegspartiet er: Ser Framstegspartiet konsekvensane av den politikken dei fører, at det har nokre etiske utfordringar, og at me lett får eit samfunn der enkelte blir valde bort, blir sorterte bort, nettopp når alle moglegheiter blir gitt, og at me i for stor grad lèt teknologien styre etikken? derimot la etikken styre teknologien. Det er mi utfordring til Framstegspartiet. Det er et veldig viktig område Hareide her tar opp, og vi ser også at det er ønsker ikke å sette for store begrensninger på mulighetene som oppstår ved å bruke ny teknologi. Samtidig må den teknologien også håndteres og utøves med stor varsomhet, for det kan bli et etisk dilemma. Ingen ønsker et sorteringssamfunn, overhodet ikke. Det skal være like muligheter for alle, og man skal ikke Men samtidig er det noen som ønsker å bruke denne teknologien til å oppnå noe som de alternativt ikke gjør. Så jeg ser at det har to sider, og jeg tror at det er viktig å belyse det, spesielt det etiske, men ikke nødvendigvis å forby det. Replikkordskiftet er dermed omme. Etter valget er det mange som vil forsøke å konstruere sin egen historie om valgresultatet. Da

i forrige periode, med enten Venstre eller Kristelig Folkeparti, er nå tapt. Det skaper en helt ny dynamikk i Stortingets arbeid. Sakene kommer til å bli rettesnor, og flertallet vil måtte variere. Vi står med andre ord overfor en ekte mindretallsregjering. Nå er mindretallet reelt. I den perioden som ligger foran oss, kommer Senterpartiet til å fokusere på sakene og forsøke å få gjennomslag for ny politikk, med ulike flertall som finnes i dette Stortinget. For oss vil politikken være det viktigste. Tidligere i høst døde legen og samfunnsdebattanten Per Fugelli. Han var en tydelig og kontroversiell stemme på mange områder. Jeg husker jeg så et program med tilbakeblikk på hans tid på Røst og Værøy. Fugelli sa noe i dette programmet som jeg merket meg: Jeg tror på mange måter folkevettet er klokere

Knivstikking, ulykker, funn av døde mennesker – ingenting gjør lenger stort nok inntrykk til at politiet rykker ut dersom det skjer langt nok fra nærmeste by. De frustrasjonene som det skaper, er høyst forståelige. Folkevettet reagerer. Folk vil at det skal være trygghet, enten det bor 1 000 eller 100 000 mennesker et sted. De vet at forebygging av kriminalitet ikke kan fjernstyres.

Mange av innbyggerne opplever at det etableres systemer som ikke tjener dem godt, og hva verre er: Når en tar til motmæle, blir en fortalt at en ikke vet sitt eget beste, eller at en kort og godt er blitt så dyr i drift at systemet ikke lenger kan opprettholde viktige tjenester. En må spørre: Hva skjedde med menneskene oppe i milliardene? Det gjelder Nav, som nå trekker seg tilbake fra sine brukere. De som trenger råd og veiledning, bes nå om å ringe eller bruke internett. Men Nav er ikke noe strømselskap, der man kan ringe servicenummer og taste 5 og firkant. Nav er mange menneskers sikkerhetsnett når livet avviker fra det normale, når det tar en tyngre vending. Det er urovekkende at klagene på Nav har økt så sterkt det siste året. Det tyder på at endringen i Nav går i feil retning. Kanskje er tenkningen i Nav et symptom på en offentlig sektor som effektiviserer seg vekk fra menneskene. Innenfor utdannings- og helsesektoren ser vi noe av det samme. Rapportering og skjemaer spiser tida som kan brukes til elevene eller til pasientene. Systemene blir viktigere enn menneskene. En sånn utvikling bidrar til at både menneskene som bruker offentlige tjenester, og dem som er ansatt der, føler samme avmakt. De føler avmakt overfor et system der praktisk samarbeid ikke blir oppmuntret, og der det å ta operativt ansvar ikke blir premiert. Samtidig ser vi gang på gang at ansvaret pulveriseres hos toppledelsen, og at direktorater, helseforetak og departementer blir sittende og skylde på hverandre. Mange av de reformene som denne regjeringen har satt i gang i offentlig sektor, er strukturendringer som handler om å sentralisere. Men de samme reformene handler og om en type offentlig styring der systemet trumfer individet. En av de viktigste debattene Stortinget står overfor de neste fire årene, er derfor hvilken type offentlig sektor vi skal ha. Norge har svært mange ansatte i offentlig sektor som ønsker å gjøre jobben sin på en ordentlig måte, men som i dag blir detaljstyrt og utsatt for en mengde rapporteringsarbeid. Løsningen på dette er ikke konkurranseutsetting og anbudsregimer. Løsningen er en fornying av offentlig sektor der de ansatte gis myndighet og tiltro til å gjøre en god jobb, og der de som bruker offentlige tjenester, føler at de blir både sett og hørt. Med andre ord: Folkevettet må telle. Jeg synes Frank Aarebrot uttrykte det godt da han i sommer sa at det må bli slutt på galskapen som kalles New Public Management. Aarebrot var en av våre fremste formidlere av politikk og politisk historie, men hans innsats ville nesten ikke ha gitt uttelling i det rigide systemet for telling av kvalitet som i dag gjelder innenfor universitetssektoren. Det Høyre og Fremskrittspartiet har gjort de fire siste årene, er å gå til et målrettet angrep på offentlig sektor, både ved en gjennomgående sentralisering på mange områder og ved å oppmuntre til flere tellekanter og mer rapportering, enda flere og enda flere råd og utvalg. Distriktspolitikk handler på mange måter om å skape balanse. Det skapes store verdier rundt omkring i Norge. Det er stor aktivitet og kreativitet, det opprettes arbeidsplasser, og det betales skatt. Verdiskapingen er stor. Men da må også offentlig sektor henge sammen og fungere like godt over hele Norge. Det må balanseres. Den private verdiskapingen er avhengig av en velfungerende offentlig sektor. Framover skal vi alle sammen høre mye om digitalisering. Den skyter fart. Men allerede nå ser vi et gryende klasseskille her. Mange av dem som bor i distriktene, får ikke ta del i den nye teknologiske utviklingen. Det kan ikke godtas. Vi kan ikke godta at mange skolebarn ikke får levert leksene sine fordi nettet er for dårlig. Vi kan ikke godta at gründere ikke får utviklet ideene sine fordi nettkapasiteten ikke er god nok, fordi de tilfeldigvis bor utenfor de store byene og ute i distriktene. Men dette er hverdagen til mange bedriftseiere og mange personer i Distrikts-Norge, og det er ikke akseptabelt. Senterpartiet mener at det er på tide å endre kurs. Verdiskapingen i hele landet må utvikles. Vi må motarbeide et digitalt klasseskille, og offentlig sektor må fornyes uten at det skal bety en sterk sentralisering. Det betyr med andre ord at vi må ha større tillit til dem som arbeider i offentlig sektor, ikke detaljstyre dem. Det betyr at digitaliseringen må gi muligheter til alle, ikke gi nye klasseskiller. Det betyr at vi må se hele landet og fornye den distriktspolitikken som nå forvitrer under denne regjeringen. Det betyr at vi må redusere forskjeller sosialt og geografisk. Det betyr at vi må få opp respekten for naturressursene våre og for dem som produserer dem. Vi må fordele ressursene over hele landet, slik at alle får et godt velferdstilbud uansett hvor de bor. Stortinget er nå sammensatt på en slik måte at det gir større muligheter for gjennomslag for endringer som kan bidra til en ny kurs. På samme måte som regjeringspartiene prøver å konstruere sin egen historie om stortingsvalget, prøver de nå også å konstruere sin egen fortelling om hvordan Stortinget bør fungere. Statsministeren ønsker åpenbart at Stortinget må innrette seg etter regjeringens ønsker slik at kryssende flertall unngås – ellers kan det etter hennes utsagn bli helt uhåndterlig. Men det er ikke slik parlamentarismen fungerer. Det er faktisk slik at det er regjeringen som må innrette seg etter Stortinget og flertallets ønsker. Det er enhver

Nå hører vi at Høyres parlamentariske leder sier at vi må begynne å se på hva ting koster. Det samme hører vi representanten Limi si. Hvordan vil Senterpartiet finansiere det jeg håper fortsatt er Senterpartiets politikk, å styrke kommunenes økonomi? Og ser representanten muligheten for å få et flertall for det i Stortinget heretter?

velferdstjenester til innbyggerne – på skole, på barnehage, på helse – er helt avgjørende viktig. Det skjer gjennom de midlene som kommunene får. Så har denne regjeringen foreslått en endring i inntektssystemet som gjør at de store kommunene får mer midler på bekostning av de små kommunene. Det er en utvikling Senterpartiet er bekymret for,

samtidig har Senterpartiet i flere aviser sagt at dersom kommuner har utfordringer med barnevernet og å løse de oppgavene, må de flytte ansvaret ut av kommunen og inn i interkommunalt samarbeid. Nå vet vi at Frank Aarebrot, statsviteren, som også Arnstad siterte, var svært kritisk til interkommunalt samarbeid. Det er rett og slett å flytte makt ut av kommunestyresalen. Så spørsmålet mitt til Senterpartiet er egentlig: Hvordan mener dere at opprettelse av interkommunale selskaper vil styrke lokaldemokratiet? Det er riktig at Senterpartiet mener at det er svært mange oppgaver som kan desentraliseres uten at en trenger å gjennomføre noen store strukturreformer, slik som Høyre har foreslått. Det problematiske med Høyres strukturreformer er at de ikke engang har latt oppgavene følge reformene. Det har vært ren strukturendring uten oppgavedesentralisering. Vi mener at det er mange oppgaver kommunene er i stand til å gjennomføre, og som de bør få muligheten til å gjennomføre. Vi har presentert det i ulike sammenhenger i Stortinget. Når det gjelder barnevern, er det en viktig og krevende tjeneste. Der er det utfordringer både i små og store kommuner. Hvordan vi skal løse framtidas barnevern, burde vi egentlig diskutere helt uavhengig av kommunestørrelse og strukturreform innenfor kommunene, fordi det er en viktig problemstilling som fortjener oppmerksomhet på egen kjøl. Det er heller ikke noen helt automatisk sammenheng i at de store kommunene barnevern enn de små. En av de aller beste kommunene i landet på barnevern er faktisk Dovre kommune i Oppland, som slett ikke er av de største kommunene her i landet. Eg vil først gratulera Senterpartiet med eit godt val. Så trur eg veldig mange er

dei største kontrastane i valkampen min. Det var då eg hadde Siv Jensen på besøk i Hordaland. Me starta dagen i ein barnehage på Askøy med glade barn, og me leikte med dei. Så fortsette me til operasjon Dark Room i Bergen og høyrde dei gruvsame historiene som dei kunne fortelja oss, historier som dei etterforska og jobba veldig systematisk med. Då slo det meg at den retorikken som Senterpartiet har hatt om at talet på lensmannskontor er det viktigaste for å

Neste replikant er

Skal ein styrkja kommunane på kostnad av staten, flytta makt og ressursar og sikra fleire trygge arbeidsplassar i heile landet, vil det etter Venstres syn vera langt meir føremålstenleg heller å fylla kommune- og regionreforma med reelt innhald. Det prøvde me å få Senterpartiet med på i førre periode. Svaret var kontant: Det hadde partiet null interesse av, fordi dei skulle vinna valet ved å protestera. Omsynet til partiet var viktigare enn omsynet til distrikta. No er valet unnagjort. Spørsmålet er: Vil Senterpartiet no vera med Venstre på å styrkja kommunane og regionane og slik verkeleg ta eit krafttak for distrikta? Som jeg nevnte i et tidligere replikksvar, har Senterpartiet fremmet en rekke forslag om oppgaver som bør desentraliseres til fylker og til

strukturendring. Det er merkelig at det ikke skal være mulig også for Venstre å diskutere de to tingene hver for seg, for det er mange oppgaver som kan desentraliseres til kommunene uten at en trenger å endre struktur av den grunn. Jeg håper at Venstre vil være med på den type debatt i perioden som kommer. Jeg tror Senterpartiet og Venstre kan ha mye å snakke om når det gjelder å få en faktisk desentralisering i det norske samfunnet.

og handlingslammelsen i møte med klimaendringene. All framgang i det valget vi har bak oss, kom på rød-grønn side. Regjeringen er svekket, og i dette Stortinget finnes muligheter for flertall for en ny kurs i en mengde saker som er viktige for veldig mange mennesker. I dag fremmer SV ti representantforslag som vi utfordrer sentrumspartiene og Arbeiderpartiet til å slutte seg til i høst.

Egoismen til overklassen er vond å se på når vi samtidig vet at de 10 pst. dårligst betalte i det norske arbeidslivet snart har hatt ti år nesten uten reallønnsvekst. I en sånn situasjon trengs ikke skattekutt til dem på toppen. Regjeringen har rigget skattesystemet for den økonomiske eliten, mens arbeidsfolk merker lite eller ingenting til Siv Jensens skattekutt. Regningen for skattefesten sendes til noen av dem som har det vanskeligst – til amputerte og brannskadde som har fått økte egenandeler, til uføre som har fått mindre å leve av, til dem som er avhengig av bostøtte, til de arbeidsløse som mistet feriepengene, til verftsarbeideren som fikk skattesmell på sluttvederlaget når han mistet jobben – og nå til syke som skal få dyrere medisiner når regjeringen vil kutte hvit resept, og til familier med alvorlig syke barn som får kutt i pleiepenger. Det Norge trenger nå, er en kraftfull politikk for rettferdig fordeling. Vi må rigge om skattesystemet sånn at det bidrar til å redusere forskjellene, og til at arbeid lønner seg mer og spekulasjon i aksjer og boliger mindre. Vi må sette dem som har minst først. Derfor fremmer vi i dag forslag om en opptrappingsplan for barnetrygden, fordi de fattige familiene fortjener at norske politikere endelig handler. Og derfor fremmer vi i dag forslag om å reversere – ja «reversere» er et fint ord når det handler om å gjøre om på urettferdighet – kuttet i pleiepengene og å gi også foreldre med varig syke barn mulighet til pleiepenger så lenge barna trenger det. Derfor må vi ta tilbake kontroll over arbeidslivet og boligmarkedet. Vi må sikre at de viktigste ressursene hører fellesskapet til. Fisken skal skape liv langs kysten, ikke privatiseres bort til kvotebaroner og trålredere. Jernbanen skal frakte folk rundt i Norge, ikke fortjeneste ut av Norge. Og velferden vår skal være til for å skape trygghet for folk flest, ikke profitt for noen få. Derfor fremmer SV i dag forslag om å stanse velferdsprofitørene i barnevern og barnehager.

I trontalen står det ingenting om at forskjellene vokser, og absolutt ingenting om hva regjeringen vil gjøre med det. Nå må de tvinges til å tenke. SV fremmer derfor et ganske enkelt forslag til votering her i salen under trontaledebatten. Vi ber om en stortingsmelding om tiltak mot den økende ulikheten i makt og rikdom i Regjeringen varsler tøffere tider for Norge. Vårt land vil mer og mer preges av de samme problemene som vi ser i land rundt oss. Der ser vi at den markedsliberale modellen har spilt fallitt. Det er derfor den demokratiske sosialismen er tilbake som et alternativ for millioner av velgere på jakt etter en ny vei i land som USA, Storbritannia, Frankrike og Spania. Ulikhetskrisen og klimakrisen krever en restrukturering av økonomien vår med en mye mer aktiv stat, sterkere fellesskap, kraftig omfordeling og rask omstilling fra en økonomi basert på fossil energi og på å bruke opp ressurser til en økonomi basert på fornybar energi og å bruke ressurser om igjen. Der møtes de – de to – en rød politikk for rettferdighet og en grønn politikk for miljø. Den ene er ikke mulig uten den andre. Begge to forutsetter at menneskene settes foran markedene, og at behovene til de mange settes foran profitt til de få. I går kom nok et utspill fra Statoil-sjefen om at han må få pumpe opp mer olje for å redde klimaet. I det har han nok hjertelig støtte fra Både oljedirektørene og høyresiden tenker mer på raske penger enn på de raske endringene i klimaet vårt. Ekstremvær er allerede en dramatisk trussel mot mennesker i store deler av verden, og som regel rammes de fattigste hardest. Å stoppe klimaendringene handler om rettferdighet. Under den borgerlige regjeringen har nedgangen i norske klimagassutslipp stoppet opp. Perioden vi nå begynner, må bli vendepunktet. Kappløpet etter ny olje, stadig dypere inn i Arktis, er i realiteten en måte å si at Norge ikke bryr seg om klimaendringene. Det er allerede funnet mer kull, olje og gass i verden enn det som er mulig å brenne hvis vi skal unngå katastrofal global oppvarming. Oljen i Arktis kan ikke utvinnes hvis verden skal nå klimamålene, og hvis en effektiv klimapolitikk settes i gang, vil det heller ikke lønne seg. Å fortsette skattesubsidieringen av ny oljeleting vil derfor vise seg å være sløsing med penger og sløsing med muligheter til å utvikle morgendagens arbeidsplasser. At vi fortsatt har en debatt om Lofoten, Vesterålen og Senja, er helt utrolig. Det finnes ikke noe kompromiss i den saken. Det skal fiskes, ikke bores etter olje, på Røsthavet. SV svikter aldri folket, fiskerne og naturen i Lofoten, Vesterålen og Senja. Det aller viktigste i klimapolitikken er ikke hva som skjer om 15 eller 20 år, men hva som skjer nå. Vi må komme i gang med utslippskutt som monner. SV var det eneste partiet som i valgkampen la fram en konkret plan for hvordan vi kan kutte utslipp i den kommende fireårsperioden. I den planen la vi fram tiltak og virkemidler som vil kutte utslippene med minst 5 millioner tonn. Derfor fremmer vi denne planen med 42 konkrete forslag i Stortinget i dag. Klimaendringene er i gang. Det er nok prat – det er tid for handling. Fredsprisen til ICAN var en pris i rett tid. Trusselen om atomkrig er mer reell enn på svært lenge, og atomvåpenarsenalene moderniseres i stedet for å bygges ned. Et forbud i FN-regi ser ut til å være det eneste som kan få atomnedrustning tilbake på den globale dagsordenen. Innenfor rammen av denne forbudsprosessen må målet være å få til reelle forhandlinger mellom stormaktene om gjensidig nedrustning. Skal vi få til det, må vestlige land uten atomvåpen støtte forbudet. Det er flaut at Norge har stilt seg på feil side i FN. I stedet for å støtte fredsprisvinneren dilter regjeringen etter Donald Trump. Trump. Derfor fremmer SV forslag i dag om at Stortinget skal sette i gang prosessen med å utrede hva det kommende forbudet vil få å si for Norge. Kall det gjerne en konsekvensutredning. Jeg håper at også partiene som ennå ikke har bestemt seg, vil kunne støtte vårt forslag. I valgkampen ble det snakket mye om islamistisk fundamentalisme. Det er noe særlig Fremskrittspartiet har snakket høyt og lenge om. Da er det virkelig en himmelropende dobbeltmoral at regjeringen tillater eksport av krigsutstyr til det islamistiske diktaturet i Saudi-Arabia, og har gjenopptatt eksporten til Emiratene. Vi har tenkt å gi Fremskrittspartiet en sjanse til å rette opp i gapet mellom liv og lære. Derfor fremmer vi i dag forslag om å stanse eksport av våpen og forsvarsmateriell til landene som deltar i krigen i Jemen. SV begynner denne stortingsperioden med store ambisjoner. Politikk handler om å velge side, og vi vet hvor vi står. Vi setter dem som har minst, foran den økonomiske eliten. Vi vil ta tilbake kontroll over arbeidsliv og boligmarked. Vi vil sette folkets rett til fisken foran kvotebaroner og trålredere. Vi vil sette hensynet til vår felles velferd foran velferdsprofitørenes ønske om fortjeneste. Vi vil sette hensynet til klimaet foran oljedirektørene. Vi vil støtte fredsprisvinneren og ikke Donald Trump. Med det tar jeg opp og fremmer SVs forslag i trontaledebatten. Representanten Audun Lysbakken har tatt opp det forslaget han refererte til. Det blir replikkordskifte. Jeg er

SV mener det har gått så langt at svaret må være å forby bemanningsbransjen i den form den har i dag. Den bør begrenses til det som er ren vikarformidling, og ikke til den økende rollen den har fått i norsk arbeidsliv. Jeg er glad for at Arbeiderpartiet også har signalisert en større vilje til å diskutere hvordan vi håndterer arbeidsinnvandringen. Arbeidsinnvandring må ikke bli en brekkstang for å dumpe lønns- og arbeidsvilkår i det norske arbeidslivet.

klimapolitikken. I innlegget sitt brukte representanten ord som at nå er det nok prat, nå må vi komme i gang. Men dessverre ser Venstre ut til å avslå den muligheten som ligger der, og velger samarbeid med klimafornekterne i Fremskrittspartiet heller enn handling. Mitt spørsmål er derfor: I hvor stor grad tror representanten Lysbakken at klimapolitikken blir taperen når Venstre nå sitter med Fremskrittspartiet og forhandler?

Men nå begynner vi med blanke ark. Jeg ser fram til samarbeid med Arbeiderpartiet. SV har lansert 42 konkrete forslag for utslippskutt. Arbeiderpartiet har nå en gyllen mulighet til å vise at Arbeiderpartiet er klar til å være grønnere enn høyresiden i norsk politikk, og jeg gleder meg til å hjelpe Arbeiderpartiet på veien til det. En av SVs virkelige seire er

Retorikken vi hører i dag, er odiøs – med referanse til dem som beriket seg gjennom samarbeid med den tyske okkupasjonsmakten. De kalles profitører. Er det sånn SV liker å takke alle dem som iherdig har jobbet for å innfri SVs politiske mål? Ingen private barnehager mottar en eneste krone mer enn de offentlige, og hvordan forsvarer SV da å kalle dem «velferdsbaroner», eller kanskje «velferdsbaronesser», for det er jo Ja, alle som driver gode private barnehager i dag, kalles for velferdsprofitører. Hvordan forsvarer man det, når det har vist seg at de i virkeligheten er velferdsinnovatører? Høyre har brukt enhver mulighet til å få debatten om velferdsprofitt til å spore av og handle om noe annet enn det den handler om. SV er for private barnehager. Vi er de fremste forsvarerne av de små private barnehagene, som taper under den regjeringen som sitter nå.

til trygghet for barn, til god omsorg for barn, isteden går til å gjøre noen rike mennesker rikere, eller oppkjøpsfond enda mer lønnsomme. Det er meningsløs bruk av skattebetalernes penger. Det vi vil ha, er et enkelt, folkelig og fornuftig vedtak om at hver krone som bevilges til barnehager, skal gå til barnehager, i både private og offentlige

Det er stikk i strid med det Framstegspartiet ønskjer, som ønskjer at òg den kommunale skal fasast ut. Me vil ikkje lenger at Marianne frå Bodø, som eg vart kjend med på NRK, må velja mellom å betala eigedomsskatt for huset sitt – over 20 000 kr – og om ho skal ha barnehageplass til barna sine. Så spørsmålet mitt er: Den statlege eigedomsskatten som SV tek til orde for, er det i tillegg til eller i staden for den kommunale, som allereie er der, og som me vil redusera?

det Finansdepartementet som styres av Siv Jensen – viser at vårt forslag til nasjonal eiendomsskatt vil redusere ulikhet i Norge. Det er ikke mulig i dag å få til et mer rettferdig skattesystem, å gjøre noe med økende ulikhet, uten også å tørre å se på hvordan boligmarkedet styres i Norge – eller ikke styres i Norge. Manglende skattlegging gjør at prisene eksploderer, at unge forretningsmenn kjøper boliger istedenfor å starte bedrifter, og det går ut over dem som har minst, ut over de unge som skal inn på boligmarkedene, og ut over dem som har de laveste lønningene og den laveste kapitalen i utgangspunktet. Representanten har tatt opp temaet rettferdig fordeling og utjevning av ulikheter i sitt innlegg, og det leder meg inn på soneforvaltningen av ulv. Soneforvaltningen av ulv fører til at en svært liten del av Norges befolkning må ta all belastningen med at et flertall i Stortinget ønsker ulv i Norge. Den ulvepolitikken som føres i dag, Den ulvepolitikken som føres i dag, er grunnlag for mye utrygghet i ulveutsatte områder, den er grunnlag for svekket biologisk mangfold og tap av rettigheter knyttet til næringer, friluftsliv og jakt. Og da er mitt spørsmål til Lysbakken: Mener Lysbakken at en slik fordeling av byrdene med å ha ulv er rettferdig?

Jeg mener at det Senterpartiet går inn for, altså at Norge i praksis ikke skal ta noe ansvar for å ta vare på ulven i det hele tatt, er feil, det vil sende feil signal ut i verden. Vi står ikke bare oppe i en dramatisk klimakrise, men også i en annen miljøkatastrofe knyttet til tap av biologisk mangfold. Det rike landet Norge må klare å ta vare på vårt mangfold. Det innebærer også rovdyrene. Og så skal det forvaltes på en måte som gjør det mulig å drive landbruk i hele landet og få til sameksistens med en god og ansvarlig forvaltning av rovdyr. til president Raja og til representanten Lysbakken med et godt valg for SV. Det styrker SV og Venstres felles kamp for klima. Representanten Lysbakken har drevet en aggressiv valgkamp mot velferdsinnovatørene. Det litt mer paradoksale er at SV har fremmet en rekke forslag som uttrykker en mistillit til norsk offentlig sektor, særlig kommunene, for SV ønsker en rekke tillitsreformer, særlig i kommunal sektor, knyttet til både helse, skole og barnevern. Når Lysbakken snakker om at de skal rigge om skattesystemet og kreve inn 22 mrd. kr mer til et byråkrati som en åpenbart ikke har tillit til, er spørsmålet: Hvordan skal de som har minst, bli vinnerne, og ikke det byråkratiet som SV da tydeligvis ikke har tillit til? Byråkratiet har vokst så mye med Fremskrittspartiet i regjering at det koster en del penger å opprettholde det, det er helt riktig. Men de skatteøkningene SV går inn for – som altså kombineres med en omfordeling som gjør at folk som har en inntekt på under 600 000, vil komme ut i pluss – vil gjøre det mulig å bygge ut velferden vår og å utvikle morgendagens arbeidsplasser gjennom en aktiv statlig næringspolitikk. Det trengs hvis vi både skal ha økt verdiskaping og bevare små forskjeller i det norske samfunnet. Vår viktigste reform når det gjelder offentlig sektor, koster likevel ikke en eneste krone, og det er en tillitsreform for å bli kvitt dagens overstyring av offentlig ansatte. Det kan gi virkelig effektivisering, men da må vi tørre å stole på dem som jobber der. For øvrig synes jeg – etter skandalen i alt fra barnevern og eldreomsorg til søppeltømming i det siste – at begrepet «velferdsinnovatør» er et modig begrep å ta i bruk.

Jeg har gledet meg lenge til å si dette i denne situasjonen: Ærede president! La oss lære oss sjøl og andre at politikk ikke behøver å være bare det muliges kunst, sa Václav Havel, det kan også være det umuliges kunst, nemlig kunsten å forbedre seg sjøl og verden. Vi lever i en tid med store store endringer som krever nye tanker, radikale reformer og nye måter å tenke politikk på. Vi ser at samfunnet er i stadig hurtigere endring, og det krever også at vi løfter de prinsippene og de verdiene som vi tradisjonelt har bygd politikken på. Hva er det som utfordrer oss? Jo, det er for det første en stadig sterkere globalisering, som krever at vi finner politiske løsninger på tvers av landegrensene, og det politiske universet blir større. Den andre store utfordringen er de menneskeskapte klimaendringene, som krever at vi finner radikale nye løsninger for å utvikle politikk. Den tredje store utfordringen er teknologien rundt oss, som er i stadig endring, men som også gir oss enorme muligheter til både å skape mer velferd, myndiggjøre hvert menneske og sørge for at vi får til kunnskap og innovasjon i egen nasjon. Den siste store utfordringen er å fornye velferdsstaten og gjøre den bærekraftig også med tanke på framtidas utfordringer. Det liberale utgangspunktet for all politikkskaping handler om dagens frihetskamper, at alle skal ha frihet til å skape seg gode liv, sjøl om vi er forskjellige og har forskjellig utgangspunkt. Politikken har som mål å myndiggjøre mennesker til å være i stand til å ta sine egne valg. Vi står i mange viktige frihetskamper i dag. Det er en viktig frihetskamp i Norge i dag å kjempe mot fattigdom, spesielt mot barnefattigdom. Det handler om alle de ungene som vokser opp med dårlig råd, og at de mister troen på sine egne evner, eller voksne som ikke opplever å få en meningsfull jobb, og som ikke føler at de er med og bidrar i et fellesskap. Her er bedre alltid mulig, her kan vi løfte de viktige utfordringene. Den andre store frihetskampen er den som vi har gjennom skole, barnehage og SFO. Her vet vi at det eneste som virker, er kloke, gode barnehagelærere og kloke, gode lærere som kan faget sitt, og som kan være med å løfte de ungene som virkelig trenger å bli løftet. Skole har alltid vært det viktigste for sosial utjevning, skole har alltid vært det viktigste i enhver frihetskamp, for det handler om å løfte og gi hver enkelt en mulighet til å skape sitt eget liv. liv. Da er det ikke antall voksne rundt en som er viktig, nei, det er antall lærere rundt en – antallet som faktisk har fagkompetanse og kan gjennomføre det faglige løftet som trengs. For noen dager siden lærte vi at to tredjedeler av all spesialundervisning i norsk skole blir gjennomført av folk uten kompetanse i Det er den store utfordringen i den norske skolen, det er den store urettferdigheten mange opplever, det er den viktige frihetskampen å kjempe – å sørge for at vi får gode fagfolk til å gjøre det. Da handler det ikke om at de ikke har voksne med seg, men det handler om at de ikke har lærere med seg. Her er bedre alltid mulig. Den neste viktige frihetskampen for kommende generasjoner er kampen for miljøet vårt og klimaet på kloden. Her er i hvert fall bedre alltid mulig. Her må vi sørge for å skape markeder for nullutslippsløsninger, vi må sørge for at staten stopper med å finansiere de næringene som hører fortida til, og begynne å legge til rette for og skape kapital for de fornybare næringene som hører framtida til. Her trenger vi en stor samfunnsendring, og vi trenger å være modige og se på hvordan vi skal bruke ny politikk for å få til de endringene framover. Den neste viktige frihetskampen er å heie på alle dem som har en idé i seg for muligheter til å skape jobber for seg sjøl og for andre. Det er alle de små gründerne, alle dem som innoverer og skaper nye arbeidsplasser – om det er en klesbutikk eller om det er et rørleggerfirma, eller om det er en høyteknologibedrift eller noe som kanskje kan bli stor norsk industri. dem som innoverer og skaper nye arbeidsplasser – om det er en klesbutikk eller om det er et rørleggerfirma, eller om det er en høyteknologibedrift eller noe som kanskje kan bli stor norsk industri. De må ikke lenger møtes med byråkrati og arbeidsgiveravgift fra første ansatte. Vi må satse enda mer på forskning som de kan bygge på for å skape nye arbeidsplasser, og vi må sørge for at offentlige anbud legger til rette for nyskaping og mer innovasjon i Norge. Hvis vi mulighetene. Vi har masse skaperkraft i det norske folket som vi ikke har fått utløst sånn som vi har det i dag. Det må bli mye lettere å skape arbeidsplasser, mye lettere å forfølge ideen sin og forfølge drømmen sin om å skape sin arbeidsplass sjøl. Her er bedre også alltid mulig. Venstre vil alltid kjempe for dem som nederst ved bordet. Vi vil kjempe frihetskampen for de fattige barna, vi vil kjempe frihetskampen for alle dem som trenger ekstra hjelp og støtte gjennom skolen for å få muligheten til å utnytte Derfor er kampen for miljøet og klimaet viktig, fordi det handler om friheten til kommende generasjoner, friheten til å slippe ekstremvær, friheten til å puste i ren luft, gå i ren natur og ikke oppleve at vi har tatt livet av de artene som vi fikk muligheten til å leve sammen med på kloden. For Venstre vil kampen for Kunnskaps-Norge være viktig fordi det er Kunnskap er makt – makt til å styre seg sjøl, makt til å forfølge sin egen idé, makt til å være med og påvirke samfunnet rundt seg, makt til å ha mulighet til å være med og uttrykke meningene sine. Derfor er skole en viktig frihetskamp, derfor er skole så viktig for sosial utjevning, derfor er kunnskapsrike lærere den viktigste innsatsfaktoren vi kan ha for faktisk å Derfor er det viktig å løfte forskning, fordi ethvert samfunn som baserer sin eksistens på kunnskap, forskning og alle de mulighetene som ligger i å dyrke kunnskap og forskning framover, vil være samfunn som lykkes i framtida. framtida. Vi må være et samfunn der det er lettere å skape jobber, lettere å forfølge ideer, og der man føler at hvis man er med på å skape noe, får man et klapp på skulderen fra samfunnet, ikke en mistanke om at man er profitør, eller mistanke om at man egentlig bare gjør dette for pengenes skyld. Sånn vil Venstre opptre som liberalt parti i denne perioden. Dette er de viktigste kampene vi går inn i ethvert samarbeid med, dette er frihetskampene, dette er de liberale kampene som det norske samfunnet trenger at noen faktisk kjemper i dag. Det blir replikkordskifte. Representanten Skei Grande snakka i innlegget sitt om fridomskampar. Vi i Arbeidarpartiet er opptekne av fridom for

vågar meir. I fire år har Venstre vore ein veldig ivrig støttespelar til denne regjeringa i arbeidslivspolitikken og skulle nok også gjerne sett at regjeringa gjekk kanskje endå lenger i enkelte spørsmål, f.eks. i liberaliseringa og svekkinga av arbeidsmiljølova. Når Venstre no i fire nye år gjev si støtte til Høgre og Framstegspartiet, ja kanskje til og med går inn i regjering, er det mange arbeidsfolk som er bekymra

Men Venstres engasjement for arbeidslivet handler ikke bare om dem som er innenfor; det handler også om dem som er utenfor. Det handler om de innvandrerdamene i min bydel som sliter med å komme seg inn i arbeidslivet fordi de ikke har det nettverket som mange andre har. Det handler om å gjøre det lettere for alle dem som har vært utenfor arbeidslivet i lengre perioder, å få muligheten til å komme seg inn i arbeidslivet. Det var nettopp derfor vi gjorde de oppmykningene som vi gjorde, og de oppmykningene fikk ikke de følgene som Arbeiderpartiet kommer med her, men jeg er helt sikker på at når disse får virke en stund, kommer vi til å se at dette gjør det lettere for folk å komme inn i arbeidsmarkedet. Denne kampen handler ikke bare om dem som er utenfor; den handler også om at de som er utenfor, skal ha muligheten til å komme inn. Det er vel inga hemmelegheit at Venstre har eit til tider anstrengt forhold til fagbevegelsen, og særleg for dei fagorganiserte som har lese partiprogrammet til Venstre. Der kan vi lese at Venstre vil kutte i sjukeløna, innføre nasjonal minsteløn, liberalisere og svekkje arbeidsmiljølova endå meir og avvikle det statlege bidraget til AFP-ordninga – for å nemne noko. Alt dette er jo målretta angrep på den norske arbeidslivsmodellen. Eg spør på nytt:

Vi sørger for å kjempe for dem som er utenfor, vi kjemper for rettigheter til dem som ikke har rettigheter. I dag er det slik at er en en liten butikkeier i Kristiansand og driver klesbutikk med dameklær, har en ikke de samme rettighetene som hvis en er arbeidstaker. Vi vil at det skal være mye større rettigheter for alle dem som skaper arbeidsplasser,

Skei Grande sa i innlegget sitt at «her er bedre alltid mulig» – det var eit veldig godt «slogan». I innstillinga til langtidsplanen for Forsvaret føreslo Senterpartiet, saman med m.a. Venstre, at Andøya flystasjon skulle oppretthaldast som base for maritime overvakingsfly, og at Hæren på Bardufoss skulle få Det var eg òg særs tydeleg på ved begge dei sakene. Då er det interessant, når Venstre no angiveleg er i samtalar/forhandlingar med regjeringspartia og held regjeringa sin skjebne litt i sine hender om dagen, å spørje: Vil Venstre prioritere å bevare Andøya flystasjon og helikopter til Hæren på Bardufoss i sine forhandlingar med Høgre og Framstegspartiet, eller er her «bedre ikke mulig» innanfor forsvarspolitikken? Nå fant Liv Signe Navarsete det punktet der Venstre og Senterpartiet er enig, og det er fint. Jeg skulle ønske at flere var enige med oss i denne salen i så viktige saker, og i saker der jeg mener vi har ganske gode fakta på hånda. Det betyr at vi ikke har gitt oss på noe i noen forhandlinger på dette, og vi mener fortsatt at vi har ganske gode fakta på Det betyr at vi ikke har gitt oss på noe i noen forhandlinger på dette, og vi mener fortsatt at vi har ganske gode fakta på hånda. Jeg er ganske spent på den meldinga som kommer på fredag. Jeg er på vegne av våre to partier lei meg for at Arbeiderpartiet ikke brukte muligheten i forrige periode til å gå med på det forslaget som Venstre la på bordet. Jeg er kjempeglad for at Senterpartiet

hvordan representanten foretrekker at navnet uttales, men representanten kan få presisere. Takk, president. Wilkinson er fint. Forskjellene i Norge øker. Og som Venstre sier: Alt starter i skolen. Skal vi sikre like gode muligheter for alle barn, må vi sikre en skole som gir god utdanning til alle barn. De siste fire årene har Venstre vært med og styrt Norge. Vi ble lovet bedre utdannede lærere, fordi det var det viktigste for mer læring. Fasit etter fire år er 40 pst. økning i andelen ufaglærte lærere i norske klasserom. I hele 4 pst. av våre skoletimer undervises det nå av ufaglærte lærere. Det er ingen garanti for kunnskap. Vi har altså brukt rekordmye oljepenger. Barna har blitt fratatt skolefrukten, og lærerne er nektet ressursnorm. Alt var med argumentasjon om at det skulle være med og gi flere gode lærere i norske klasserom. Likevel har ikke Venstre og regjeringen innfridd. Hva vil Venstre gjøre for å stoppe den utviklingen de er medansvarlige for, der vi har fått flere ufaglærte lærere i norske klasserom? Vi skal fortsette å gjøre det vi har gjort, nemlig tredoble etter- og videreutdanningen for lærere. Det vil føre til at noen lærere går ut av klasserommet en periode for å få det faglige påfyllet, men de kommer tilbake igjen mer inspirert, som bedre lærere og med bedre faglig bakgrunn. Jeg må si at jeg er litt skremt over at SV nå kaster seg inn i å nedkjempe alle de reformer som vi vet ved forskning funker – å sette faglige krav, sørge for at vi får bedre etter- og videreutdanning, sørge for at de lærerne som underviser, kan de fagene de underviser i. Dette er et kjempeløft for skolen. Dette må vi holde på med i ganske mange perioder skal vi klare å komme i mål. Men det å senke kravene, det å kaste seg på populistiske løsninger med voksennormer istedenfor lærernormer, tror jeg virkelig er skummelt for skolen. All forskning viser at dette ikke er riktig vei å gå. Flere ufaglærte, færre spesiallærere som jobber med dem som har spesielle utfordringer, er ikke veien å Venstre og Kristeleg Folkeparti òg hadde nokre einigheiter og noko felles, og det var ikkje så vanskeleg. Vi har ein felles arv frå Bondevik II om statlege arbeidsplassar, som vi òg følgde opp tidvis i lag i førre stortingsperiode. Så vil eg òg gratulere Venstre med at regjeringa delte ein siger med dei, nemleg utflytting av statlege arbeidsplassar. Men det blei tidvis oppfatta litt som ein premie for at ein var med på endringar i det som var kommunane sitt inntektssystem. Men alt dette er historie. Utflytting av statlege arbeidsplassar og nytting av kompetanse over heile kongeriket er god distriktspolitikk, og så er det òg smart, fordi ein oppnår at ein får den mangfaldige tenkinga fordi ein ser ting forskjellig i statlege etatar og ein ser ting forskjellig i ulike delar av landet. Så dei grepa som regjeringa og Venstre gjorde, må ikkje bli eit skippertak. Her trur eg òg vi kan sitere Canada sin statsminister: Betre er mogleg. Kristeleg Folkeparti har lyst til å vere med på det. Tek Venstre den oppmodinga?

Det handler om troen på at man skal klare å bygge ulike samfunn med ulike kunnskaper rundt omkring i hele Norge. For oss har dette vært en viktig og krevende sak å stå i. Så hvis Kristelig Folkeparti vil være med på dette i neste periode, er det kjempegøy! Jeg gleder meg veldig til å samarbeide de neste

Venstre for å sikre at vi kutter utslipp i Norge, utover skatte- og avgiftspolitikken. Jeg tror det er veldig viktig for forutsigbarhet i næringslivet at en også sier tydelig fra hvor man skal, og hvilke tiltak ellers de kan forvente seg. Ett område hvor Norge bidrar til mye utslipp, rent konkret også i utvinningen, er på sokkelen. Jeg ønsker å spørre representanten Skei Grande om jeg kan vente støtte fra Venstre i å stanse nye letetillatelser på norsk sokkel i kommende periode. Det betyr i praksis å avlyse 24. konsesjonsrunde og de tildelingene som vil skje da som ikke ennå er gitt. Venstre og Miljøpartiet De Grønne har sammen forstått mye i klima- og miljøpolitikken. Klima- og miljøpolitikken hadde vært enklere hvis det bare var vi to som skulle samarbeide. Men dynamikken i denne sal er at man må kunne telle til 85. Det er det eneste man må kunne hvis man skal få til noe. Da må man danne bredere flertall. Vi må samarbeide – ikke bare Venstre og Miljøpartiet De Grønne , men vi må samarbeide for å få til et flertall i denne salen. Jeg fikk ikke ramset opp alle Venstres vedtak, men Venstre vil ikke ha den 24. konsesjonsrunden. men Venstre vil ikke ha den 24. konsesjonsrunden. Vi må gå inn i forhandlinger for å prøve å trekke all politikk i grønnere retning. Det fikk vi til i hele forrige periode – vi fikk til ting som andre partiledere i denne salen drev litt gjøn med meg i tv-debatter om jeg skulle få til, men som vi faktisk fikk til. Vi fikk vernet Lofoten og Vesterålen, vi fikk sørget for å få elektrifisert deler av sokkelen. Det er veldig mange viktige, store tiltak som ble gjort i forrige periode som vi kommer til å følge opp, og gjerne sammen med Miljøpartiet De Grønne, ved at de også støtter de tiltakene.

for dei som fell utanfor. Og det er viktig at Noreg ikkje blir eit land som har nok med seg sjølv – at me løftar eit perspektiv ut over meg og mitt og våre eigne landegrenser. Dei to store utfordringane på kloden vår akkurat no er kampen mot fattigdom og mot dei menneskeskapte klimaendringane. Desse to må òg vere ei hovudoppgåve for Noreg. I Noreg er det spesielt to ting det er vanskeleg å snakke om: Det er EU, og det er Gud. I begge tilfella tenkjer folk med ein gong at anten er ein for eller så er ein imot. Sjølv er eg i alle fall trygg i trua på sistnemnde. Min spådom er at i denne stortingsperioden kjem diskusjonen om tru og livssyn til å bli meir aktuell og meir utfordrande for oss politikarar enn han har vore på mange tiår. Kristeleg Folkeparti meiner at det beste svaret er å styrkje røtene våre. For kva er det som har gitt næring til framveksten av sentrale verdiar som likeverd, menneskeverd, frivilligheit og nestekjærleik? Her har kristendomen hatt ei heilt avgjerande betydning. Den arven må ikkje gøymast bort, men derimot løftast fram med stoltheit. Og dette gjeld ikkje berre kristendomen. Dei som ønskjer å støvsuge det offentlege rom for livssyn og religionar, underslår viktige faktum, som at forståing blir skapt av møte, og at respekt kjem av dialog. Me politikarar må tore å snakke om tru og religion på ein djupare måte enn me gjer i dag. Sjå til Frankrike, der den såkalla nøytraliteten har fått fritt spelerom. Det har ført til at mange franskmenn ikkje lenger veit kva dei skal tolerere – dei blir ikkje utfordra av andre livssyn i det offentlege rom. Mange ser ut til å gløyme eit enkelt faktum: Alle har eit livssyn. Ingen av oss som bur i dette samfunnet, er livssynsnøytrale. Eg synest me skal lytte til Ayesha Wolasmal, som i debatten om skulegudstenester i fjor sa: «Sånne som meg kan jo få fritak, men jeg gledet meg til skolegudstjeneste. Jeg synes det var så hyggelig, fordi det var den eneste julefeiringen man ble inkludert i.» La meg kort oppsummere: Fråvær av tru og religion er nøytralitet. Denne hausten har me hatt høve til å følgje mellom andre søskenpara Pablo og Elina, Martin og Markus, Linnea og Martine, Sem og Lara i serien «Søsken» på TV 2. Serien viser oss at eit mangfaldig samfunn gjer oss rikare, og at det er gjennom å vise sårbarheit og ved å bry oss me får høve til å skape eit meir ekte, varmare og rausare samfunn. Jaget etter det perfekte er ingen av oss tente med. Dei perfekte menneska finst heller ikkje. Me har alle våre gode og dårlege sider. Denne serien viser tydeleg at eit samfunn der folk får vere seg sjølve, er til det beste for alle. I serien møter me Sem, som har Williams syndrom. Han fortel stolt til sjåarane at han er heilt unik fordi han har eit av dei mest sjeldne syndroma i verda. Sem har tru på seg sjølv, men denne trua dyttar ikkje andre ned, han elskar menneska rundt seg. Det er eit godt førebilete og viktige verdiar som samfunnet vårt treng. Me møter òg Elina og broren Pablo, som sit i rullestol. Ho blir spurd korleis det er å ha ein bror som sit i rullestol, da broren raskt bryt inn og seier: Om dere lurer på hvordan det er å ha en lillesøster som kan gå, så kan det være ganske morsomt. Og litt irriterende. Denne historia fortel mykje, etter mi meining. Me er opptatt av korleis det er for nokon å ha ein bror som ikkje oppfyller krava til det å vere såkalla normal. Men det såkalla normale er underordna, og det finst ikkje. Det som betyr noko, er at me har nokon å vere glad i, nokon å bry oss om, og til og med nokon me kan krangle med. Det er nettopp slike historier som dette som gjer at eg er med i politikken – fordi eg ønskjer å utforme ein politikk for dei som treng det. Folkeparti er eit kristendemokratisk sentrumsparti som vil leggje til rette for ein politikk som inkluderer alle menneske, og som gir dei som har ekstra behov, høve til å vere ein aktiv del av samfunnet vårt. Dette handlar ikkje berre om sorteringssamfunnet. Det handlar òg om å stille opp for dei som har pleieansvar. Derfor fremjar Kristeleg Folkeparti i dag eit forslag som kan bidra til å

om kva samfunn me vil ha. Eit samfunn som vel vekk eit slikt mangfald, blir eit trongare, mindre tolerant og mindre raust samfunn. Det meiner Kristeleg Folkeparti ikkje er eit alternativ for Noreg. Kristeleg Folkeparti vil i dag invitere alle sine medrepresentantar frå alle parti til ein dugnad. Me som sit i denne om at det er heilt avgjerande at Noreg har ein sterk sivil sektor. Me vil at det offentlege, når ideelle eldsjeler tilbyr sine tenester, skal seie: Ja takk! Det er grunnen til at Kristeleg Folkeparti no tar initiativ til ein felles dugnad – ein dugnad for å sikre dei ideelle, non-profittbaserte aktørane. Trass i mange gode vedtak i denne salen ser me ein skremmande trend: Dei ideelle aktørane opplever stadig å bli skvisa ut, anten det er av offentleg styrte helseføretak eller av meir kommersielle leverandørar. No handlar det mellom anna om at det offentlege skal ta sitt ansvar for å dekkje dei historiske pensjonskostnadene, for gjennomføring av anskaffingslova, for å sikre lengre anbodsperiodar og vurdering av anbodspraksis. Det er behov for politisk styring. Kristeleg Folkeparti vil ha med alle parti som ønskjer vekst for ideell sektor og ei betre styring over velferdsaktørane. Dei er alle velkomne til dugnad i Stortinget. Kristeleg Folkeparti vil følgje opp dette initiativet. Kristeleg Folkeparti er eit opposisjonsparti. Me er tilbake til det som har vore regelen meir enn unntaket i norsk politikk, der mindretalsregjeringar må hente skiftande støtte i Stortinget. I tida framover kjem Kristeleg Folkeparti til å rekkje ut ei hand til alle parti som ønskjer konstruktivt samarbeid. For oss vil ikkje fargen på partilogoen, men kva politikk me kan få gjennomslag for, vere avgjerande. Kristeleg Folkeparti skal bruke sin posisjon i Stortinget med ansvar og klokskap. Me kjem til å stemme for den politikken me er for, og mot den politikken me er imot, men sjølvsagt innanfor ei ansvarleg økonomisk ramme.

Ja, det sosiale engasjementet har gått som ein gul tråd gjennom Kristeleg Folkepartis historie. La det ikkje vere nokon tvil: Ein politikk som verkeleg tar dei kristne verdiane på alvor, blir på mange måtar radikal. Derfor er mykje av Kristeleg Folkepartis politikk òg det, anten det gjeld sosial rettferd eller forvaltaransvaret. Det gjeld i kampen for å utjamne forskjellar, i kampen mot global fattigdom, i solidaritet med menneske på flukt, i kampen mot

Det er òg noko som gjer integreringa lettare, det at ein snakkar om spelereglar og verdiane våre, anten det er protestantisk pliktetikk, eller det er sitatet frå Einar Gerhardsen om at ein må gjera si plikt før ein krev sin Det er òg noko av grunnen til at Arbeidarpartiet har fornya trus- og livssynspolitikken sin. Men først og fremst ønskjer eg å høyra korleis representanten Hareide har tenkt å gjera dette i praksis. Korleis ønskjer han å løfta fram denne arven òg i dei politiske debattane? Eg skal vere så ærleg å seie at når det gjeld sitata frå Gerhardsen, tar ikkje Kristeleg Folkeparti dei inn i trus- og livssynspolitikken. Men me er tydelege på at nettopp det å ha tru og religion i samfunnet vårt er viktige røter i landet vårt. Noreg er eit land som er i endring. Det er meir mangfaldig, det er meir fargerikt, det er meir fleirkulturelt og – vil eg seie – flottare enn nokon gong, og da er det viktig at me tar vare på røtene våre. Eg trur unge menneske som kjenner til røtene sine, og kjenner sin eigen identitet, er tryggare på seg og dei møter òg det nye og ukjende på ein trygg og god måte. Det er sjølve berebjelken i Kristeleg Folkepartis politikk. Me ønskjer å gi kunnskap, me ønskjer å gi kompetanse, nettopp for å kunne møte det nye og ukjende på ein trygg og god måte. Eg takkar for det svaret, og så går eg over til EU.
Eg veit ikkje kva representanten Hareide les før han legg seg om kvelden – eller det anar meg – men ein av dei tinga eg har lese, er partiprogrammet til Kristeleg Folkeparti. Det gler meg å kunna lesa der at Kristeleg Folkeparti «vil styrke arbeidsmiljøloven som en vernelov for arbeidstakerne». Det er veldig fint å lesa, og Arbeidarpartiet meiner at me må bruka handlingsrommet innanfor EØS for å unngå å risikera sosial dumping og uverdige kår, for det ser me er noko som kan pressa seg fram i delar av arbeidslivet vårt. vårt. Arbeidarpartiet vil i løpet av denne hausten fremja fleire forslag knytte til arbeidsmiljøloven, fjerna det generelle høvet til mellombelse tilsetjingar, igjen innføra kollektiv søksmålsrett og ikkje minst styrkja organisasjonsgraden. Allereie i morgon vil det vera mogleg for Kristeleg Folkeparti å støtta forslaget om å avgrensa bruken av tidsavgrensa innleige for å sikra eit tryggare arbeidsliv. Spørsmålet mitt er rett og slett om Hareide kjem til å støtta Arbeidarpartiets forslag om

Me har vore opptatt av at dei endringane skal evaluerast, me skal sjå på kva det auka talet på mellombelse tilsette medførte – kva blei resultatet av det? Me ønskjer å sjå nettopp den evalueringa før me konkluderer med kva me meiner er riktig å gjere på det området. Ja, det bør vere slik at hovudregelen er fast tilsetjing, men kan me få mellombelse tilsetjingar som gjer at me inkluderer fleire, har me vore opptatt av å seie ja til det. Før me konkluderer, vil me sjå kva evalueringa seier. med interesse registrert Kristelig Folkepartis utspill den siste tiden. Det oppfattes slik at Kristelig Folkeparti nå ønsker å få gjennomslag for sin politikk, etter at de har avsluttet sitt formelle samarbeid med dagens regjeringspartier. Det ville være avklarende om representanten kunne si noe om hvilke saker – sett i lys av en svært svekket regjering – som man nå ønsker å endre eller mene noe annet om. La meg ta et eksempel: Stortingets vedtak 8. juni om tvangssammenslåing av Østfold og Akershus fylkeskommuner har på mange måter – som andre vedtak om bruk av tvang for å slå sammen kommuner – vakt sterke reaksjoner hos de berørte. Representanten Hareide har i denne forbindelse uttrykt sterk skepsis til et fylke som strekker seg fra Halden til Hallingskarvet. Det er i dag lagt fram representantforslag fra både Senterpartiet og andre om omgjøring av vedtaket om etablering av mastodonten Viken. Hva vil Kristelig Folkeparti legge til grunn i behandlingen av disse forslagene – de klare ønskene fra i dette tilfellet fylkene om omgjøring av tvangssammenslåingen eller lojaliteten til regjeringens forslag og det daværende stortingsflertallets vedtak 8. juni? Oppskrifta som eg vil gi representanten Nordlund, er: Det Kristeleg Folkeparti meinte før valet, meiner me etter valet. Me er for ei regionreform, og me registrerer at og me registrerer at dei raud-grøne prøvde dette – viss me går åtte år tilbake i tid – utan å lukkast. Eg har òg vore ærleg på at den regionreforma som me kom fram til, meiner eg kan bli enda betre, ikkje minst ved å få fleire oppgåver frå statleg hald til dei ulike regionane. Eg synest ikkje at ein region frå Hallingskarvet til Halden er optimal,

Flyktningkrisen er langt fra over. Tvert imot er stadig flere på flukt, nå over 65 millioner mennesker, samtidig som Norge tar imot rekordfå flyktninger. Forskjellene i makt og rikdom øker, og det blir stadig flere fattige barn. Jeg opplever at Kristelig Folkeparti er et parti som tar disse utfordringene på alvor, men jeg opplever også at regjeringen ikke er med på de nødvendige grepene for å kutte utslipp, hjelpe flere flyktninger og bekjempe barnefattigdommen. Derfor vil jeg spørre Kristelig Folkeparti: Vil de danne allianser med de andre partiene i opposisjonen for å øke barnetrygden, innføre en forpliktende plan for utslippskutt og ta imot flere mennesker på flukt fra krig og undertrykkelse? Kristeleg Folkeparti har inngått i konstruktive samarbeid for å få til betre resultat. I førre periode opplevde me at me fekk til nettopp det om klima. Me samarbeidde godt med Høgre, Framstegspartiet og Venstre for å få til ein meir ambisiøs og betre klimapolitikk enn me hadde under dei raud-grøne. Men eg vil også seie: Det skulle berre mangle, for klimatrusselen blir meir truande og meir alvorleg for kvar dag som går. Det vil også seie at me ikkje kan vere nøgde med det me har gjort dei siste fire åra. Me er nøydde til å vere meir ambisiøse framover. På kvoteflyktningsida opplevde me ein betydeleg auke. I samarbeid òg med dei raud-grøne partia fekk me til at me skulle ta imot fleire kvoteflyktningar. På same måte vil eg vere tydeleg på at Kristeleg Folkeparti ønskjer gjerne konstruktive samarbeid, innanfor ei ansvarleg ramme, med dei partia på Stortinget som ønskjer det. Det har vore linja vår dei siste fire åra, og det kjem òg til å vere linja vår dei neste fire åra.

for hjerte- og lungesyke er historisk sett en pasientorganisasjon. De har medlemsinntekter på rundt 8 mill. kr, men omsetter i dag for nesten 1 mrd. kr – altså 882 mill. kr – og driver bl.a. sykehus. De får som pasientorganisasjon tilskudd fra staten. De får overskudd fra Norsk Tipping. De får merverdiavgiftskompensasjon og skattefritak. De driver på en måte i konkurranse med både det offentlige og private

for å vere ein del av det offentlege tilbodet på 1970- og 1980-talet. Så opplever òg dei ideelle å bli skvisa frå eit offentleg system, frå helseføretak, som ønskjer alt inn i strukturen sin, og der ideelle aktørar ikkje passar inn i den strukturen. Det er klart at me må ha rammevilkår som er gode opp mot konkurranse – lik konkurranse.

Vi har det veldig godt i Norge og kan være glad for det. Men det forplikter oss kanskje enda mer til å gjøre mer for dem som ikke har det godt på grunn av klimakrisen. Det samme gjelder tap av artsmangfold, hvor Norge også har flere muligheter til å gjøre mer enn mange andre land. Vi forbruker veldig mye mer enn mange andre land. Så spørsmålet mitt gjelder hva Folkeparti mener det grønne skiftet egentlig handler om. Noen mener at det bare er et teknologisk skifte, et skifte i hvordan vi løser problemer rent konkret. Mener Kristelig Folkeparti at det også kan være et kulturelt skifte, et skifte i hvordan vi forholder oss til fellesskapet, som vi er gode til å forsvare i Norge, men som vi må utvide? Taletiden er ute. Eg vil svare: så absolutt. Eg trur det grøne skiftet handlar om måten me ser på kva verdiar me har, korleis me skal ta vare på dei, og korleis me skal gi dei til komande generasjonar på ein god måte. Så trur eg at det denne debatten òg har vist, er at det er viktig å få gode økonomiske ordningar. Den parlamentariske leiaren i Framstegspartiet fortalde at han har kjøpt elbil fordi det løner seg. Eg meiner det skal løne seg å opptre miljøvenleg. Så Kristeleg Folkeparti er opptatt av å sjå at det er nokre unike verdiar me skal ta vare på. Men me må òg sikre gode system for å hjelpe folk til å få moglegheit til å ta miljøvenlege val. Det synest eg er eit spesielt ansvar for oss som politikarar. Eg opplever at folk, ikkje minst i dette valet, har peikt på at klimasaka er eit viktig verdispørsmål for dei. Da er det viktig at me som politikarar kan leggje til rette for at folk nettopp kan ta dei gode

Valgene våre er avgjørende for mulighetene, friheten og velferden til dem som kommer etter oss, på en måte som ingen tidligere generasjoner har opplevd. Men de ideologiene som mange av dagens partier og regjeringen er fundert på, ble formulert på en tid da en tok for gitt at kloden hadde uendelig med ressurser. Det har gitt seg utslag i politiske og økonomiske systemer som ikke beskytter den allmenningen som vi deler. For den grønne bevegelsen er rettferdighet, og dermed solidaritet, noe som strekker seg på tvers av landegrenser og generasjoner – også på tvers av arter. Naturens tålegrenser må bli like mye en ramme for politikken som de territorielle landegrensene er det. Det har ikke regjeringen innsett, og dessverre vil den derfor heller ikke oppnå miljømessig bærekraft. Det grønne skiftet er ikke bare en teknologisk revolusjon. Det er et kulturelt skifte på størrelse med den industrielle revolusjonen. Det haster å erstatte fossil energi. Men vi skal mer. Vi skal gå fra å utrydde arter til å bruke jordens arealer smartere, fra å putte ville dyr i en sirkusmanesje til å dyrke fascinasjonen for andre arter i deres naturlige habitat. Ny teknologi gjør at vi kan få hele den fantastiske naturen Dessuten skal vi gjennom en endring av hele det økonomiske systemet. Med industrialiseringen økte velferden til folk flest. Vi ble skikkelig flinke til å lage mange støvsugere kjapt og billig, slik at flere fikk råd til dem. Men vi ble dårligere til å utnytte ressursene smart, og avfallsmengden eksploderte. Samtidig ble vi flere, og den personlige friheten vokste, uten at vi sørget for å oppdatere En ressurseffektiv økonomi kan gi oss like mye velferd og muligheter som i dag. Det betyr ikke nødvendigvis tykkere pengebok for alle, men det kan bety økt livskvalitet, mer rettferdig fordeling og en velstand hvor vi betaler for gode arbeidsvilkår og bærekraft der varene produseres. I Oslo er vi i gang med et slikt dyptgripende skifte. Her har vi en klimapolitikk i tråd med Sammen med Arbeiderpartiet og SV sikrer vi at kollektiv, sykkel og gange blir enklere. Det gir også gevinst for byluften og bylivet, i en hovedstad som vokser, og hvor knappheten på areal er stor. Gjennom en enorm satsing på miljøvennlig transport og grønn byutvikling har Oslo nå blitt kåret til Europas miljøhovedstad. Dette er ikke bare teknologiske endringer. Dette endrer kulturen og levemiljøet vårt og gjør byen bærekraftig for barna og barnebarna våre – sosialt, økonomisk og miljømessig. For å sikre at klimamålene nås, har byrådet i Oslo innført et klimabudsjett som viser hvor det skal kuttes, hvor mye og hvilken sektor i kommunen som har ansvaret for å gjennomføre kuttene. Det samme har nå også den styrende koalisjonen i Bergen innført. Klimabudsjetter må vi også få på plass nasjonalt. Norge kommer ikke til å bli god på å kutte utslipp før vi innser at ansvaret for klimatiltak ikke først og fremst kan ligge på en statsråd som knapt har utslipp i sektoren sin, bortsett fra kanskje noen flyturer til utlandet. Ansvaret må ligge der det skal følges opp, med forpliktende klimabudsjetter for hvert departement – og de må rapportere til Stortinget. Det virker, det er klimastyring. Å kutte utslippene med 40 pst. i Norge innen 2030 er en enorm oppgave. på CICERO har vist at det vil ta 2050 år å nå målet om nullutslipp med det tempoet regjeringen i dag har. Den tiden har vi ikke. Derfor fremmer De Grønne i dag bare ett løst forslag under trontaledebatten, nemlig om å «be regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2018 sørge for at klimagassutslippene reduseres i tråd med målet om at de skal ned med 40 pst. innen 2030,

For fire år siden sto Rasmus Hansson her på starten av De Grønnes første stortingsperiode, og han la fram to forslag: å trekke oljefondet ut av kull og å opprette et fornybarmandat for fondet. Det første ble norsk politikk i løpet av noen få måneder. Det andre ble diskutert, men gjenstår fortsatt for Stortinget å vedta. Dette lille grepet å åpne for at fondsforvalterne kan investere i unotert infrastruktur for fornybar energi, er overmodent. Det er anbefalt av en rekke fagfolk – og det av mange av de samme grunnene som også gjør at andre finansinstitusjoner, som Storebrand, velger en bærekraftig investeringsstrategi, altså økonomiske argumenter. Valgkampen ble en «game changer» i debatten om norsk oljeøkonomi. For stadig flere har det blitt åpenbart at klimapolitikken må ses i sammenheng med oljepolitikken. Men valgkampen vi har lagt bak oss, var også preget av flere utspill av en nedlatende type, som jeg håper vi ser mindre av framover. Til og med statsministeren uttalte på et tidspunkt at Norge ville stoppe opp dersom De Grønne kom til makten. Jeg skulle ønske statsministeren satt her nå, og jeg synes statsministeren sank lavt da. Hvordan vi prater om hverandre, påvirker debattspalter, Facebook-tråder, Twitter-meldinger og tekstmeldinger. Og hetsen, hatet og truslene mot politikere øker – særlig mot damer, særlig mot innvandrerdamer. Vi må passe oss. Demokratiet innskrenkes, og rasismen vokser. Folk, særlig unge og de med minoritetsbakgrunn, skal ikke måtte vegre seg for å bli politikere fordi de må tåle så mye hets og latterliggjøring. En sier om politikere at en kan kjenne dem igjen på at det gror så tykk hud på dem at de kan stå oppreist uten ryggrad. La oss jobbe for at de ungene som vokser opp i dag, ikke skjønner den vitsen når de blir voksne. I Europa og USA svekkes tilliten til politiske institusjoner. Derfor vil jeg til slutt i innlegget ta opp to områder som jeg tror blir ekstremt viktige framover, og hvor De Grønne kommer til å være ekstra aktive: For det første er tilliten til myndighetene avhengig av at måten vi finansierer fellesskapet på, oppleves rettferdig. I dag skjer det verdiskaping til enorme verdier i Norge uten at de skattlegges. Teknologiselskaper som Google og Facebook er spesielt vanskelig å

for teknologiselskaper som Facebook og Google. For det andre er tilliten til det politiske systemet avhengig av åpenhet. Til tross for hva vi liker å tro, og til tross for at Norge en stund var ledende internasjonalt, henger vi nå etter våre naboland i åpenhet. Norge scorer dårlig på Basel antihvitvaskingsindeks, er dårligst i Norden på finansiell åpenhet, ifølge Financial Secrecy Index, og har hatt en beskjeden oppfølging av Open Government Partnership.

ved at vi respekterer klodens tålegrenser og mangfoldet og tenker på tvers av land og generasjoner. Å ta vare på livsgrunnlaget vårt er å ta vare på oss selv – og på framtiden. Jeg tar med dette opp forslaget fra Miljøpartiet De Grønne. Representanten Une Bastholm har tatt opp det forslaget hun refererte til. Det blir replikkordskifte. Klimautfordringene er en av vår tids største utfordringer. Med Høyre og

Kan representanten Bastholm skissere noen flere tanker om hvor opposisjonen nå, fra i dag og i tiden framover, samler seg i et flertall for gode klimaløsninger? Det var et veldig godt spørsmål, som jeg håper flere partier setter seg ned og tenker over i denne tiden. Jeg mener jo, som jeg var inne på, at som jeg var inne på, at det å endre mandatet til Statens pensjonsfond utland som det er snakk om – nå endrer de tallene seg fra dag til dag, men rundt 8 000 mrd. kr har Norge investert over hele verden uten at vi aner klimaeffektene av det – er noe som er veldig viktig at Stortinget ser på. Det vil ha stor effekt. Så må vi også bli flinkere til å forplikte oss når det gjelder utslipp nasjonalt. Jeg mener at det vi er inne på om klimabudsjetter, er noe av det viktigste partiene i Stortinget bør sette seg ned og snakke om. om. Det er ikke bare utslippene som er viktig, men hvordan de styres og også forvaltningen av For Høyre handler det grønne skiftet først og fremst om å frikoble økonomisk vekst med økte utslipp. Jeg merket meg at Miljøpartiet De Grønne har en litt annen tilnærming. De ønsker å begrense den økonomiske veksten og redusere arbeidstiden til 30 timer i uken uten å gi folk lønnskompensasjon. Dette er ikke bare et usosialt kutt i den private velferden til vanlige folk, men regnestykket går heller ikke opp.

en vanlig arbeidstaker skal betale for at dette regnestykket skal gå opp. Jeg er faktisk enig i definisjonen av grønn vekst, som representanten Tybring-Gjedde er inne på. Problemet er bare at det grønne skiftet vil innebære veldig mye mer enn å vri det økonomiske systemet over til grønn vekst, som vil si at vi kan fortsette å ha en velstand som er like høy og kanskje til og med kan vokse selv om vi kutter utslipp. Det er fullt mulig, det er bare å være smartere i bruken av ressurser og teknologi. Så er spørsmålet om vi må gjøre mer. Det må vi nok. Til og med avfallsbransjen sier at vi må ha mindre avfall, og mange aktører og økonomer sier at vi er nødt til å se på forbruket vårt. Arbeidstider er noe som Miljøpartiet De Grønne ønsker å se på gjennom en reform. Det må skje med partene i arbeidslivet. Det er ikke noe strakstiltak. Måten man finansierer det på er f.eks. ved å sørge for at redusert arbeidstid gjør at også flere kan dele på arbeidet. Det kan føre til at flere kan stå i arbeid lenger også, fordi veldig mange klarer ikke, særlig med de tunge løftene i helsesektoren, å stå i arbeid så lenge som vi ønsker.

Det betyr også at vi har mer til f.eks. bymiljøpakker, som styrker byene og transportsektoren i byene. Så jeg mener at en grønn transportpolitikk gir en mye bedre og lettere hverdag for folk flest, som Fremskrittspartiet er opptatt av. Og jeg venter også litt på at Fremskrittspartiet skal oppdage at framtiden ikke ligger i at alle sammen må kjøre bil i kilometer etter kilometer på de lange avstandene. I motsetning til forrige replikant

Jeg tror det er et viktig poeng å understreke at SV og Miljøpartiet De Grønne i antall stemmer ble nesten like store som Senterpartiet, og tar man med Rødt i dette, er disse tre langt større enn Senterpartiet, som ble erklært som valgvinner. Dersom Miljøpartiet De Grønne hadde kommet over sperregrensen, som det lå an til i galluper, ville Stortinget og Norge ha opplevd en slags grønn Corbyn- eller Sanders-effekt. Det hadde virkelig satt spor med en samlet gruppe på kanskje 20 miljørepresentanter. Tar vi med også i Venstre, hadde det blitt nesten 30 miljørepresentanter. Valget var farlig nært et slikt resultat, og jeg håper at disse signalene fra velgerne blir lagt merke til i de store tradisjonelle vekstpartiene framover. Nå skal det ende opp med et spørsmål: Er representanten Bastholm enig i en slik analyse? Jeg er enig i analysen – at Miljøpartiet De Grønne havnet under sperregrensen er dårlig for Stortinget. Jeg ser også at flere av de partiene som gikk fram, har vært opptatt av å løfte miljø og klima. Jeg mener også at miljø og klima ble en av hovedsakene i en valgkamp som ellers egentlig manglet hovedsaker. Jeg i år som har gått til valgurnene og hatt miljø og klima som sin aller viktigste sak. Spørsmålet for vår del er hvorfor ikke Miljøpartiet De Grønne fikk flere av de velgerne. Det er noe vi klør oss i hodet over, og som alle andre partier også gjør over sin valgoppslutning. Men jeg tror at vi skal få til mye i denne stortingsperioden med de folkene som nå har kommet inn, og jeg tror det er viktig at vi nå ser framover. framover. For Miljøpartiet De Grønnes del ønsker vi å samarbeide med alle partier som vil samarbeide med oss om klimapolitikken. Samarbeid ønsker vi jo, og det er

Ellers er jeg glad for at representanten også trakk fram at Oslo er kåret til å bli Europas miljøhovedstad. Det har vært et arbeid gjennom mange år for å få det til, ikke minst satsing på kollektivtransport for å få en mer moderne byutvikling, på nye klimavennlige bygg – det er mye som har vært gjort. Det er også trukket fram at Oslo har et eget klimabudsjett,

hvor mye vi faktisk klarer å kutte, og jeg tror at vi og Venstre av og til er uenige om hvordan vi kommer dit. Det er greit nok. Det skal også sies at Oslo ligger helt i rute for å kutte utslippene etter egne mål om bare Stortinget hadde tvunget regjeringen til å gjennomføre Klemetsrudanlegget, slik at vi kunne vært i rute der. Det står for veldig mye av utslippene i Oslo. Representanten er inne på EU. EU. Jeg vet ikke om det menes at jeg skal kommentere den delen av replikken, men Miljøpartiet De Grønne mener at det lar seg gjennomføre å ha det samarbeidet, og det bør vi ha, for EU ligger ofte foran Norge i klimapolitikken. Men det må ikke være noen hvilepute for å ha forpliktende utslippskuttmål i Norge og for klimabudsjetter – som jeg flere ganger har vært inne på at Oslo har innført – som gjør at vi faktisk når dem gjennom en

er vi nøydde til å ha folk med oss. Vi er nøydde til å ha ein miljøpolitikk der kvar einskild blir oppfordra til å ta grep i sin kvardag om vi skal klare å få til utslippskutta, slik vi er nøydde til. Eg opplever at når representanten snakkar om det grøne skiftet, at det handlar om kultur og verdiar, er ein inne på noko av det, men vi er nøydde til å ha ein miljøpolitikk der vi òg som folkevalde er med på å seie at dette er noko som folk skal vere med på. Er dette ei problemstilling som Miljøpartiet Dei Grøne ser?

eksempel i Oslo ser vi at vi kan kutte utslipp samtidig som vi lager bedre byrom, som er mer inviterende og mer inkluderende, som gjør det tryggere for eldre og barn å ferdes i gatene fordi det rett og slett er mindre friksjon i gatebildet. Det finnes mange sånne eksempler. Ikke minst tror jeg veldig mange nordmenn ønsker å være med og bidra til å kutte utslipp selv. Jeg tror for øvrig også at et grep er ikke å snakke så mye om å kutte utslipp, ikke snakke så mye om avtaler som er langt unna, om CO 2 -molekyler som ingen kan se, men å snakke om hvilke verdier vi faktisk står for. Replikkordskiftet er over. Med den høytidelige åpningen av Stortinget hyller vi de demokratiske verdiene Norge er bygd på. Det er det god grunn til.

og at de som sloss for stemmeretten, ble forfulgt og satt i fengsel. Denne uken er det 200 år siden Marcus Thrane ble født. Thrane gikk i spissen for de første arbeiderforeningene her til lands. Han reiste kravet om at stemmeretten også skulle gjelde husmenn og småkårsfolk. Den politiske friheten skulle ikke bare gjelde folk på toppen, men også arbeidsfolk. For dette demokratiske pionerarbeidet ble Thrane dømt til fire år i fengsel. Han sonet sju år. Det skulle gå 58 år før kravet vant gjennom. Først i 1919 fikk alle, også de som gikk på offentlig fattigstøtte, endelig stemmerett. Det er altså først om to år vi kan feire 100 år med stemmerett for alle kvinne og mann, fattig og rik. Etter hva vi i Rødt vet, finnes det ingen plan for noen offisiell markering av dette jubileet. Derfor foreslår Rødt at Stortinget ber regjeringen sørge for at 100-årsjubileet for den allmenne stemmeretten markeres på egnet måte i 2019. Kravet om utvidet stemmerett ble lagt dødt av kongen i 1851, da kong Oscar talte ved åpningen av det 13. storting. Når vi har åpnet det 162. storting, bør vi spørre oss hva vi kan lære av historien om Marcus Thrane. I vår tid står ikke kampen om stemmerett eller ei, men om hva stemmeretten skal være verdt. Selv om husmannsvesenet for lengst er borte,

Rødt mener det er på høy tid at vi lar folkets stemme bli hørt i et så viktig spørsmål. Derfor vil vi jobbe for en folkeavstemning om EØS-avtalen. I kampen om stemmerett for alle kommer også et grunnleggende skille mellom høyre- og venstresiden til syne. Mens Thrane mente husmenn og småkårsfolk hadde rett på frihet fra dominans, forsvarte datidens maktelite storbondens frihet til dominans. Det var to ulike syn på frihet som kolliderte, og helt siden den gang har denne konfliktlinjen skapt strid mellom venstre og høyre side i politikken. Min ambisjon er at kjernen i Rødts arbeid på Stortinget finnes her – å alltid stille seg på småkårsfolks side, være en alliert i deres kamp for frihet fra dominans, enten det gjelder dem som er ansatt midlertidig og prisgitt sjefens velvilje, eller de svakest stilte på boligmarkedet, eller det gjelder folk i andre land som kjemper hardt for å få samme selvbestemmelse og samme rettigheter som vi tar for gitt her i Norge. Det mener jeg er den viktigste lærdommen av historien om Over 70 000 velgere løftet Rødt inn på Stortinget ved årets valg. Det gjorde de først og fremst fordi vi ga dem et tydelig løfte om å bekjempe framveksten av Forskjells-Norge. Men i trontalen sa regjeringen: «I Norge har vi små forskjeller.» Og de la til: «Regjeringen vil arbeide for at det fortsatt skal være slik.» Da lurer jeg på hvor regjeringen har vært de siste tiårene. De aller rikeste har doblet sin andel av inntektene på bare 20 år. På 15 år er antall milliardærer femdoblet. Samtidig vokser stadig flere barn opp i fattige familier. Er dette små forskjeller? Bør regjeringen jobbe for at det fortsatt skal være slik? Svaret er nei, og her er Rødt grunnleggende uenig med regjeringspartiene. Det finnes andre land som har større forskjeller enn Norge, men det betyr ikke at forskjellene i Norge er små. De har blitt altfor store, og ved siden av de farlige klimaendringene er framveksten av Forskjells-Norge vår største utfordring som samfunn. Så har skiftende politiske flertall gang på gang hatt muligheten til å gjøre noe med dette problemet. Likevel har forskjellene bare fortsatt å øke, og det skyldes ikke manglende støtte i befolkningen. Over lengre tid har to av tre innbyggere sagt at det er en hovedoppgave for politikerne å minske de økonomiske forskjellene, en hovedoppgave for oss i denne salen. For Rødt blir det i hvert fall en hovedoppgave å gi denne folkemeningen en tydelig stemme på Stortinget. I trontalen sier også regjeringen at de vil jobbe for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Hvorfor gjør regjeringen da ingen verdens ting med velferdsprofitørene? Omfattende velferdstjenester krever omfattende skattevilje blant folk, og skatteviljen svekkes når folk ser at deres skattepenger forsvinner ut i hundretalls millioner kroner til privat berikelse for eierne av kommersielle selskaper. En regjering som vil sikre bærekraften i velferden, må derfor sikre at pengene som bevilges til barnehagebarn og pleietrengende eldre, nettopp går til barnehagebarn og pleietrengende eldre. Det kan ikke være en offentlig oppgave å fôre opp en hel industri av velferdsprofitører. Den andre glemte trusselen mot velferdens bærekraft – i hvert fall i regjeringens trontale – er bemanningsbyråene. I deler av landet vårt og i viktige bransjer er de i ferd med å overta for produksjonsbedriftene, og det bør bekymre oss, for dette er en utvikling som sager over selve bærebjelken i et seriøst arbeidsliv, nemlig faste ansettelser og ordnete forhold. Rødt vil jobbe for at et flertall på Stortinget tar tilbake den fornuftige reguleringen vi hadde av bemanningsbransjen som varte helt fra 1947 og fram til år 2000, da Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet bøyde nakken for byråkratene i Brussel. Som Rødts representant vil jeg særlig jobbe for en tydelig utenrikspolitisk opposisjon på Stortinget.

Det er et brudd med baseerklæringen fra 1949 om at vi ikke tillater baser for fremmede makter på vårt territorium så lenge de ikke er under angrep eller utsatt for trusler om angrep. Regjeringen gjør dermed Norge mer utsatt i det internasjonale spillet mellom stormaktene når de godtar amerikanske militærbaser på norsk jord, mens de samtidig fortsetter å bygge ned den norske forsvarsevnen. Rødt er ikke sikre på at regjeringen har Stortinget i ryggen i forsøket på å gå vekk fra baseerklæringen. Derfor foreslår vi at Stortinget ber regjeringen om å sørge for at baseerklæringen etterleves, også når det gjelder såkalt rotasjonsbasert trening. Valgkampen er over, men kampen er ikke over. Regjeringspartiene er heldigvis ikke eneveldige i Norge. Kampen om hvor mye de skal få gjennomført, er så vidt begynt. Den starter her og nå, og jeg kan love at Rødt skal gi dem kamp. Vi skal gi Fremskrittspartiet og Høyre motstand for hver kvadratmeter av folkets eiendom de vil privatisere, for hver krone de vil gi i skattekutt til de rikeste, for hver soldat de vil sende i krig for NATO og Donald Trump. Vi har stoppet disse partiene før, og vi skal gjøre det igjen. Vil representanten ta opp forslag? Ja, jeg tar opp Rødts forslag. Da har representanten Bjørnar Moxnes tatt opp de forslagene han refererte til. Det blir replikkordskifte.

En rekke partier har sagt seg positiv til tankegangen som ligger i tidlig innsats. Høyre sier det samme, men har ennå ikke signalisert noen konkrete tiltak. Spørsmålet til representanten Moxnes og partiet Rødt partiet ønsker å være med på laget blant de partiene som vil kjempe for 3 000 flere lærere i den norske skolen, for å sørge for at våre unger lærer seg å lese, regne og skrive. Ja, det er noe som vi i Rødt gjerne vil være med på. Vi trenger også et tydelig klassedelingstall som gjør at en får et maksantall elever per lærer i hver enkelt klasse. Det var en historisk feil da Stortinget i sin tid opphevet det tallet. I tillegg vil vi sørge for at flere elever velger seg til yrkesfag. Der har vi en enorm jobb å gjøre de kommende årene, fordi mange ungdommer vet hva som skjer i arbeidslivet. De ser at det i mange yrker ikke lenger er noen særlig framtid på grunn av den bølgen av sosial dumping som er i ferd med å ødelegge hele bransjer – bygg og anlegg, renhold, bilpleie, transport. Her må vi altså tørre, mener vi i Rødt, å sette hensynet til arbeidstakere i Norge over hensynet til EUs frie flyt. Vi må ha nasjonale tiltak som stanser sosial dumping, og da ønsker jeg også at Arbeiderpartiet i framtiden kan ha et litt mer åpent syn på EU og bli med oss i Rødt på å stanse den

Velferden vår finansieres nedenfra, av folk og bedrifter som tjener penger, og for å opprettholde velferdsnivået vårt trenger vi også flere private jobber som bidrar til statsbudsjettet i årene som kommer, ikke færre – slik det kan virke som om Rødt tar til orde for. Rødt beskriver seg selv som et revolusjonært parti som vil avskaffe vårt Skattetrykket skal dramatisk opp, overskudd skal ned, og konkurranse – som bidrar til at folk får bedre tjenester – skal bort. Spørsmålet mitt til Rødt er da: Hva er alternativet til vårt økonomiske system? Alternativet til at vi har en økonomi der de største beslutningene tas av mennesker som aldri er på valg – tas av folk som i kraft av å eie kapital har enorm makt over samfunn, klima og miljø – er at vi lar demokratiet også få gjelde de viktigste økonomiske beslutningene. Systemet som representanten forsvarer, er et system hvor de åtte rikeste enkeltpersonene i verden eier like mye som den fattigste Det er etter mitt og Rødts syn perverse økonomiske skiller, og også en helt pervers konsentrasjon av samfunnsmessig makt på ekstremt få hender. Så alternativet til denne maktkonsentrasjonen hos ytterst få er å demokratisere samfunnet og si at også økonomien skal underlegges folkestyret, og gjøre slutt på mindretallsstyret som Høyre er

Det kan se ut som om det ideologiske målet til Moxnes er et samfunn med kun offentlige tilbydere og ingen konkurranse – også hvis det fører til dyrere og dårligere tjenester – noe som for meg høres ut som kommunisme. Mitt enkle spørsmål til representanten Moxnes er om han betegner seg selv som en kommunist. Kanskje i veldig godt lag – men det vi går til valg på det vi går til valg på og står for, er en politikk som var sentrumspolitikk for bare vel 15 år siden. Bondevik I-regjeringen mente jo at det var helt uhørt at våre felles skattepenger, som folk hadde jobbet og slitt hardt for og betalt inn til staten, skulle gå til å bygge milliardformuer for kommersielle aktører. Bondevik I-partiene sa klart nei til de kommersielle innenfor barnehagesektoren. Vi har i Oslo sørget for en avtale som sikrer stort spillerom for de private ideelle barnehagene. Vi ønsker å gå sammen med Kristelig Folkeparti og andre for å sikre de ideelle aktørenes framtid. De trues først og fremst av at en har svære kommersielle konserner, med enorme økonomiske muskler, som dundrer inn i markedene, underlegger seg, kjøper opp og legger ned private ideelle tilbud. Det er det som er problemet, det er det som skal stanses, og jeg håper at et flertall på Stortinget her kan overkjøre regjeringen, slik at vi får en bedre politikk for landet. Jeg noterer meg at representanten Moxnes ikke synes dette er et veldig godt lag. Jeg vil nevne en barnehage i min egen hjemkommune som heter Hannes Lekestue, som jeg hadde gleden av å besøke i valgkampen. De inviterte alle partier, men det var ingen fra Rødt, MDG eller SV som så sitt snitt til å komme. Det er en barnehage som har blitt nominert til Norges beste barnehage. barnehage. I min hjemkommune, Stavanger, skårer de private bedre på samtlige indikatorer. Og da tenker iallfall jeg at hvis de klarer å levere så gode tjenester til innbyggerne, og samtidig klarer å tjene penger, er det en klapp på skulderen de fortjener – og kanskje noen som heller burde vært litt mer nysgjerrig på hva de klarer å få til. Denne barnehagen utvidet med en avdeling til, og det hadde de aldri kunnet gjøre hvis det ikke var lovlig med en liten profitt en liten profitt i barnehagesektoren. Mitt spørsmål til Moxnes er om han overhodet klarer å se noe positivt ved at det er private barnehager i Norge. Det er derfor Rødt har sørget for at vi nå fører en politikk i landets største kommune som sikrer at de private ideelle barnehagene ikke blir underlagt de kommersielle. Det er i det hele tatt ikke noe positivt ved at innbyggernes skattepenger som er bevilget til drift av barnehager, til å gi barna et best mulig tilbud i barnehagene, forsvinner ut i hundretalls millioner kroner til privat berikelse – til og med til oppkjøpsfond i skatteparadis. Det er det ikke noe positivt ved. Vi burde egentlig ta inn over oss det faktum at i dag er det sånn at de fire store, kommersielle konsernene eier og driver halvparten av alle de private barnehagene i Norges land.

er ingen som heier på de store konsernene. Men mange av oss, i hvert fall vi som er liberale, syns det er litt artig å heie på dem som gjør det litt annerledes. Og det mener jeg egentlig at Rødt burde like også. Da jeg besøkte Jørgen Kjørvens barnehage, fortalte han meg at han har tre regler i den barnehagen. Den ene er at det er lov å gå på taket. Det er lov å gå utenfor gjerdet. Og det er lov å bruke sag, kniv og hammer. Det er de tre reglene de har i den barnehagen. Jeg tenker at sånne ting må jo også tiltale Rødt – noe som er litt utenfor det vanlige, noen som gjør litt opprør mot systemet. Tror ikke Rødt at noen av disse innovatørene finner på noe nytt som det går an for det offentlige å lære litt av? Takk for velkommen-hilsenen. Kortslutningen her er å tro at for å få innovasjon i velferden er man avhengig av å ha et kommersielt eierskap på toppen. Vi ser at vi historisk har mange ildsjeler som har startet opp bl.a. barnehager ut fra ideelle motiver – det fantes ikke nok offentlige, for det har vært gjort en for dårlig jobb på Stortinget – og som da bygde opp barnehager fra bunnen av med offentlig støtte, med ideelle motiver for virksomheten sin. Det som nå skjer, er jo at disse ildsjelene, som det har vært mange av, presses ut. De som først og fremst driver barnehager for barnas beste og for å få til nye ideer og bedre løsninger, mister fotfestet fordi de opplever at kapitalsterke, store milliardkonserner vinner fotfestet, takket være den rådende politikken. rådende politikken. De opplever også at de ikke får gode nok rammevilkår for å kunne fortsette driften sin. Så det å slå ring rundt de private ideelle ildsjelene er vi for, men vi vil samtidig stenge ute de kommersielle fra driften av velferden.

Det mange tok opp under Raudts landsmøte, var at det å fjerne kontantstøtta vil vere krevjande for mange fattige barnefamiliar. Det var ein interessant debatt å følgje, og eg synest Raudt fortener honnør for den debatten ein hadde på landsmøtet. Mi utfordring til Bjørnar Moxnes er: Ser han paradokset i at dersom ein fjernar kontantstøtta, vil det kunne ramme nokre av dei mest sårbare familiane i vårt land og ha betydning nettopp for fattige barnefamiliar? Det er en viktig debatt, og det var også det som var argumentet for dem som ønsket å beholde ordningen. Jeg er helt sikker på at hvis den fjernes uten noe som helst alternativ, vil det gjøre at mange som har lite, blir enda

null på sikt. Vi ønsker også at SFO etter hvert skal bli egenbetalingsfri, sånn at vi gjør det mulig for alle, også dem med dårlig råd, å få tilgang til viktige velferdsgoder. Replikkordskiftet er President – gratulerer! Jeg vil også få benytte anledningen til å gratulere alle som har hatt sitt første innlegg fra talerstolen i dag. Regjeringa har styrt Norge trygt gjennom en krevende tid. Vi har hatt utfordrende økonomiske tider hjemme, og vi har sett et mer komplekst og utfordrende trusselbilde i verden rundt oss – og det endrer seg veldig raskt. Nå ser vi lyspunkter i økonomien og fall i arbeidsledigheten, men den sikkerhetspolitiske situasjonen forblir utfordrende. I Norge har vi en klok tradisjon for kontinuitet i utenriks- og sikkerhetspolitikken. Det er bred enighet om veivalgene i politikken og det den bygger på. I en tid med økende kompleksitet og risiko i de sikkerhetspolitiske utfordringene er det nettopp kontinuitet og forutsigbarhet som bør være styrende. Dette er ikke tidspunktet for å eksperimentere med de lange linjene i sikkerhetspolitikken. Vi ser mer militær bevegelse i våre egne nærområder. Det er mange allierte som er bekymret for sin egen trygghet. Vi ser at stabiliteten og samholdet i Europa utfordres. Regjeringa vil bidra til – og verne om – en internasjonal rettsorden som legger vekt på sterke, samlende institusjoner. Samarbeid i FN, NATO og EU og med andre nære allierte og partnere forblir avgjørende. Regjeringa har også tatt tydelige og veldig bevisste valg om å styrke og målrette samarbeidet med våre viktigste allierte: USA, Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Nederland i tillegg til de nordiske landene. Det å øve og trene i Norge for allierte har vært en helt sentral del av norsk sikkerhetspolitikk i flere tiår. Det er nettopp fordi vi ikke har permanente utenlandske baser i Norge at øving og trening er så viktig. For at sikkerhetsgarantiene skal ha et innhold, må de som skal kunne bistå oss, også trene og øve på vinterstid for å kjenne til norske forhold. Rødt er selvfølgelig imot norsk NATO-medlemskap. Det er et standpunkt som Rødt må få ha. Men det vi nå gjør med mer alliert øving og trening i Norge, er basert på at Stortinget tok stilling til det i forbindelse med langtidsplanen – enstemmig tok stilling til det – og ikke minst at vi sier at vi skal ha mer øving og trening sammen med norske styrker, ikke bare alene i norske treningssentre. Noe av det aller viktigste vi kan gjøre, er å styrke vår egen forsvarsevne. Det har vi gjort gjennom budsjettene og langtidsplanen. Vi øver og seiler mer, vi har mer tilstedeværelse i nord, og vi fortsetter å bygge opp forsvarsevnen. Jeg vil også understreke at selv om vi gjør alt dette, tar det tid å snu en negativ utvikling som har vart i nesten 25 år, gjennom vekslende regjeringer. Det betyr at for både Norge og alle andre land som har hatt denne

er at noen av alle de pengene vi nå har brukt på vedlikehold, reservedeler og det å bygge opp beredskapslageret, er brukt på «Øvelse vedlikehold». Den er gjennomført i tre etapper – den siste etappen pågår nå. Det er særlig Sjøforsvaret – men spesielt Hæren og Heimevernet i år – som har vært en del av denne øvelsen. Mer enn 5 500 ulike objekter er nå oppreparerte og beredskapsklare. Det er ting som har stått på lager i årevis, vært ubrukt eller i ustand. ustand. Noe av det som var spesielt morsomt å merke da jeg var og besøkte øvelsen i to omganger, er den enorme entusiasmen særlig hos dem som kanskje ikke får så mye oppmerksomhet ellers, men som er helt avgjørende for Forsvarets operative evne: teknikere, mekanikere, logistikere. De har gjort en fantastisk jobb med å få utstyret i stand. Gjennom bygging av denne grunnmuren som er så avgjørende, så avgjørende, og økt bemanning og aktivitet, kan vi også legge til rette for reduserte klartider. Dette er å følge den langtidsplanen regjeringa har lagt, og som Stortinget sluttet seg til. Det som skjer ute, påvirker oss også hjemme. Derfor har Norge lagt vekt på – og vil fortsette med – å stille bidrag i internasjonale operasjoner og bidrag til NATOs styrkestruktur. Norske soldater får betydelig og velfortjent ros for den innsatsen de gjør ute. Jeg vil avslutte mitt innlegg med å sende en hilsen til alle de soldatene som både hjemme og ute er på vakt på vegne av Norge i dag. Det vert replikkordskifte. Forsvarsministeren slo fast at vi har tradisjon for kontinuitet i forsvars- og sikkerhetspolitikken, og at i disse urolige tider er

erklæringen, som kom som et svar på sovjetisk bekymring for NATO-baser, fastslo regjeringen at andre land ikke skal få etablere militære baser i Norge så lenge de ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep. Samtidig er det i vår interesse at det øves og trenes i Norge under norske forhold, og at allierte øver sammen med norske styrker. Det har vært skriverier i aviser som Nordlys og Klassekampen de siste dagene om økt amerikansk trening bl.a. i Troms. Forsvarsministeren har ikke kommentert oppslagene. Kan forsvarsministeren bringe klarhet i hvilket omfang disse planene som foreligger, faktisk har? Vi har fra Forsvarsdepartementets side kommentert oppslagene, men vi har ikke mottatt noen henvendelser fra amerikanske myndigheter om å endre innretningen på den treningen som gjøres på Værnes i dag. Men det trener til enhver tid amerikanske, britiske, franske, nederlandske og svenske styrker på forskjellige steder i Norge, og innretningen vi har valgt å gjøre i langtidsplanen, er at vi nettopp, som representanten sier, skal trene og øve mer sammen med våre styrker. Det gir økt forsvarsevne, det gir økt interoperabilitet, og det er viktig. Vi har vært veldig tydelige i diskusjonen med Stortinget på at denne rotasjonsordningen er vellykket. Den ønsker vi å videreføre i 2018. Skulle det bli aktuelt å endre innretningen på den, vil selvfølgelig regjeringa måtte ta stilling til det, og vi vil komme tilbake til Stortinget på vanlig måte.

og den har vært tolket i lys av endret sikkerhetspolitisk kontekst. Det kommer en fortsatt til å gjøre, men den norske basepolitikken er et godt rammeverk for å drive øving og trening for utenlandske allierte styrker i Norge. Og så sent som i 2006, da den amerikanske avtalen om forhåndslagring og forsterkning ble behandlet i Stortinget, og utvidelsen av den, var Stortinget enstemmig i sin oppfatning av at den åpnet for utstrakt amerikansk øving og trening i Norge, og at dette ikke var i strid med basepolitikken. Det er det prinsippet regjeringa fortsatt følger. Så er det veldig mange andre nasjoner som også ønsker å øve og trene mer i Norge, og det er vi glad for. Eg vil nytte høvet til å gratulere både presidenten og

styrkar frå andre land på norsk jord til dagleg. Det han åtvara mot, var sjølvsagt at Noreg ikkje måtte svekkje vårt eige forsvar for mykje, og at me bryt med norsk basepolitikk. Høgre gjekk i førre periode konsekvent imot Senterpartiet sine forslag om å styrkje hær og heimevern. Eg las i Nordlys torsdag 5. oktober at 400 soldatar frå US Marines kan verte fast stasjonerte på Setermoen i Troms. Det skal vere snakk om å implementere planen allereie i 2018, Kan statsråden avkrefte desse opplysningane? Om ho ikkje kan det: Når vil regjeringa kome til Stortinget med informasjon om den saka? Jeg er for det første helt enig i det forsvarssjefen skrev i rapporten fra det fagmilitære rådet om ikke å svekke Forsvaret eller landmakten, og det har heller ikke regjeringa gjort. Snarere tvert imot bygger vi opp Forsvaret, vi bygger opp landmakten, og på fredag kommer vi med landmaktproposisjonen til Stortinget. Det et veldig godt bilde på hvordan behovet for nytenkning om landmakten har gitt seg utslag i en del endringer som jeg tror vil være veldig positive for utviklingen av landmakten. Til spørsmålet om 400 soldater svarte jeg på det i svaret til representanten Sivertsen. Vi har ikke mottatt noen formelle henvendelser fra amerikanske myndigheter om dette, men som alltid foregår det diskusjoner på lavere militært nivå om man ønsker å trene og øve norske styrker i utlandet eller utenlandske styrker i Norge. Det er ikke det samme som at det er kommet henvendelser fra amerikanske myndigheter, eller at det er fattet noen beslutninger. Dette kommer regjeringa til å gjøre på akkurat samme måte som vi har gjort når det gjelder Værnes, dersom det skulle bli aktuelt.

Det er det enkelte NATO-land som har atomvåpen, og Norge er ikke folkerettslig ansvarlig for atomvåpen til enkeltland. Mitt spørsmål til forsvarsministeren er: Finnes det et rettslig hinder – altså ikke et politisk hinder, men et rettslig hinder – slik regjeringen ser det, for at Norge ikke kan slutte seg til den forbudsprosessen som nå er iverksatt? bare minne om at Nederland har vært del av dette, og at Italia nå driver og utreder dette spørsmålet. Først vil jeg minne om at dette spørsmålet egentlig hører inn under utenriksministeren, men jeg kan gjerne svare på det likevel. For det første er den prosessen som ledet til denne forbudstraktaten, den prosessen som ledet til denne forbudstraktaten, foreløpig signert av kun 53 stater, og det er kun 3 som har ratifisert den. Det kreves 50 ratifiserte for at den skal tre i kraft.

spørsmålet knyttet til NATO er at NATO har kjernevåpen som en del av sin strategi. Det er også en del av Atlanterhavspakten, som vi er en del

er for lite til å klare de investeringene som man trenger å ha i landmakten, og også for å ha en økning i antallet soldater – enten det er i Heimevernet eller i Hæren for øvrig. En annen del av dette er en begrensning på 38 000 mann, som det vel også er kommet ut at man legger seg på i Heimevernet. Er statsråden i det hele tatt villig til å se på endringer i de øvrige delene av forsvarsbudsjettet, slik som en helt unødvendig flytting – mener Venstre – fra Andøya, med overvåkningsfly, til Evenes, med en kostnad vi ikke ser? Er statsråden i det hele tatt villig til å se på den type endringer for å frigjøre mer midler til hær, heimevern og

Så er det ingen stor hemmelighet at jeg er uenig med representanten Ola Elvestuen i at det er kostnader man ikke ser knyttet til utbyggingen av Evenes. Dette har regjeringa og jeg redegjort for gjentatte ganger i Stortinget, og vi holder nå også på å ferdigstille en konseptvalgutredning for hvordan innretningen på basen på Evenes skal være. Det kommer ikke til å bli flyttet noe dit før de nye flyene skal ta plass der, så det er altså ikke dagens Orion som skal operere på Evenes, men det er framtidas P-8 som kommer til Norge. Eg vil òg varmt gratulere den nye presidenten. Det tar litt tid før me bømlingar blir vande med å kalle ein stordabu president, men det gjer eg med største glede. Eg trur eg ventar med gratulasjonen til forsvarsministeren, for å sjå om det kan bli nye arbeidsoppgåver på henne den komande tida. Men eg held meg no til det fagfeltet statsråden har, og det er bl.a. Heimevernet. Heimevernet. Me veit at berre i Heimevernet i sør låg det altså an til bemanningsreduksjonar, frå 6 500 til 3 300. Så stoppa ein reduksjonen og at ein tok inn utstyr, fram til landmaktstudien skulle kome, og han kjem jo no om berre kort tid, ifølgje trontala. Men mitt spørsmål er: Vil det bli så dramatiske reduksjonar i Heimevernet som det som blei lagt fram? Det var jo òg ei intern ueinigheit i departementet om kva reduksjonane i realiteten innebar. For det første tror jeg det er viktig å være klar over at vurderingen av hvor stor bemanning det skal være i det enkelte HV-distrikt, er en fagmilitær vurdering som måte. Da kan det hende at det blir endringer i fordelingene. Vi har også, f.eks. i forbindelse med landmaktutredningen, pekt på noen rekrutteringsutfordringer i deler av landet som gjør at vi må foreta oss noen ting for å sørge for en jevnere fordeling. Når det er sagt, har vi også til Stortinget redegjort for at områdestrukturen i dag er omtrent på det nivået som er vedtatt i langtidsplanen. langtidsplanen. Det betyr at i den grad det skjer større endringer, er det primært fordi det gjøres omfordelinger mellom de ulike distriktene. Men det er altså en fagmilitær vurdering. Så vil jeg bare understreke at vi har hatt en veldig positiv utvikling i Heimevernet de siste årene. Materielloppfyllingsgraden har økt betraktelig, til ca. 80 pst. Vi innfører nye, moderne håndvåpen, beskyttelsesutstyr, uniformer og – ikke minst – den store investeringen nå, i feltvogner til Heimevernet for drøyt 0,5 mrd. kr. Det er viktig for HVs operative evne. Replikkordskiftet er omme. I heile den

Dessverre er me langt derifrå i dag. I dag står tre av ti i yrkesaktiv alder utanfor arbeidslivet. Spesielt alvorleg er det at den delen som er i jobb, søkk, ikkje minst blant dei unge. Blant menn mellom 20 og 24 år har sysselsetjinga gått ned. 70 000 unge menneske står utan arbeid, og

me har klart før. Me klarte det då kvinnene for alvor gjekk ut i arbeidslivet på 1970-talet, og det er absolutt noko me kan klara å få til igjen. Men det er ikkje noko som kjem av seg sjølv. Det er noko som krev aktiv handling. Og her skil me oss frå Høgre og Framstegspartiet, bl.a. ved at me trur på folk. Me stiller krav til folk, men me stiller òg opp for folk når dei treng det. Me meiner òg at ein treng fleire politiske verkemiddel for å nå målet om arbeid til alle. Ikkje minst treng me ein brei strategi, med fire pilarar. Løysingane våre vil følgja desse fire spora. Me kjem til å levera fleire forslag på desse områda framover. Blant anna treng me ei auka satsing på kompetanse. Det betyr ein kompetansereform for arbeidslivet. Det betyr eit lærlingløft. Det betyr tidleg innsats for at fleire skal fullføra vidaregåande skule. Mange av dei som i dag står utanfor arbeidslivet, er menneske som ønskjer å bidra, som ønskjer å stå i arbeidslivet i lang tid, men som treng å auka kompetansen sin for å få eit ordentleg fotfeste i arbeidslivet. Det må me bidra til. Det andre er tiltak for auka inkludering. Det handlar bl.a. om lønstilskot, om hjelpemiddel, om tilgjengelegheit – altså om å gjera terskelen inn i arbeidslivet lågare. For det tredje handlar det om arbeidsmiljø, altså at ein med faste, trygge jobbar og likeverd mellom partane i større grad skaper eit arbeidsmiljø som er godt å gå til. Ikkje minst ønskjer me auka satsing mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, for me ser at det har utvikla seg svært alvorlege tilstandar i delar av

I tillegg må me gjera meir for at det vert skapt fleire arbeidsplassar. Då treng me stabile, gode rammevilkår, me treng kunnskap og kompetanse, og me treng ein aktiv næringspolitikk der me satsar strategisk på viktige næringar. Me kjem til å vera konstruktive og kritiske, me kjem til å fremja saker og forslag, og me kjem til å invitera andre parti til samarbeid for arbeid. Faktisk fremjar me allereie i dag eit forslag om å avgrensa innleige, og me håper å få støtte for det forslaget.

Det gjør det med Arbeiderpartiets Vestlands-offensiv også. Men det som er nytt denne gangen, er å se responsen fra Arbeiderpartiet. Istedenfor å ta alvoret inn over seg, endre politikk, dele ut posisjoner som faktisk kan gi Vestlandet betydning, står Vestlandet igjen med én talsperson. Jeg vet at representanten Tajik, som er denne ene talspersonen, vil gjøre en god jobb, men selv hardtarbeidende Arbeiderpartiet har med dette vist at Vestlands-offensiven er og blir en valgkampjippo. Det jeg lurer på, er hvordan velgerne skal tro på Arbeiderpartiet ved neste valg, ved neste Vestlands-offensiv, når de nå har vist hvor lite de i realiteten bryr seg om landsdelen. Representanten Frølich treng ikkje bekymra seg for
Me er eit parti der det ikkje skal vera avgjerande å ha eit fraksjonsleiarverv for å visa igjen i den offentlege debatten. Det kjem òg til å visa seg i løpet av dei neste fire åra at fleire av våre representantar kjem til å dominera både i denne salen og utanfor. Så vil eg minna representanten Frølich – audmjukt og med all respekt – om at den regjeringa som hans parti er ein del av, står svakare no enn før valet. Det er kanskje litt rart å gå på talarstolen og ha den tilnærminga som han vel å ha. For Arbeidarpartiet er det viktig framover, både for Vestlandet og – ikkje minst – for resten av landet, at me satsar på arbeid og på kompetansebygging. Me ser at dei industriane som finst på Vestlandet, har vore viktige for verdiskapinga i Noreg i mange år, og eg meiner at dei er ein viktig del av løysinga for verdiskapinga og jobbskapinga i åra som kjem. Det vil òg politikken vår visa. Jeg vil begynne med å gratulere representanten Tajik med at hun skal sitte i arbeids- og

som har ført en stødig og handlekraftig politikk, som har medført at vi har kommet oss gjennom oljekrisen, og at vi har klart å redusere arbeidsledigheten måned for måned. Det er flere grunner til at vi har disse gode resultatene av regjeringens politikk: Blant annet sa vi nei til Arbeiderpartiets forslag om å øke skattene med 15 mrd. kr, og vi har skapt en mer Men Arbeiderpartiet stemte også mot et annet tiltak som virket veldig bra, nemlig det å innføre aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere. Nå ønsker regjeringen å utvide det. Kommer Arbeiderpartiet fortsatt til å være imot dette, selv om all Eg får returnera gratulasjonen til Wiborg med at han truleg blir leiar for arbeids- og sosialkomiteen når komiteen konstituerer seg. Når det gjeld spørsmålet hans om aktivitetsplikt knytt til sosialhjelp, er det eingong slik og har vore slik ganske lenge, at det er høve til å stilla krav om aktivitet til dei som får sosialhjelp. Det var ikkje nødvendig å gjera den typen lovendring som dei initierte under førre periode for å sikra det. Det som derimot var nødvendig då, og som òg vil vera nødvendig framover, er å sikra at kommunane faktisk har økonomi til å følgja opp dette i praksis, og det er nettopp det Høgre og Framstegspartiet ikkje har klart å levera på ein skikkeleg måte. Arbeidarpartiet si tilnærming er at me både skal stilla krav til folk og ha forventningar til dei, men òg at me skal stilla opp for dei. På denne stilla opp-delen leverer ikkje Framstegspartiet. Hadia Tajik sa i Klassekampen 4. oktober at Arbeiderpartiet må diskutere fri flyt av arbeidskraft. Hun sa at det trengs en tydelig kursendring, og

Det er ikkje ein ideologi eg stiller meg bak.» Dette er nye signaler fra Arbeiderpartiet som kan – og jeg understreker kan – føre Arbeiderpartiet nærmere Senterpartiet for et arbeidsliv som gir større trygghet for inntekt. En av lakmustestene er om Arbeiderpartiet vil stramme inn lovlig bruk av bemanningsselskap. Vil Arbeiderpartiet nå støtte Senterpartiet i å oppheve andre ledd om tidsbegrenset innleie av arbeidsfolk? Det er ifølge statsråd Hauglie ikke i strid med EØS-avtalen å oppheve denne paragrafen. Arbeidarpartiet ønskjer absolutt at ein skal stramma inn overfor bemanningsbransjen. Me ser at på enkelte område har dette gått ut over eit ordna arbeidsliv. Me har òg eit eige forslag i samband med trontaledebatten knytt til nettopp innleige, og me drøftar gjerne med Senterpartiet andre typar tiltak som me kan klara å verta einige om på dette området. Eg meiner at det er viktig at me diskuterer korleis me kan sikra arbeidstakarane sine rettar innanfor rammene av EØS. Eg er, som representanten sikkert veit, veldig positiv til EØS, men eg betyr det at me bør ta ILOs kjernekonvensjonar inn i menneskerettsloven, slik at dei vert tillagde større vekt når det måtte vera konflikt mellom dei grunnleggjande arbeidstakarføresegnene som kjem fram der, og EØS-regelverket. I dag har dei ikkje den vekta dei burde ha i det norske lovverket som me meiner er riktig for arbeidstakarrettar. Det er

som de har flyttet over til dem som har aller mest blant oss, også de rikeste og friskeste, bl.a. på kontantstøtten, som representanten var innom. Derfor har SV fremmet et forslag i dag der vi mener at vi må få et helhetlig bilde av dette, en stortingsmelding om økende ulikheter i makt og rikdom. Vil Arbeiderpartiet støtte dette forslaget? Det korte svaret er ja. Det dette handlar om, er at me ser at forskjellane aukar, og at dei har auka over lengre tid. Dei som har mest, får meir. Dei som har minst, ser ut til å få mindre, dei får iallfall ikkje ta del i den veksten som ein del andre får ta del i. Det svekkjer noko av det finaste ved landet vårt, nemleg at me skal vera eit land med små forskjellar og høg grad av tillit mellom folk. Så når representanten Andersen trekkjer fram dette forslaget, ønskjer me i Arbeidarpartiet å gje vår støtte det. Det er absolutt behov for å sjå nærmare på både korleis og kvifor forskjellane har auka, men ikkje minst at me kan stå saman om å fremja fleire forslag for å motverka denne auka ulikskapen i landet vårt. Replikkordskiftet er omme. Norge er

Pakkeforløpene for kreft utvides til stadig nye diagnoser. Det skaper større trygghet for pasientene, mer effektive behandlingsforløp og bedre oppfølging. I skolen lærer elevene mer, fraværet går ned, og flere fullfører. Fraværsgrense og løft for etter- og videreutdanning gir resultater. Vi er ikke i mål, og kunnskap, skole, forskning og høyere utdanning vil fortsatt stå sentralt for Høyre. Tidlig innsats er viktig for å gi hvert barn mulighet til å realisere sitt potensial. Det er viktig for å bidra til at ingen barn slutter å rekke opp hånden, og at ingen barn ønsker å være usynlige når skoletimen starter. Når de unge håpefulle er ferdig med skolen, venter arbeidslivet. Noe av det viktigste vi som politikere kan gjøre, er å bidra til at det skapes nye jobber. Etter det største oljeprisfallet på en generasjon peker pilene nå i riktig retning. Ledigheten går ned, veksten går opp, og Fremover må vi bidra til at det skapes flere nye jobber og bedrifter som kan bidra til statsbudsjettet, for å finansiere alle gode velferdstiltak på statsbudsjettet. Vi må fortsette å modernisere, digitalisere og gjennomføre reformer som sikrer velferden, tryggheten og bærekraften for fremtiden. Valget vi står overfor, er enkelt: forandring eller forvitring. Bevisbyrden ligger ikke hos oss som vil reformere, men hos dem som ser seg tilbake i møte med morgendagens utfordringer og muligheter. Vilje er en fornybar ressurs som det finnes mye av i denne salen, noe som ikke minst kom til uttrykk under fremleggelsen av et imponerende antall representantforslag ved møtets begynnelse. Jeg mener det er positivt at Stortinget er et levende politisk verksted. Samtidig har jeg merket meg at mange av partiene er opptatt av å føre en ansvarlig økonomisk politikk. Det er helt nødvendig, men det er samtidig grunn til å minne om at summen av alt vi er for, ikke lar seg realisere innenfor rammen av en ansvarlig økonomisk politikk. Vi beveger oss inn i et økonomisk terreng der handlingsrommet blir mindre enn det vi har blitt vant til. Evnen til å gjøre gode og reelle prioriteringer blir viktig, enten man er i posisjon eller skal være en troverdig opposisjon. Selv om mye går godt i Norge, står landet overfor store utfordringer som må løses. Langsiktig omstilling og modernisering av både norsk økonomi og offentlig sektor er nødvendig for å ivareta fremtidens velferd. Økonomien og samfunnet må bli grønnere. I 2050 skal Norge være et lavutslippssamfunn. På veien dit skal vi innfri ambisiøse mål i samarbeid med EU. Flere barn må gis muligheter, uavhengig av sosial bakgrunn. Vi må sørge for at ingen går ut på dato, og at alle har nødvendig kompetanse til å møte det nye arbeidslivet. Tryggheten vår må sikres gjennom fortsatt satsing på forsvar og beredskap. Flere må i jobb. Antallet unge utenfor arbeid må reduseres, og arbeidslivskriminaliteten skal ytterligere bekjempes. Dette er store oppgaver, som vi må løse sammen. I møte med disse oppgavene er Høyres prosjekt å ta vare på Norge som verdens beste land å bo i. Vi har et solid grunnlag å bygge videre på når vi nå skal ta fatt på denne stortingsperioden. Velgerne har gitt regjeringen, Venstre og Kristelig Folkeparti et nytt mandat. Det har de gjort fordi de har sett resultatene av fire år med vilje og evne til omstilling, reform og trygg styring. Jeg tror velgerne merker seg hvilke partier som er villige til å ta ansvar gjennom å inngå brede forlik når det er nødvendig, og som viser vilje til å stå i det når det gjelder. Jeg mener det vil være uheldig om det utvikles en politisk kultur i Norge som er mer splittende, mindre forutsigbar og mer amerikansk. Det er ikke en utvikling landet er tjent med. Derfor vil Høyre i regjering fortsette å invitere Stortinget til brede forlik om viktige saker for Norge – for å sikre det Norge vi alle kjenner, og som vi alle er så glad i. Det vert replikkordskifte. Jeg har lyst til å starte med å gratulere både presidenten og

I stedet ble det en oppramsing av fine ord uten politisk innhold. De store utfordringene ble ikke tatt tak i. Oljepengebruken, som nesten ble doblet i forrige stortingsperiode, lurte mellom linjene. Andelen folk i jobb, som nå er den laveste i Nord-Europa, ble i trontalen møtt med erklæringen om at «flere må være i arbeid». De voksende ulikhetene ble møtt med at vi i Norge har små forskjeller, og at regjeringen fortsatt vil ha det slik, selv om regjeringens politikk netto øker forskjellene. Mitt spørsmål er om representanten Astrup erkjenner at store utfordringer, som høy oljepengebruk, lav sysselsetting og økende ulikheter, trenger politiske virkemidler for å løses. Ulempen med å skrive spørsmålet før man har hørt innlegget, er jo at jeg ga svar på de tingene representanten spør om, i mitt innlegg. Ja, det er store utfordringer vi står overfor, og ja, vi skal møte dem med politikk. For øvrig må jeg få lov til å gratulere Knutsen også. Vi er fortsatt ingen av oss valgt til å sitte i finanskomiteen, men det er jo en viss forventning – kan man si – om at vi skal bli det, så på forhånd gratulerer jeg representanten med valget til den komiteen. men det er jo en viss forventning – kan man si – om at vi skal bli det, så på forhånd gratulerer jeg representanten med valget til den komiteen. Vi må ta tak i de store utfordringene. Dette mener jeg var hovedfokus i trontalen som ble presentert i går, og også mitt emne i dag. Vi skal være et bærekraftig velferdssamfunn både økonomisk og i et miljøperspektiv. Når det gjelder oljepengebruk, brukte Arbeiderpartiet om lag like mye oljepenger som oss i forrige periode, og jeg vil tro at det kommer til å Dette kalles trontaledebatten, og da er det vel trontalen vi skal adressere, i alle fall delvis. Men jeg vil takke representanten Astrup for svaret og ser fram til gode debatter om dette både i komiteen og i denne salen i den kommende sesjonen. Vi er i denne salen enige om at små forskjeller er et gode for Norge. Det vi ikke er enige om, er tiltak for å holde forskjellene små og ikke la ulikhetene mellom oss øke. Økende ulikhet er dårlig for tilliten mellom oss. Det er selvsagt problematisk for dem som faller utenfor, men det som også er viktig å se på, er at det er problematisk for dem på toppen. Det er fordi vekstkraften i økonomien som bedriftseiere og investorer er så avhengige av, forsvinner når forskjellene blir for store og eksporten blir redusert, slik vi kan lese om i Dagens Næringsliv i dag. Med høy grad av ulikhet klarer vi ikke å ruste Norge for framtiden. Derfor er mitt spørsmål til representanten Astrup om det i denne stortingsperioden vil komme tiltak mot økte forskjeller, annet enn festtaler om at vi må ha flere i arbeid. Regjeringen fremmet i forrige periode en rekke målrettede tiltak mot f.eks. barnefattigdom og tiltak som er egnet til å bidra til mindre ulikhet. Vi vet at den største ulikheten i samfunnet er mellom dem som er i jobb, og dem som ikke er i jobb. Derfor er arbeidet med å skape nye arbeidsplasser, bidra til at nye ideer realiseres, at bedrifter vokser frem, slik at folk har en jobb å gå til, utrolig viktig. Jeg opplever at vi har gode svar både på hvordan vi skal hjelpe de menneskene som trenger samfunnets hjelp aller mest, og på hvordan vi skal skape de nye jobbene, slik at folk har arbeid å gå til. Der opplever jeg dessverre at Arbeiderpartiet har få svar.

man viser til de innleggene og forslagene som regjeringen fremmet i forrige periode, uten å synliggjøre noen nye tiltak. Jeg ønsker å utfordre representanten, som snakket om reversering og om Senterpartiet i den sammenheng. Hvis vi skulle legge som forutsetning at Senterpartiet var imot all nyutvikling og tiltak, skulle man jo tro at Senterpartiet var imot utvikling av internett. Men da vil jeg spørre representanten, som i hvert fall tidligere har vært veldig for å skape løsninger for hele Norge, om regjeringen – og Høyre i Stortinget – kommer til å være interessert i å styrke bredbåndsdekningen i landet, nettopp med sikte på å skape flere arbeidsplasser, som da kan gå til bedre velferd. Vi er veldig opptatt av god bredbåndsdekning i landet. Det er interessant at representanten trekker frem at Senterpartiet antakelig ville vært mot internett. Vel, det kan ikke jeg svare for, men de var i hvert fall imot Post i Butikk og mange andre viktige ting som har betydd mye for svært mange i hverdagen. Vi vet også fra forrige periode at de var imot opprettelsen av Nye Veier, som kommer til å spare fellesskapet for rundt 30 mrd. kr og få bygget veier raskere og mer effektivt enn før. Men bredbånd er også definitivt viktig. Vi har valgt en modell der de kommersielle utbyggerne i stor grad tar regningen. Det har gjort at det investeres et dobbeltsifret milliardbeløp hvert eneste år i telekom i Norge. Det er bra. I Sverige har de valgt en modell der det er de offentlige tilskuddene som i praksis holder igjen investeringstakten, som har gjort at de investerer langt mindre per år enn det som gjøres i Norge. Så skal vi sørge for, i de områdene der det ikke er kommersielt grunnlag for det, at vi fortsetter å støtte opp under bredbåndsutbygging der. Noe av det vakreste ved det norske samfunnet er de små forskjellene og

om. Vi vet at nøkkelen til små forskjeller er en politikk for et omfordelende skattesystem, et organisert arbeidsliv og universelle velferdsgoder. Når man så lytter til innleggene til representantene fra regjeringspartiene, er det klart at en av regjeringens hovedsatsinger er å redusere skattene, til tross for at vi får dårligere råd. Dette er nå velprøvd gjennom de siste fire årene, og vi kan slå fast at det ikke har redusert forskjellene, snarere tvert imot.

arbeidsplassene. I den situasjonen vi har vært i, har det vært riktig og nødvendig å prioritere det. Vi har hatt det største oljeprisfallet på en generasjon. Nå ser vi at pilene peker i riktig retning. Veksten går opp, og det skapes nye jobber. Replikkordskiftet er omme. La meg også få lov til å gratulere hele det valgte presidentskapet. Jeg ser fram til godt samarbeid i de fire årene vi

Det vil kort sagt bli enda mer FrP-politikk på justisområdet. Men hva har vi fått til de fire siste årene, i godt samarbeid med vår regjeringspartner Høyre og Venstre og Kristelig Folkeparti? Vel, listen er lang. Vi har på fire år fått 1 883 flere ansatte i politiet vedtatt eller utbygd 545 fengselsplasser i Norge, i tillegg til dem vi hadde fått 242 fengselsplasser i Nederland i Nederland igangsatt lyd- og bildeprosjekt i domstolene fått til hurtigdomstol i Oslo fått til tvangsutsendelse av 30 000 utlendinger som ikke skulle være her, 10 000 av dem hadde begått kriminelle handlinger fått vedtak om tre nye politihelikoptre, 16 nye redningshelikoptre, kontraterrorsenter er på plass, cyberterrorsenter, beredskapssenter er i gang foreldelsesfristen for drap og overgrep fått på plass ny straffelov fått offeromsorgskontorer i alle politidistrikter fått en politireform økt straffen for vold i nære relasjoner innført dyrepoliti i tre politidistrikter mer enn doblet bevilgningene til barnehusene sikret rettsikkerheten gjennom en ny juryordning fått Stine Sofie Senteret inn på statsbudsjettet opprettet en lokale tiggeforbud bygd ut nødnettet Det er en lang liste. Dette er bare noen av sakene som vi har fått igjennom de siste fire årene. Men vi er ikke i mål. For det første er det et langt lerret å bleke for å sikre norske voldsofres rettferdighet og trygghet. Samfunnet klarte aldri, dessverre, å beskytte Jeanette og datteren hennes. 45 ganger måtte hun flykte fra ekssamboeren og flytte til ny adresse. 45 ganger var det til liten hjelp at hun hadde fått hemmelig adresse og levde på såkalt kode 6. Vi har dessverre fortsatt et system som ikke tar inn over seg den realiteten mange norske voldsofre lever i den dag i dag, et system som i for stor grad er basert på overgriperens rettigheter og interesser. Det hjelper lite med voldsalarm om du møter overgriperen på butikken eller i en mørk sidegate, eller om det lokale politiet går av vakt klokken Det hjelper lite at den lokale lensmannen kan legge bort jobben for å spise middag i trygghet med familien etter arbeidstid. Se for deg å leve hvert eneste minutt i utrygghet og usikkerhet for når en ustabil voldsmann skal finne deg, bryte seg inn i hjemmet ditt og overraske barnet ditt mens det sover. Rekker du å trykke på voldsalarmen? Hvor langt unna er politiet? Vil det være for sent? Jeanette har ikke gitt opp kampen for voldsofres rettigheter og er en viktig stemme for dem som ikke er sterke nok til å tale selv. Jeg mener derfor det er kjempeviktig at vi alle sammen gjør en bedre jobb på dette området i den perioden vi nå går inn i. Vi må sette ofrenes rettigheter foran de kriminelles rettigheter. Det innebærer strengere straffer, omvendt voldsalarm, forbud mot bosetting i nærheten av ofre eller pårørende. Dette er alle spørsmål om avveininger mellom rettighetene til overgriperen og rettighetene til ofrene. Altfor ofte har den kriminelles rettigheter trumfet ofrenes krav på trygghet og oppreisning. Vi har fått styrket ofrenes rettigheter gjennom fjerning av foreldelsesfristen for drap og overgrep, nye offeromsorgskontorer i alle politidistrikter og strengere straffer for familievold. Det er likevel enormt mye som gjenstår, og derfor vil jeg bruke dette innlegget i dag til å adressere en problemstilling og et problem som veldig mange står midt oppe i hver eneste dag. Justissektoren i 2017 har, som jeg nevnte, 1 883 flere ansatte i politiet, og det er vedtatt 545 flere nye fengselsplasser enn vi hadde i 2013. Vi har rukket mye på bare fire år. I de neste fire årene må vi fortsette kampen for å gjøre Norge enda tryggere for folk flest. Det blir replikkordskifte. Takk til representanten Leirstein for en rørende skryteliste. Det er replikkordskifte. Takk til representanten Leirstein for en rørende skryteliste. Det er imidlertid noe som ikke trekkes fram på denne skrytelisten som dere har fått til i regjering, og det dreier seg om skatt. Leirsteins parlamentariske leder var tidligere på talerstolen i dag og sa at dette var et valg mellom skattelette og å øke skattene. Til hvem da? Det gjelder i alle fall ikke for Arent Johannes Gåthe fra Nesttun. Han jobbet hardt et langt liv, helt til kroppen ikke klarte mer. Imens betalte arbeidsgiveren hans inn til sluttvederlag. Da kroppen sa stopp og Arent sto uten jobb, oppdaget han til sin forskrekkelse at regjeringen hadde lagt skatt på sluttvederlaget. To av tre kroner som hans arbeidsgiver hadde betalt inn, gikk nå til Siv Jensen istedenfor til På nettsidene til Fremskrittspartiet står det at skatt er deres hjertesak. Hvorfor banker ikke det hjertet for arbeidsfolk som Arent, men bare for dem som har mest fra før? Det var en litt pussig replikk, all den tid dette ikke var mitt tema i innlegget i det hele tatt. Men man skal selvfølgelig likevel svare på det som tas opp. Det er slik at når man gir skattelettelser bredt, som regjeringspartiene og støttepartiene har gjort de siste fire

det også vil ramme dem som har minst fra før, så Arbeiderpartiet møter seg selv i døren med retorikken om at det angivelig bare er vi som gir skattelettelser til dem som har mest fra før. Arbeiderpartiet sørger for å gi skatteøkninger til dem som har minst fra før. Det er

Fellesforbund, Finn Arne Hvalbye, viser til at Innlandet politidistrikt har fått 41 nye stillingar. Men det er berre ei av desse stillingane som er sett i drift, på grunn av at budsjettet ikkje finansierer dette. Er det då politiet si skildring av verkelegheita eller er det stortingsrepresentant Leirstein si skildring av verkelegheita som her er korrekt?

Jeg husker – i mange år før vi tok over makten – hvor mye politiets representanter var ute og klaget på situasjonen i politiet når det gjaldt utstyr, når det gjaldt datasystemer, og når det gjaldt antall stillinger. Men tallenes tale er veldig klar: Vi har 1 883 flere ansatte i norsk politi nå enn da Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen tiltrådte for fire år siden. Det betyr at man veldig mange steder nå vil se mange nye ansatte politifolk som er ute og gjør jobben, og bekjemper kriminalitet. Så hverdagen er uten tvil blitt bedre. Men vi er selvfølgelig ikke i mål. Representanten Ulf Leirstein snakket varmt om politireformen. Jeg kommer fra Indre Østfold, og i Indre Østfold gjennomførte vi en politireform, nedenfra og opp, i 2010, hvor vi la ned noen av våre lensmannskontorer og samlet oss i Indre Østfold politistasjon. Men det var satt noen forutsetninger for det, bl.a. økt forebyggende beredskap, passtjeneste, våpenløyve, sivilrettslige tjenester osv. Med politireformen som nå gjennomføres, opplever Indre Østfold politistasjon, som betjener rundt 50 000 innbyggere, hvorav 45 000 i den nye Indre Østfold-kommunen fra 2020, å miste, i hvert fall ser ut til å miste, både passtjeneste, muligheten til å levere våpenløyve Så Indre Østfolds innbyggere blir altså henvist til Ski eller til Lillestrøm. Mener representanten Leirstein at dette er tilfredsstillende for befolkningen i Indre Østfold, eller er representanten Leirstein enig i at dette er noe man bør ta tak i? Vi har satt i gang en politireform. Den politireformen er selvfølgelig ikke i mål Vi har sørget for at tolv nye politidistrikt, ved tolv nye politimestre, har fått mange fullmakter og har fått stor tillit av Stortingets flertall til å gjennomføre en nærpolitireform til det beste for innbyggerne. Vi kommer ikke til å være i mål på et par år. Det vil ta sin tid å tilpasse den reformen i tråd med intensjonene. Når det gjelder Indre Østfold, som jeg kjenner veldig godt, siden både min mor og far er fra samme

politireformen. Det tror jeg også var budskapet da representanten Myhrvold var til stede og besøkte samme politistasjon, at politimesteren var veldig fornøyd med den reformen som Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen har fått flertall for. Replikkordskiftet er

Så min utfordring til statsministeren er: Når kan vi se en ny regjeringsplattform fra Høyre og Fremskrittspartiet? Hva er den nye strategien, hva er politikken, hvor er veien regjeringen nå skal gå de neste fire årene? Trontalen i går bar preg av at regjeringen ikke har noen nye mål, ikke har noen nye visjoner. Det var en tale nesten kronisk fri for nye grep. Det var to varsel. Det ene varselet var at jo, de skal fortsette med den samme sentraliseringen de har gjort de siste fire årene. De skal fortsette de reformene som har ført til mer sentralisering og mer byråkrati. Det andre grepet som ble varslet, er at regjeringen vil ha mer markedsliberalisme gjennom økt frihandel. Begrep som matsikkerhet, arbeidstakers rettigheter og nasjonalt eierskap til naturressursene ble ikke nevnt med et ord, bare målet om mer markedsliberalisme. Jeg hadde forventet mer av regjeringen i starten av en stortingsperiode, at det var noen nye varsler, noen nye grep. Det var det ikke. I høstens valg var det et distriktsopprør mot alle sentraliseringsreformene til regjeringen. De partiene som hadde støttet sentraliseringsreformene uten folkelig forankring, gikk tilbake. Høyre gikk tilbake, Fremskrittspartiet gikk tilbake, Kristelig Folkeparti gikk tilbake, Venstre gikk tilbake. Erna Solberg sa i partilederdebatten kvelden etter valget at det hadde blitt forsøkt skapt en myte om at det har vært et distriktsopprør. Det er ikke mulig å si at regjeringspartiene har gått tilbake i distriktene, sa Erna Solberg. La oss se litt på de tallene: I de 149 kommunene som er definert som de minst sentrale, går de fire partiene – Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre – fra 43,3 til 35,9 pst. fra 2013 til 2017. Senterpartiet går fra 15,6 og sammen med resten av opposisjonen fikk vi 62,5 pst. av stemmene i de kommunene som har blitt mest berørt av reformene. Folk ser hva som skjer når politiet blir sentralisert, når det lokale heimevernet blir lagt ned, når det blir varslet en sentralisering innenfor Nav, når de lokale skattekontorene blir lagt ned, når kommuner blir slått sammen ved tvang, og når det blir lagd nye regioner uten folkelig forankring. Derfor fikk vi det distriktsopprøret som vi fikk, og derfor gikk de fire partiene massivt tilbake i de minst sentrale kommunene. Vi fikk økt oppslutning, for folk så konsekvensene av politikken. Vi skal bruke vår økte støtte til å fremme nye forslag. I dag fremmet vi ni forslag ni forslag – ni gode, gjennomtenkte forslag som jeg tror det er mulig å få flertall for. I ukene som kommer, kommer vi til å fremme nye grep når det gjelder bredbåndsatsing, for vi må ha en digitalisering av hele Norge. Vi kommer til å fremme nye forslag når det gjelder forsvar, for vi må ha en god beredskap i hele landet. Den nedbyggingen av Heimevernet som dagens regjering har satt i gang, er uklok. Vi kommer til å fremme nye grep når det gjelder beredskap. Vi må ha en velfungerende og god beredskap fra Finnmark i nord til Agder i sør. Vi kommer til å fremme nye grep når det gjelder nasjonalt eierskap, for å sikre eierskapet til naturressursene på norske hender sånn at en kan bruke dem til å bygge landet vårt og til å utjevne forskjeller. Så kjære president, dette kommer til å bli en spennende periode, og det kommer til å bli mange politiske forslag der det synes at det nå er et parti som tror på hele Norge som har fått økt oppslutning i valget.
Det åpnes for inntil fire replikker

I dag er det Verdensdagen for psykisk helse. Den gode balansen mellom tanker og følelser er ganske viktig for at vi skal være aktive, friske og blide. Jeg tror Slagsvold Vedum har den balansen, det blir sagt at han er veldig blid, men vi vet at mange trenger hjelp. Vi vet også at disse problemene kan forebygges. Derfor har Arbeiderpartiet i forrige periode sammen med SV fremmet forslag om at psykisk helse og livsmestring må inn i skolen. Det fikk vi ikke med oss Senterpartiet på den gangen. Hvordan ser verden ut nå de neste fire årene, Slagsvold Vedum? Vil Senterpartiet være med på det? I forrige periode fremmet Senterpartiet forslag om en opptrappingsplan for psykisk helse i kommunene, og vi øremerket også midler til psykisk helse i tre av våre siste alternative Så målsettingen er mye av den samme. Vi får sette oss ned sammen og se hvilke grep som er de rette å ta, så kan det være at det kan være noe fra deres forslag og noe fra vårt forslag som i sum kan skape en god politikk som gjør at vi får et enda bedre psykisk helsevern i landet vårt.

Og det er ikke slik at man fremmer egne alternative forslag – nei, det holder for Senterpartiet bare å være imot andres politikk. Jeg vil derfor spørre representanten Slagsvold Vedum: Når veiselskapet Nye Veier bygger de samme veiene raskere, med like god kvalitet og til 30 mrd. kr mindre enn forutsatt, hvorfor er da Senterpartiet imot?

så får vi vurdere i ettertid om det har vært en god og hensiktsmessig måte. Vi har stilt noen spørsmål. Det kommer vi fortsatt til å gjøre, men nå vil vi gi arbeidsro for de prosjektene som er blitt iverksatt. I mai 2017 sa Trygve Slagsvold Vedum følgende: «Statsminister Erna Solberg har styrt den mest sentraliserende regjeringen dette landet noen gang har sett.» Det var en tung og

at det går så det suser i distriktene i 2017. Kommuneøkonomien under denne regjeringen har ikke vært så god siden forrige årtusen. Det satses enormt på å bygge vei og jernbane i distriktene, og vedlikeholdsetterslepet er for første gang på lang tid redusert. I landbruket ser vi en ny optimisme. Det legges ned færre gårdsbruk enn da Senterpartiet hadde landbruksministeren. Selvforsyningsgraden øker, vi produserer mer mat og er selvforsynt med

bilen, når det gjelder sentralisering av politiet, når det gjelder nedbyggingen av Forsvaret, når det gjelder tvangssammenslåing av Finnmark og Troms, skaper en voldsom sentralisering. Min vurdering er at det er tidenes sentralisering. Det er dessverre sånn at også i Finnmark ser man sentraliseringen svært, svært tydelig. Det var et opprør langs kysten i Finnmark da Per Sandberg lanserte sine nye grep i fiskeripolitikken, grep som ville frikoblet kysten enda mer fra de enorme havressursene som er Så istedenfor å være så opptatt av forrige periode bør representanten bli bekymret for fiskeripolitikken framover, hvis Fremskrittspartiet fortsetter på den kursen som Sandberg har varslet. Jeg har lyst til å gratulere Slagsvold Vedum og Senterpartiet med et godt valg og ser fram til et godt samarbeid med dem her i Stortinget. En av våre viktigste oppgaver vil være å sikre flertall her i salen for en mer ambisiøs klimapolitikk enn det regjeringen leverer, for vinduet lukker seg raskt. Ett område hvor det hersker bred enighet om at vi skal gjennomføre utslippskutt, er transportsektoren. Dessverre er vi her mer enige om målet enn om tiltakene, og det Dessverre er vi her mer enige om målet enn om tiltakene, og det pleier ikke å være særlig bra for klimasaken. Jeg lurer derfor på om Senterpartiet vil være med på å øke kjøpsavgiftene på nye fossilbiler, og sånn sikre at engangsavgiften blir virkemiddelet for å få ned utslippene i transportsektoren.

Vi kan allerede nå se dramatiske klimaendringer mange steder, som smeltende isbreer eller flere og kraftigere orkaner. Dersom vi skal klare å stoppe økningen i den globale oppvarmingen, er vi nødt til å ta den internasjonale avtalen for klima og miljø på alvor. Vi må ta vår del av oppgaven for å nå målene og forsterke målene i Paris-avtalen. En tilslutning til EUs klimamål og en avtale med EU er etter Venstres mening helt avgjørende for å nå våre forpliktelser. EU er en pådriver i klimapolitikken. Jeg er fornøyd med at dette spesielt ble tatt opp i trontalen. Med en avtale med EU øker vi forutsigbarheten for klimapolitikken og gjør gjennomføringen mer systematisk. Viktigst av alt er det at resultatkravene blir mer forpliktende. forpliktende. Det er ingen motsetning mellom det å knytte oss til en avtale med EU om klimamål og det å ha egne nasjonale målsettinger. Det er det også flere EU-land som har. En avtale forplikter oss til å gjennomføre store kutt i ikke-kvotepliktig sektor. For å nå 40 pst. utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor, må vi kutte minst 50 pst. i transportsektoren. Så det er nødvendig å fortsette med den gode politikken for nullutslippsbiler, men den må også forsterkes. Når vi fra 2025 skal ta imot imot 130 000–140 000 nullutslippskjøretøy hvert eneste år, må vi ha en ladeinfrastruktur som er dannet slik at dette kan gjøres, og vi må ha fyllestasjoner for hydrogen. Vi må også stimulere til økt bruk av nullutslippsløsninger for skip, tungtransport og anleggsmaskiner. Vi må satse videre på økt bruk av sykkel og kollektivtransport, så vi når de nasjonale målene om nullvekst for persontransporten i byene. Norge er et rikt og velorganisert land. Det gir oss store muligheter for å gjennomføre en offensiv klimapolitikk. Med riktige rammebetingelser er markedet i ferd med å bli den aller største driveren for utslippskutt. Noe av det viktigste vi kan gjøre i den kommende perioden, er å skape marked for nullutslippsløsninger. Vi må støtte innovasjon i privat næringsliv, slik at de kan utvikle løsninger andre kan ta i bruk. Norge må omstilles, for å redusere utslipp her, men det skal også gjøres enorme investeringer internasjonalt i fornybar energi, i klimatilpasning, for å ivareta vannressurser og i mange andre miljøtiltak. Vi må sørge for å ha et konkurransedyktig norsk næringsliv som er i stand til å ta sin del av disse investeringene. Da må vi satse videre på forskning, styrke Enova, styrke miljøteknologiordningene, ha på plass Fornybar AS og ha en offensiv næringspolitikk for en grønn omstilling. Men vi må også forberede oss på at inntektene ellers fra petroleumssektoren vil synke. Når hele verden er i endring, kan ikke svaret være at vi ikke skal endre oss. For Venstre er petroleumspolitikken enkel. Den består av tre deler: Vi skal holde oss unna sårbare områder, som LoVeSe, Jan Mayen, Mørefeltene, Skagerrak og den nære finnmarkskysten, og vi må få på plass en faglig definisjon av iskanten i nord. Samtidig må vi også sørge for at det er så lave utslipp under produksjon som mulig, med fortsatt elektrifisering eller en håndtering som gjør at avgasser kan føres tilbake til grunnen. Og investeringene må lønne seg. Vi er nødt til å se på skattesystemet og dets innretning på nytt. I lys av Paris-avtalen, hvor vi vet at forbruket internasjonalt må ned, må vi se om innretningen på leterefusjonsordningen og friinntekten i dag er riktig, om risikoen ligger for mye på fellesskapet, om en må overføre og sikre at den legges på selskapene. Til slutt: Dette er bare klimautfordringene. I tillegg må vi redusere utslippene av plastforurensningen i havet, og vi må sikre at vi ivaretar det biologiske mangfoldet – vi har en stor oppgave i denne perioden. Det blir replikkordskifte. Bærebjelken for velferdsstaten vår er

Enda færre er i arbeid, det skapes knapt nye jobber, og det meldes stadig om lovløse tilstander i enkelte sektorer. Sosial dumping er blitt regelen snarere enn unntaket i disse sektorene. Derfor leverte Arbeiderpartiet før sommeren 31 forslag mot sosial dumping. Dessverre ble forslagene stemt ned i denne salen. Men vi starter denne sesjonen med blanke ark, og derfor er spørsmålet til representanten Elvestuen: Vil Venstre være med i kampen mot sosial dumping og stemme for Arbeiderpartiets forslag om å endre arbeidsmiljøloven for å begrense bruken av tidsbegrenset innleie? Først til virkelighetsbeskrivelsen, som jeg ikke helt Jeg synes vi har gjort mye for å forsterke næringslivet i de fire årene som har gått. Vi hadde en vanskelig situasjon med lav oljepris, men jeg mener at på tiltakssiden, også for de minste bedriftene, med forretningsengler, med såkornfond, med styrking av forskning, med styrking av miljøteknologiordningen, med Enova, har vi styrket hele virkemiddelapparatet for å få et grønnere og sterkere næringsliv. Ellers skal vi selvfølgelig jobbe for gode arbeidstakervilkår. Vi skal ha sterke organisasjoner, og vi skal støtte opp under å bekjempe det som betegnes som sosial dumping. Når det gjelder Arbeiderpartiets konkrete forslag, må vi egentlig se på det. Det vi gikk inn for i forrige periode, er en liten oppmykning for å ha et mer fleksibelt arbeidsliv, samtidig som vi har strammet inn på det som går på hvor lenge midlertidigheten kan vare. Takk for svaret. Et annet spørsmål som jeg vil stille, handler om skole – en fellesarena som er avgjørende for å gi hver enkelt elev muligheten til å nå egne drømmer. Fellesskolen som arena er ikke kun et sted for kunnskap, utdanning og trivsel, men også en arena som visker vekk forskjellen på foreldrenes lommebok, bakgrunn og hudfarge. VG kunne dagen før valget melde at i de fire siste årene ble antallet privatskoleplasser doblet sammenliknet med forrige regjering – med Venstres velsignelse. Derfor vil jeg spørre representanten Elvestuen om Venstre i denne stortingsperioden vil bidra til å styrke fellesskolen og gi færre privatskoler et godkjentstempel, slik at vi kan sørge for at alle elever får det beste utgangspunktet, ikke bare de som kan betale for det. Både friskoler og privatskoler må følge lover og regler. Vår oppgave er først og fremst å styrke den offentlige skolen. Det kommer Venstre til å Først og fremst handler det om en satsing på lærere, at vi har en bedre etter- og videreutdanning av lærere. Så må vi også ta et krafttak for at alle som kommer inn i skolen, får gode vilkår. I forrige periode gjorde vi mye for å få gratis kjernetid i barnehagene. Nå vil vi jobbe videre for å sikre at alle også blir en del av det som er viktig integreringsarbeid og sosialisering i skolen, at vi sikrer at alle får muligheten til å gå i SFO.

Men hva er så det første Venstre gjør? Jo, de går ut i VG i dag og inviterer Uber tilbake til Oslo. Venstres nye samferdselspolitiske talsperson, Jon Gunnes, sier: «Regelverket i hovedstaden må tilpasses slik at Uber kan levere gode tjenester der.» En skal tydeligvis etablere Oslo som et fristed for drosjekjøring, der norsk lov ikke skal gjelde. Liberalisering i byene er en særdeles dårlig idé, det har blitt prøvd av andre før. Det fører til dyrere og dårligere løsninger. At Venstre ikke er så bekymret for arbeidstakerrettigheter, og mener at en skal ha taxi overalt, alltid, er kanskje ikke så overraskende. Men hvorfor legger Venstre opp til en politikk som vil føre til overetablering, økt tomgangskjøring og økte miljøproblemer i en by der forurensningen allerede er for stor? Det vi sier, er at vi må ha et regelverk også for tjenester som Uber. Jeg vil si

Dessverre har regjeringen i strid med miljøfaglige advarsler gitt Nordic Mining og Nussir lov til å dumpe enorme mengder gruveslam i henholdsvis Førdefjorden og Repparfjorden. I likhet med Venstre frykter vi at dette kan føre til uopprettelig skade på livet i fjordene. Men siste ord er ikke sagt. Verken Nordic Mining eller Nussir har fått driftskonsesjon av regjeringen ennå. Derfor vil jeg gjerne spørre representanten Elvestuen: Vil Venstre støtte budsjettet til en regjering som bruker Førdefjorden og Repparfjorden som avfallsplass for gruveindustrien? Venstre har jobbet mot dumping av gruveavfall i både Repparfjorden og Førdefjorden.
Vi kommer til å bruke de mulighetene vi har for å kjempe imot det også i denne perioden, som vi gjorde i forrige periode. Vi må få et lovverk i Norge som setter stopp også for videre prosjekter. Vi er vel snart det eneste landet som tillater den typen dumping av gruveavfall. Vi vil se på de virkemidlene og de mulighetene vi har med den sammensetningen som vi nå har på Stortinget.

Med små forskjellar har vi stolt meir på kvarandre, vi har jobba betre saman, og vi har hatt ei sterk fellesskapskjensle. Det er nettopp dette høgresida utfordrar. Sjølv om forskjellane i Noreg framleis er mindre enn i mange andre land, veks forskjellane i Noreg meir enn i alle OECD-land i dag. Det er ikkje rart, når vi har ei regjering som systematisk gir dei største pengane til dei aller rikaste gjennom årlege skattekutt, mens resten får smular eller i mange tilfelle til og med kutt. Det er eit kjenneteikn at når forskjellane aukar, blir meir makt og rikdom samla på færre hender, det blir konsentrert til nokre få, på kostnad av dei mange. Dette kjenneteiknet har kystens folk kjent på nært ein blå-blå fiskeriminister har liberaliseringa i fiskeria skote fart. På fem år har prisen for å delta i det lukka fisket auka med rundt 1 000 pst. Ungdom har ikkje nubbesjanse til å kome seg inn, og no slit til og med etablerte fiskarar i kystsamfunna med å delta i prisgaloppen. rekordfart har regjeringa administrert fram eit system der rettar, som i tusenvis av år har tilhøyrt kystsamfunna, no blir rigga for dei med mykje pengar, dei som sit tørt og trygt langt unna båtane og havet. Kystsamfunn med rike fiskebankar like utanfor stuevindauga er plutseleg plasserte på sidelinja fordi dei ikkje kan konkurrere på kapital. Kven er kystens folk dersom dei mistar tilgangen til havet? Kven er finnmarkingen, nordlendingen, vestlendingen, fosningen, gossingen, florøværingen, bømlingen, søgnesokningen, dersom ein mistar tilgangen til havet? Kven er det norske folket, sjølve havfolket i nord, dersom vi mistar tilgangen til havet, at det blir kontrollert av nokre få pengesterke finansmiljø? Kven er vi da? SV vil fortsetje vår kamp for kystfolkets rett til havet – no med endå større styrke og mandat. Det er i Noregs strategiske og økonomiske interesse at kontrollen med havet blir spreidd langs kysten. Det er den spreidde, fleksible og minste kystflåten som leverer den ferskaste fisken av høgste kvalitet, som gir dei beste prisane i marknaden og sørgjer for flest industriarbeidsplassar på land. Da er det i alle fall ikkje rart at det blir opprør når regjeringa både svekkjer kystfolkets tilgang til havet og legg opp til eit fiskeri som nettopp ikkje er i Noregs interesse. Når regjeringa vil ha høgare kvotetak og auka konsentrasjon av rettane, blir det stadig færre båtar, fiskarar og fiskerisamfunn og meir frosen fisk som blir send til industri i andre land. Vidare kjem SV dei neste fire åra til for å sameine to store kampar i ein større allianse. Vi vil jobbe for å sameine kystfolkets kamp med kampen for ein ny landbrukspolitikk. Det blir ein allianse mellom alle dei som ønskjer å ta heile landet i bruk, der dei små og mellomstore bruka i distrikta blir tatt i bruk – for å ta jorda tilbake, for å gjere Noreg meir sjølvberga. Lenge har nemleg den same utviklinga skjedd på landjorda som på havet. Konsentrasjon og sentralisering, der mangel på tak og grenser pressar dei små og spreidde aktørane ut og driv fram ein sentralisert, intensiv og kraftfôrbasert bruk av jorda. Det er på tide at vi samlar desse kreftene til ein brei allianse mellom sjø og land. Saman skal vi ta havet og jorda tilbake på folkets premissar, ikkje på premissane til ein liten elite med tilgang til kapital. Valresultatet har gitt oss følgjande paradoks: Regjeringa har ikkje fleirtal for politikken sin i nokre av dei naturressursbaserte næringane i Noreg, men ho sit framleis, og med sine fullmakter kan ho altså føre ein politikk som det ikkje er demokratisk grunnlag for. Det er eit demokratisk problem, og dei einaste som kan rette på det, er Stortinget. Det er vår plikt og vårt ansvar. Vi som utgjer det eigentlege fleirtalet på Stortinget, må bruke dei neste månadene på å bli einige om dei nye linjene. Det blir replikkordskifte. Det er noen saker det er bred politisk enighet om, som representanten var innom innledningsvis, og det er

Ifølge Brochmann II-utvalget er den største årsaken til den svakt økende ulikheten i Norge innvandring. På tross av dette ønsker SV å øke innvandringen til Norge, og SVs Audun Lysbakken uttalte nylig at han mener at debatten om innvandring og integrering bør være to ulike debatter. Det er noe underlig, all den tid manglende integrering, ikke minst på arbeidsmarkedet, er noe av det som bidrar til økte forskjeller. Dette henger ikke sammen.

innvandringa til Noreg for å redusere forskjellane i Noreg – altså at Noreg ikkje skal ta på alvor dei folkerettslege pliktene våre fordi vi må redusere forskjellane i Noreg. Eg synest det er ein veldig spesiell inngangsport. Noreg har ei sjølvstendig plikt til å ta imot folk som er på flukt, folk som er i ein vanskeleg situasjon, og vi har samtidig ei plikt til å redusere forskjellane i vårt eige land. At det eine bringar eit større problem til landet vårt, gjer at utfordringa blir større – ja, men det er ikkje dermed sagt at for å få bukt med dei aukande forskjellane i samfunnet skal vi redusere dei folkerettslege pliktene våre. Det synest eg er ein ganske spesiell inngang Da er jeg redd at representanten misforsto mitt spørsmål. Det er ikke snakk om at vi ikke skal ta vår del av ansvaret og ta imot de menneskene som trenger vår beskyttelse. Men vi har i ganske mange år, også under den rød-grønne regjeringen, sett at det er store utfordringer med å klare å integrere de innvandrerne og flyktningene som kommer til Norge, og at noe av det viktigste vi kan gjøre for å opprettholde små forskjeller, er å hjelpe også disse inn på arbeidsmarkedet. Det jeg undrer meg over, er at SV ønsker å øke innvandringen, all den tid vi nå ser at den økningen i ulikheter vi har, faktisk skyldes økt innvandring. Det jeg da lurer på, er om det ikke er riktigere å bli med på en politikk som begrenser innvandringen kanskje til det nivået vi har nå i hvert fall, for ikke å øke ulikhetene

denne regjeringa brukte store pengar på å redusere formuesskatten, var SVs forslag å auke velferda, som ville bl.a. redusert forskjellane i dei breie laga av befolkninga. Jeg er

til å øke dem ytterligere, ikke bare eiendomsskatten, men også ved å gjeninnføre arveavgiften, som er særdeles usosial. Jeg er veldig stolt over at denne regjeringen, med Fremskrittspartiet og Høyre, har redusert helsekøene og innført fritt behandlingsvalg. Det er også med på å redusere

pengar frå vanleg arbeid, har vi kjempestor skattlegging. SV meiner det ein spesiell situasjon vi har i Noreg i dag, der skattlegging av arbeid er veldig høg, medan skattlegging av formue, arv og eigedom er veldig låg. Kvifor skal det vere slik at ærleg arbeid skal skattleggjast mykje høgare enn den passive handlinga det er å

lever i en urolig verden – brutale konflikter som rammer millioner av mennesker, terror også i vår egen verdensdel, et Europa som er i villrede etter brexit, valg som snur opp ned på politiske maktforhold, et USA som er mer polarisert enn på flere generasjoner, flyktningstrømmer, klimakrise, globalisering og teknologiendringer som snur opp ned på folks arbeidsplasser og på hele næringer. Trontalen er stedet for en regjering å beskrive disse utfordringene og Norges strategier for å møte dem. La meg begynne med å gi regjeringen ros på et punkt hvor vi er helt enige. Det er at Norge har et godt utgangspunkt. Høy levestandard, høy grad av tillit mellom folk og en sterk økonomi gir oss en bedre mulighet enn de fleste andre land til å finne løsninger og skape gode liv for våre innbyggere. Likevel er det noen sterke pilarer i det norske samfunnet som regjeringen ikke beskriver: trepartssamarbeidet, sterke organisasjoner på både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, med LO og NHO i spissen, men også flere andre, et samarbeid der partene tar ansvar og samarbeider med det offentlige, en sterk offentlig sektor

Politikk handler om folks trygghet, om deres muligheter, om folks liv. Mange forteller at de er urolige for tryggheten i arbeidslivet, at deres egen arbeidsplass omstilles og forandres, og at de selv er redde for ikke å henge med eller for at barna deres ikke skal lykkes i skole og deretter arbeidsliv. For Arbeiderpartiet vil arbeid til alle, næringsutvikling og jobbskaping alltid være hovedgrunnlaget for et trygt og rettferdig samfunn. Arbeid til alle handler i vår tid om et næringsliv i konstant omstilling, og vår oppgave er å skape trygghet i den omstillingen. Unge mennesker som går ut i arbeidslivet, kommer i løpet av sin karriere til å jobbe med teknologier som ennå ikke finnes, for å løse for å jobbe i bedrifter og virksomheter som ennå ikke er opprettet. Samtidig snakker forskerne om at en tredel av de jobbene som finnes i dag, kanskje vil være borte allerede om 20 år. Det krever en enorm omstillingsevne. Igjen er det et godt organisert arbeidsliv som gir oss fordeler, at vi tar ansvar for hverandre, en omstillingssolidaritet der alle får mulighet til å lære det som skal til for å løse nye oppgaver igjen en dimensjon som dessverre er fraværende i regjeringens trontale. Andre forteller at de er urolige for klimakrisen, at vi trenger en omstilling av transportsektoren vår, en endring i bo- og reisemønster og nye, energieffektive teknologier. Vi er blitt rike på olje og gass, og vi har bedrifter og arbeidstakere med enorm produktivitet og lønnsomhet. Det skal vi fortsatt ha. Men samtidig må vi utvikle de nye næringene som skal gi oss framtidens levestandard – havet, fornybar energi, helseteknologi, IKT og den enorme digitaliseringen som skal skje på alle områder. Vi har ledet an i store industrieventyr. Norge har investert, eid, utviklet og satset sammen. Det er det vi nå også må gjøre på disse nye områdene. Aldri har det vært større behov for en aktiv næringspolitikk – igjen et område som var fraværende i trontalen. Det tredje området folk forteller at de er urolige for, er en todelt velferdsstat. Reformpause var det noen Høyre-politikere som snakket om i forrige periode. Men det har aldri vært større behov for reformer. Det var interessant å høre at det i trontalen ble snakket om en bærekraftig velferdsreform. Men hva betyr det? Betyr det en velferdsreform som gjør at velferden er liten nok, eller betyr det heller at den er effektiv nok, at vi har tillit til de ansatte, at vi reduserer byråkratiet og øker produksjonen, at vi investerer i ny teknologi, at vi sikrer velferden nok inntekter, slik at vi gir et likeverdig tilbud til alle? Hvordan skal vi sørge for at de som er avhengige av offentlige støtteordninger, ikke blir i vedvarende fattigdom? Hvordan skal vi gi de 15 000 unge som går ut av skolen hvert år uten å fullføre, en mulighet til fagbrev og studiekompetanse? Hvordan skal vi sikre eldre omsorg?

blir replikkordskifte. Representanten Giske snakket mye om trygghet i sitt innlegg, og noe av tryggheten i norsk politikk gjennom mange år er det å kunne stå sammen om viktige forlik. Jeg har registrert at Arbeiderpartiets evaluering av et skuffende valgresultat har vært å stille spørsmålet: Har vi vært for konstruktive? Det er verdt å minne om at det motsatte av konstruktiv er destruktiv.

Sist vi hadde en reell mindretallsregjering, i 2003, var jeg saksordfører for et forlik, barnehageforliket, som sørget for at vi fikk barnehagedekning for alle, vi fikk makspris, noe Høyre hadde kjempet imot, og vi fikk 40 000–50 000 flere ansatte – en enorm velferdsreform. Jeg sto også i spissen for et statskirkeforlik hvor sju partier i Stortinget samlet seg om noe av det vanskeligste i politikken, nemlig tro- og livssynspolitikk.

nå som Giske har begge hendene på rattet? For det første tror jeg de aller fleste økonomer vil si at den oljepengebruken som Høyre og Fremskrittspartiet har stått for de siste fire årene, ikke kan fortsette. Hvis vi dobler oljepengebruken vår hvert fjerde år, vil den kassen være tom i hvert fall lenge før mine barn er kommet midtveis i arbeidslivet. Det er en uansvarlig måte å ta vare på felles verdier for framtidige generasjoner. Vår generasjon, den rikeste i historien, må i større grad betale våre egne løpende utgifter med de varer og tjenester og produksjon som vi sørger for selv. Og når vi investerer i internasjonale selskaper, er det ikke for å støtte Microsoft eller Pepsi, det er for å få avkastning på de pengene som vi har pumpet opp av Nordsjøen, slik at de kommer mange generasjoner til gode. Vi kommer til å stå for en slik ansvarlig politikk. Det vil overraske meg om ikke regjeringen også i statsbudsjettet viser at de har lyttet til, lært av og forstått de advarslene som økonomene kommer med, og sørger for at oljepengeveksten blir redusert. Eg er

sin informasjon der i stedet for å måtte sende nye skjemaer til bedriftene for hver enkelt etat. Det er helt sikkert ting i både regnskapslov og andre lover som kan gjøre at det blir lettere å starte og drive og få lønnsomhet i virksomheter. Mange bedrifter i Norge er små. Ryggraden i det er å kunne drive med den produksjonen som er hensikten med bedriften, og i minst mulig grad drive med byråkrati og andre ting som tar oppmerksomhet bort fra det.
Neste replikant er

at vi vil få eit samla kutt på rundt 5 millionar innan 2020, det er det vi må få viss Noreg skal kome «back on track». Kva innfallsvinkel vil Arbeidarpartiet jobbe etter dei neste månadene? Vi har jo ein unik moglegheit no. Jeg er helt enig med representanten i at klimaområdet er et av de områdene hvor jeg tror det nye parlamentariske flertallet vil gi helt andre muligheter enn i forrige periode. Med et Kristelig Folkeparti som er fristilt fra samarbeidsavtalen, med et reelt flertall av opposisjonspartier, så tror jeg vi kan få til ting som i forrige periode ikke lot seg gjøre fordi Venstre og Kristelig Folkeparti var for sterkt bundet opp mot Høyre og Fremskrittspartiet. Vi har ønsket oss et nytt bredt klimaforlik, men det er fullt mulig å se for seg at de rød-grønne partiene, forhåpentligvis da med støtte fra Kristelig Folkeparti – og jeg skulle likt å se Venstre stå utenfor det – tar initiativ som gjør at tar initiativ som gjør at vi faktisk oppfyller klimaforpliktelsene våre. Det handler selvfølgelig om, som jeg vet representanten er veldig opptatt av, hva som skjer i olje- og gassnæringen, men det handler også om transport, det handler om bomønster, det handler om industrien, det handler om fornybar energi. Det er veldig mye vi kan gjøre sammen for å sette klimaet mye høyere på dagsordenen i denne stortingsperioden enn det var i forrige periode. Replikkordskiftet er omme. Stortingsvalget den 11. september ga et klart nytt mandat til Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Vi

Vi har et solid grunnlag å bygge videre på når vi nå tar fatt på en ny stortingsperiode. På fire år har regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti forandret Norge. Norske elever lærer mer, tusenvis av lærere har fått etter- og videreutdanning, og både fraværet og frafallet i skolen synker. Helsekøene er blitt kortere, og pasientene venter ikke like lenge på behandling. Folk har kunnet se at det er blitt mer politi i gatene, og at Forsvaret øver mer på Over hele landet har folk sett anleggsarbeidere i gravemaskiner og lastebiler langs veier og jernbaneskinner, og de vet at nå vedlikeholdes og bygges infrastruktur som aldri tidligere. Det er resultatene av vår politikk som gjør at velgerne har gitt oss et nytt mandat. Vi tar ikke lett på oppgaven som ligger foran oss. Vi tror ikke det blir lettere å styre Norge i årene fremover. Tvert om kommer det til å kreve både politisk mot og vilje til å foreta vanskelige valg og tøffe prioriteringer. Det økonomiske handlingsrommet vil bli mindre som følge av at vi lever lenger, og at flere derfor har større behov for helsehjelp og omsorg. Vi må også stramme inn på offentlig pengebruk slik at vi ikke stikker kjepper i hjulene for den veksten og optimismen vi nå ser i næringslivet. For Høyre er målet klart: Vi må ha flere jobber som bidrar til statsbudsjettet, enn jobber som lever av statsbudsjettet.

En av dem sa: Jeg skulle ønske noen bedriftsledere kunne kommet hit og truffet oss, snakket med oss – så ville de sett at vi er bra folk selv om vi har vært litt uheldige på ulike måter og derfor nå er her. Lærdommen er at vi må gi folk en ny sjanse. Vi må sørge for at flere kan skaffe seg kompetansen de trenger for å komme inn i arbeidslivet. Selv om det ikke er tvil om at vår side av politikken vant valget, er situasjonen i Stortinget annerledes enn den har vært de fire siste årene. Vi er tilbake til normalen i norsk politikk med en mindretallsregjering som kan støtte seg til ulike flertall i Stortinget. I en slik situasjon har alle partier et ansvar for Norge. Når oppgaven har krevd det, har Stortinget tidligere kommet sammen om brede forlik som sikrer legitimitet og kontinuitet i viktige saker, uavhengig av parlamentarisk grunnlag. Det er dette vi i Høyre gjerne kaller å ivareta De siste årene har partikollega Henrik Asheim og jeg drevet en podkast. I den pleier vi å tulle litt og være litt selvironiske med vårt eget parti. Det er enkelt å tøyse med ting man er glad i, og i Høyre er vi veldig glade i ansvarlig økonomisk politikk – eller helheten, som vi kaller det. Vi er så glade i helheten at vi noen ganger mister av syne de mange enkeltsakene. En spøk vi ofte har dratt, er at ved hvert eneste budsjettforlik, når de ulike partiene blir spurt om hva de er mest fornøyd med, er Høyres svar Å være opptatt av en ansvarlig økonomisk politikk og brede flertall kan likevel være ganske lurt. Derfor ble jeg bekymret da Arbeiderpartiets leder i sin evaluering av valgkampen stilte spørsmålet om de hadde vært for konstruktive i opposisjon. Personlig har jeg flere ganger sagt at dersom jeg av en eller annen grunn ikke kunne stemme på Høyre, ville jeg ha stemt på Arbeiderpartiet – og det ville ha sittet langt inne, men jeg kunne gjort det. Min forklaring på det er at Arbeiderpartiet, som Høyre, alltid har vært et parti med tradisjon for å være et styringsparti som setter landets interesser foran kortsiktig politisk gevinst for eget parti – rett og slett «et seriøst, styringsdyktig alternativ som har rygg til også å bære noen upopulære avgjørelser. Som setter det norske samfunnets interesser foran kortsiktig politisk gevinst», slik representanten Marianne Marthinsen beskrev det i et portrettintervju i Dagens Næringsliv. Jeg håper Arbeiderpartiet fortsetter i den tradisjonen også fremover. Selvfølgelig kommer vi til å være uenig i mye, men jeg håper vi kan være enige om at helheten er viktig, selv om det også kan fremstå litt traust og kjedelig. I likhet med Høyre har Arbeiderpartiet søkt brede forlik i viktige saker, og de har tatt ansvar for at summen av det de er for, ikke overskrider rammene for en ansvarlig økonomisk politikk. Jeg håper derfor at Arbeiderpartiet også i stortingsperioden vi nå har foran oss, vil opprettholde tradisjonen som styringsparti og bidra til utviklingen av ny politikk på viktige områder for landet, som f.eks. arbeidet med å kutte klimagassutslippene ytterligere. Det vert replikkordskifte. Verden opplever allerede konsekvensene av at klimaet forandres. Vi merker også klimaendringene i nord – på Svalbard, på Finnmarksvidda. For Arbeiderpartiet er

og et overveldende flertall av Fremskrittspartiets egne velgere at de ikke tror klimaendringene er menneskeskapte. Og i dagens regjering sitter klimafornektere, velsignet av Høyre. Et tilfeldig eksempel er statsråd Amundsen, som i hele valgkampen

Vi har også i mange tilfeller dratt Arbeiderpartiet etter oss i forhandlinger i Stortinget på dette. Jeg har ingen utfordringer med å være stolt av den politikken vi har ført, og som vi kommer til å fortsette å føre i de neste fire årene.

Etter to år er stort sett det einaste me veit, at selskapet skal lokaliserast til Stavanger. Det har gjeve null nye arbeidsplassar, null verdiskaping. Mitt spørsmål til representanten Bru er om ho, som eg, ventar at 2018 vert året då Fornybar AS får sin første tilsette og bidreg til den første

pushet på fra Venstre, men som vi også har vært med på for å få etablert Fornybar AS. Jeg tror det kommer til å bli en nyvinning i Norge som kan sikre store muligheter for landet vårt, og jeg gleder meg til å se det på plass i Rogaland og i Stavanger-regionen i aller nærmeste fremtid. Eg vil berre retta på at eg ikkje er yngst blant dei eldste, men eldst blant dei yngste. Til spørsmålet: Det

er eit ganske enkelt ja/nei-spørsmål, og eg håpar at representanten Bru kan bidra til klarleik i det. Selskapet er avgjort lokalisert til Stavanger-regionen, så det enkle svaret på det spørsmålet er: Ja, vi kan forvente å se det i løpet av

Når det gjelder Øystesevassdraget, er jeg veldig fornøyd med den avgjørelsen som ble tatt der. Jeg mener det er riktig å sikre naturverdiene i det vassdraget. Når det gjelder spørsmålet om å supplere verneplanen, mener jeg at vi ikke har tradisjon for å løfte vernesaker i ett enkelt tilfelle uten å ha en fullstendig Jeg tror ikke tiden er inne for det nå. Det er heller ikke jeg som avgjør det, men jeg tror vi må følge de vanlige prosessene i disse spørsmålene og ikke løfte ett enkelt vassdrag ut av en samlet helhetlig vurdering. Replikkordskiftet er omme. Eg vil starta med å gratulera presidenten med jobben. Det er

Det har vel aldri skjedd i Europa før at ein juniorpartnar i ein regjeringskoalisjon held stand og kjem tilbake fire år etterpå ved at veljarane ønskjer meir av den politikken som dei har fått i fire år. I vekene etter valet har ein jo brukt masse tid på å analysera det store opposisjonspartiet, Arbeidarpartiet, sin valkamp og resultatet av Det er litt gøy for oss andre å følgja med på det som skjer i det partiet. Eg registrerer at ei av forklaringane er at dei har vore for utydelege, difor tapte dei valet. Eg, som er frå Vestlandet, oppfatta at dei var veldig tydelege på nokre område. På skattepolitikk var dei veldig tydelege: Det landet no trong, var 15 mrd. kr meir i skatteinntekter til staten. Eg trur det er mykje av grunnen til at dei tapte valet. Me på Vestlandet ser ikkje på det som riktig medisin at ein skal skattleggja bedrifter, verdiskaping og innbyggjarar kraftigare enn det som er gjeldande skattepolitikk i dag. Eg trur mykje av forklaringa ligg i at Arbeidarpartiet ikkje forstod Vestlandet verken før eller etter valet. Skatt og avgift kjem til å bli veldig viktig for Framstegspartiet. Me har tru på at viss ein jobba litt smartare, stå på litt meir, gjennom at dei får behalda litt meir av innsatsen sin i eiga lommebok, vil dei bidra med meir. Difor vil me framleis arbeida for å redusera skattar og avgifter i Noreg. Ein skatt som me har sett veldig høgt på dagsordenen i valkampen, er eigedomsskatten, som me registrerer at nokre kommunar har masse av. Eg nemnde i replikkordskiftet i stad at i Bodø må småbarnsfamiliar velja om dei skal betala eigedomsskatt eller ha barnehageplass. Me registrerer samtidig at kommunane i 2016 aldri har hatt så god inntekt i dette tusenåret, ein påstand eg sette fram og vart faktasjekka på, og som faktasjekken sa var riktig. Då er det jo eit paradoks at ein opplever at kommunane, trass i ein historisk god kommuneøkonomi, aukar og utvidar eigedomsskatten. Difor har me sett høgt på dagsordenen at me ønskjer å gjera noko med det. Det er fordi at når me i Framstegspartiet ser eit hus, så ser me ein heim, medan konkurrentane våre ser eit skatteobjekt. Distriktspolitikk har òg prega valkampen, og eg, som er frå eit distrikt, føler at det nesten er ei stakkarsleggjering av distrikta, den profilen ein har hatt, når ein gjev inntrykk av at det Distrikts-Noreg treng, er overføringar frå denne sal og arbeidsplassar i offentleg sektor som blir flytta ut. Mi erfaring som tidlegare ordførar i

Så distriktspolitikken har fått ein solid posisjon i valkampen. Dessverre har kritikarane av denne regjeringa ei feil oppskrift, for distrikta ber ikkje om fleire statlege arbeidsplassar, dei ber om å få lov til å utnytta sine eigne naturressursar og få lov til å utvikla seg vidare. Difor vil me fortsetja å ha distriktspolitikken høgt på dagsordenen òg i denne perioden, men oppskrifta vår er at me skal ha lågare skatt, me skal bruka endå meir pengar på veg, ei utvikling som me har jobba målretta for i fire år, me skal gje meir makt til lokaldemokratiet og stola på at lokalpolitikarane veit betre enn fylkesmennene kva som kan tillatast, utviklast og ikkje, og me skal fortsetja med gode distriktspolitiske ordningar, som ferjeavløysingsordninga, som denne regjeringa og stortingsfleirtalet styrkte i førre periode.

Ein interessant observasjon som no er gjord, er at gjennom å byggja breiare vegar får me ned utsleppa – med firefelts veg får ein faktisk ned utsleppa. Men me har lyst til å motivera og inspirera folk til å velja dei smarte løysingane meir enn å leggja hindringar i vegen for folk, noko som blir oppfatta som feil. Me har mykje offensiv politikk innanfor klimapolitikken på avgiftssida – at det skal løna seg å velja dei miljøvenlege løysingane. På felt etter felt vil ein sjå at me er opptekne av ein god klimapolitikk. Da er det interessant å høre hvordan man fra Vestlandet tenker
gjelder en visjon for næringsutvikling koblet til klimaperspektivet. Vi har veldig mye industri, og veldig mye av klimagassutslippene går jo på industri, samtidig som transport er et viktig element i det. Jeg bare tenker: Mange næringsaktører jobber for teknologisk utvikling og bidrag for å få mindre utslipp. Hvordan ser Fremskrittspartiet på samspillet mellom krav, nye løsninger og nye muligheter for industrien

Me har kanskje ikkje vore flinke nok til å fortelja folk at me har gjort mykje med det, for eg registrerte at partiet til spørsmålsstillaren i valkampen gjorde eit nummer av at no skulle dei satsa på noko som me allereie har fått på plass gjennom auka løyvingar, gjennom auka midlar til fylkeskommunane, slik at dei kan stilla krav. Det vil hjelpa heile den maritime klynga med verft på Vestlandet. Ikkje minst vil me få ned utsleppa når det gjeld både dei anboda som fylka lyser ut, og dei anboda som me sjølve lyser ut, frå staten. Me gjer mykje for å hjelpa ei maritim klynge

sikkerhet må gå foran en avtale inngått for flere år siden. Vi er villige til å sette nasjonale interesser over Schengen. Vi kommer ikke til å åpne grensene». Representanten la til i det same intervjuet at Framstegspartiet ikkje føler seg trygge på grensekontrollen som vert utført i våre naboland, og at Noreg derfor må ta sine eigne forholdsreglar. I den same artikkelen kjem det fram at berre 9 av 78 grenseovergangar er bemanna i Noreg. Kan representanten utdjupe kva Framstegspartiet no faktisk vil med grensekontrollen i Noreg etter at me har hatt fire år med Framstegsparti-regjering og det framleis berre er 9 av 78 grenseovergangar som er bemanna. Var det dette som var valløftet om permanent grensekontroll? Eg må seia at representanten Navarsete i spørsmålet går veldig i
hans område. Eg må be om respekt for at eg ikkje kan svara heilt utfyllande på kva me har tenkt å gjera i justisfraksjonen på dette området, utover det at det sjølvsagt er viktig for oss å ha trygge grenser, både i samband med yttergrensene i

Og hva vil skje med de pensjonistene som opplever fortsatt fall i kjøpekraften? Heile premissen for spørsmålet blir jo feil om ein hentar ut nokre mindre element av det me har gjort dei siste fire åra. Om ein ser på heilskapen, ser ein at me har utvikla velferdsstaten på mange område. Me har innført nye ordningar. Når det gjeld fattigdom, har me gjort ei rekkje ting som den raud-grøne regjeringa ikkje gjorde. I tillegg har me klart å styrkja kommuneøkonomien, som set kommunane betre i stand til å yta gode tenester til innbyggjarane. Så eg aksepterer ikkje premissen om at me har sett skattelette over velferda, for me har faktisk greidd å gjera begge delar i denne førre perioden. Når ein òg stiller spørsmål til oss om berekraft, klarer me å balansera det på ein god måte – sunn og god økonomi saman med gode velferdsordningar. Partiet som spørsmålsstillaren representerer, har jo gått inn for ei tilstrøyming på asylfeltet som ikkje er berekraftig i det heile, og som ville generert utgifter til Noreg som er på eit heilt anna nivå enn det ein peiker på. Så eg aksepterer ikkje heilt premissen for spørsmålet. Replikkordskiftet er omme. Eg vil i dag rette merksemda mot det som vert ei av dei aller viktigaste sakene på Stortinget i haust, den såkalla landmaktutgreiinga. Som folkevalde er

Senterpartiet ynskjer eit samfunn der det er folket i landet som faktisk styrer i landet. Eit sterkt norsk folkestyre føreset ein velfungerande og suveren nasjonalstat, og det er ikkje mogleg å sikre norske borgarar sin suverene rett til å styre landet sitt utan at me har eit sterkt norsk forsvar. Eg møtte i helga på NATO PA sin haustsesjon i Bucuresti. Der var det fokus på mange av dei utfordringane som skjer rundt oss, men det var òg fokus på finansiering av forsvaret i alliansen. Senterpartiet tek Noreg sine plikter overfor NATO på alvor. Me vedtok under vårt landsmøte i 2015 at Forsvaret må styrkjast, og at Noreg må auke løyvingane til Forsvaret tilsvarande 2 pst. av BNP. Dette er eit mål som statsministeren sjølv har underteikna i Wales, men som ho seinare gav uttrykk for var tull. På Høgre sitt eige landsmøte vart det opprør mot dette, noko som gjorde at òg Høgre vedtaksfesta eit 2 pst.-mål i eige program. Etter dette har like fullt Høgre sin eigen forsvarsminister måtta innrømme at regjeringa sin eigen plan for Forsvaret, regjeringa sin langtidsplan, er langt unna å møte våre plikter overfor NATO. Kva mandat ligg så til landmaktutgreiinga? Jau, å leggje fram eit forslag som måtte liggje innanfor dei økonomiske rammene i 20-årsperspektivet som er lagt til grunn for landmakta i langtidsplanen. Langtidsplanen inneheld ikkje tilstrekkeleg finansiering til å sikre Hæren alle naudsynte kapasitetar for at den skal fungere. NATO er tydeleg på at Noreg treng ein moderne og mekanisert brigade. Det vil Senterpartiet jobbe beinhardt for å sikre. I og med at òg dei andre store partia på Stortinget har vedtaksfesta NATO sitt 2 pst.-mål, reknar eg med at dei vil støtta Senterpartiet si styrkte satsing på Forsvaret i dei komande åra.

No kan like fullt debatten ikkje verte halden nede. Me i Senterpartiet skal arbeide for at alle i Noreg får informasjon dei treng om utviklinga av Forsvaret, for utviklinga av Forsvaret er grunnleggjande for framtida til landet vårt. Me trur på folk sin klokskap og suverene rett til å styre landet. Så store spørsmål som me no skal handsame, kan ikkje berre verte avgjorde på nokre kontor i departementet ikkje eingong i regjeringskonferansen. Det har vore mykje uro i Forsvaret det siste året. Til og med Forsvaret sine øvste leiarar, som tenkjer særs nøye gjennom orda sine før dei uttalar seg til media, åtvarar sterkt mot det som no skjer. Sjef for Hæren, Odin Johannessen, har slått fast at regjeringa sin langtidsplan er ei nedprioritering av Hæren, sjef for Heimevernet, Tor Rune Raabye, slo i ein kronikk i DN onsdag 12. juli fast at Noreg treng fleire, ikkje færre HV-soldatar. Hæren er etter den kalde krigens opphøyr redusert med over 90 pst., og HV tilsvarande med 50 pst. Eg meiner reduksjonane har gått for langt. Få, om nokre, andre europeiske land kuttar i dag i sitt heimevern. Blant anna Frankrike, Finland og Latvia aukar no sitt heimevern, og det var ein gjennomgangstone på NATO-parlamentarikarforsamlinga sitt møte at det trengst ei stor og vedvarande styrking av Forsvaret i alliansen sine medlemsland. USA er svært tydeleg. Me treng USA som dedikert NATO-alliert, ikkje minst Noreg treng det. Det er me som er NATO i nord, det er me som har nordflanken. Som det òg har vore fokus på i den seinare tida, kan den vere utsett, både på grunn av trugsmål frå nabostatane og fordi klimaendringane gjer at ein får mykje større interesse frå mange land, inkludert Kina og andre statar som er langt unna nordområda i utgangspunktet. Så frå Senterpartiet si side skal me stå opp for det norske forsvaret, og me ser fram til mange spennande debattar i tida som kjem. Et samfunn som er bra for ungene våre, er et samfunn som er bra for alle. Hensynet til unger og ungdommer går som en gul tråd gjennom Kristelig Folkepartis program. På helsefeltet innebærer dette bedre fødsels- og barselomsorg, å arbeide for flere i skolehelsetjenesten og flere helsesøstre, en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse, en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot ungene våre og å sikre en fastlegeordning som er et nav i helsetjenesten – for småbarnsforeldre, for fremste mål er å ha en politikk som lager et barnevennlig samfunn – et samfunn for alle. En trygg og god oppvekst for alle varer livet ut. Et samfunn som er grunnfestet på ungenes behov, må og skal bli prioritert fra Kristelig Folkepartis side. skal være konstruktive og vil samarbeide. Vi kan samarbeide med alle partier som ønsker å lage et samfunn der ungene våre er i sentrum. Det handler for oss alle om å prøve å få gjennomslag for det programmet vi har gått til valg på. For Kristelig Folkeparti innebærer dette at vi vil sikre at barn og unge blir prioritert, at ideell sektor får ha aktører som bidrar til utrolig mange gode helse- og omsorgstjenester i vårt samfunn, og å sikre at menneskeverdet og hensyn til barn fortsatt er det grunnleggende også når bioteknologiloven skal behandles. Stortinget trenger representanter som setter menneskeverdet i sentrum i absolutt alle saker. For Kristelig Folkeparti er nettopp menneskeverdet sentrum, kjernen, i politikken. Alle mennesker er uendelig like mye verdt og har en ukrenkelig verdi og rettigheter i kraft av bare det å være menneske. Alle er like mye og det er ingen av oss som er mer verdt eller mindre verdt enn andre. Menneskeverdet er konstant, det er ikke noe vi kan gradere. Det er derfor vi fremmer forslag om endringer i pleiepengeordningen, fordi alle er like mye verdt. Vi vet at krenkelser av menneskeverdet ikke er noe som hører fortiden til. Mennesker alder, funksjonsnivå, etnisitet og seksuell orientering. Undertrykkelse, utnyttelse og diskriminering skjer også i dag, også i vårt samfunn. Menneskeverdet er under press. Noen vil si at Kristelig Folkeparti overdriver eller bruker skremselspropaganda når vi advarer mot et det sterkt, og det er rett og slett litt naivt å tro at sortering ikke er en realitet. Sortering skjer her og nå over hele verden, også i vårt land. Mange mener at det er helt greit at retten til liv begrenses på bakgrunn av menneskelige egenskaper. Vi hadde i forrige periode flere runder om tvillingabort. Det handler om sortering når unger ikke kommer til verden bare fordi de er tvilling. Kristelig Folkeparti er skuffet over stortingsflertallet og regjeringen i denne saken. I fostervannsdiagnostikken har vi snart teknikk til å finne all informasjon om fosteret.